Replikkordskiftet foreslås ordnet slik: Det blir adgang til seks replikker med svar etter innlegg fra partigruppenes hovedtalere, parlamentariske ledere, statsministeren og finansministeren og fire replikker med svar etter talere med 10 minutters taletid eller mer samt etter øvrige statsråders

Kontrasten til det vi opplever i Europa og i verden for øvrig, er ganske stor. Mange land er i en svært vanskelig situasjon – med både høy statsgjeld og høy arbeidsledighet. Det betyr dramatiske kutt i offentlige budsjetter, og mange opplever nå smertefulle omstillinger med påfølgende demonstrasjoner, uro og sosiale spenninger i de ulike befolkningene. Faren for ny krise er altså ikke over. Også Norge kan bli innhentet av nye internasjonale tilbakeslag. Men er det noe den globale finanskrisen har vist oss, er det at mekanismene vi har bygd opp rundt den norske økonomiske politikken, fungerer godt. Å holde igjen i gode tider har gitt oss økonomiske muskler til å komme oss gjennom krisen på en god måte. Når handlingsrommet nå igjen øker, er det fordi vi har lyktes med politikken. Flere er igjen i arbeid, industriproduksjonen stiger, og sykefraværet går ned. Statsbudsjettet for 2011 er et strammere budsjett enn det vi har sett de siste årene. Faktisk er dette det første budsjettet siden 1999 som innebærer en såkalt finanspolitisk innstramming – altså at utgiftene øker mindre enn veksten i økonomien. Vi nærmer oss 4-pst.banen i handlingsregelen betraktelig, og legger opp til å være 2011. Innenfor rammen av redusert oljepengebruk og et uendret skattenivå styrker vi fellesskapsløsningene innen helse, omsorg, skole og kultur – i tillegg til å trappe opp viktige investeringer i vei og bane. Norge har nå Europas laveste arbeidsledighet. Det skal vi fortsette å ha, men vi skal ikke hvile på laurbærene. Så mange som mulig må oppleve gleden av å våkne opp om morgenen og glede seg til å gå på jobb, tjene sine egne penger, være en del av et sosialt fellesskap, bidra til verdiskaping i landet vårt og det fellesskapet vi alle er en del av. Ansvarlighet høres ofte kjedelig ut. Men det handler ofte om de viktigste tingene, nemlig å ha trygghet for folks jobb og hjem – og trygghet i hverdagen. I årets budsjett har regjeringspartiene prioritert å løfte fram dem som ikke har de sterkeste lobbyorganisasjonene i ryggen, det lille mindretallet, som vi ofte

Det er en investering i verdighet. Regjeringspartiene skal måles opp mot sine løfter og motstandere, ikke opp mot himmelriket, men mot reelle politiske alternativer som tar mål av seg til å styre landet. Også i år viser innstillingen fra finanskomiteen at opposisjonspartiene spriker voldsomt i sine alternative budsjetter, f.eks. når det gjelder oljepengebruk. Men det forandrer ikke det faktum at de blå partiene, Høyre og Fremskrittspartiet – som jeg omtaler som de reelle motstanderne til dagens regjering – har sagt at de vil samarbeide og er enige om en rekke ting. Så da må vi tro på dem når de sier at de vil finne sammen. Hva er så de to største opposisjonspartiene på borgerlig side enige om? Jo, først og fremst er det skattekuttene. Noen etterlyser en ideologisk debatt i norsk politikk. Vel, her er den. Norsk politisk debatt har alltid handlet om fordelingen av samfunnets ressurser, og på det punktet skiller et blå-blått samarbeid seg markant fra dagens regjeringspartier. Vi mener vi ikke kan tappe fellesskapet for penger om igjen og om igjen på inntektssiden samtidig som pengene øses ut til alle gode formål på utgiftssiden. Alle skjønner at full lekk i begge ender til slutt ender med tomt oljefond og en skakkjørt norsk som det største opposisjonspartiet i Stortinget i dag, vil kutte ca. 29 mrd. kr i skatter og avgifter påløpt i sitt alternative budsjett for neste år. Men deres totale løfter for stortingsperioden er jo beregnet til langt over 88 mrd. kr. Så det store spørsmålet er: Hva gjør man da i år to, når man langt på vei har brukt opp muligheten til å strupe bistanden, avvikle norsk landbruk gjennom kraftige kutt i landbruksstøtten, kutte regionale utviklingsfond og gjennomføre store kutt i offentlig sektor, statlig sektor osv.? Da har man kun dekket inn de første 29 mrd. kr, og det store spørsmålet er hvordan Fremskrittspartiet, i samarbeid med Høyre, ser for seg å dekke inn resten av de lovede skattekuttene. For Fremskrittspartiets del er det snakk om nesten 70 nye milliarder. Med slike løfter om skattekutt kommer man ikke unna store kutt i viktige velferdstjenester for folk i Norge. Samtidig som Høyre sier at de vil samarbeide med Fremskrittspartiet, sier de at de skal være garantisten for en ansvarlig økonomisk politikk. Det går også fram av innstillingen. Men jeg antar at man også i Høyre innser at Fremskrittspartiet kommer til å kreve innflytelse i en eventuell ny blå-blå regjering. Det vil være helt urimelig at ett av de to jevnstore høyrepartiene ikke skal ha innflytelse på den økonomiske politikken. Ja, Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, Ulf Leirstein, sier til og med i dag i VG at den økonomiske politikken til Fremskrittspartiet er en del av deres sjel, og der ser jeg for meg at man ikke skal være med og delta i en økonomisk politikk som handler om sjelen til et parti. Det synes jeg virker veldig sannsynlig. Med bakgrunn i dette synes jeg nå det på nytt er på tide at vi avkrever Høyre i denne debatten et klart svar på hva slags økonomisk politikk som skal legges til grunn for alternativet til dagens regjering. Hva Fremskrittspartiet strør om seg med milliardløfter til skatter og avgiftskutt, og vil en blå-blå regjering eventuelt etter 2013 være i nærheten av å innfri Siv Jensens milliardløfter – på 88 mrd. kr i skattekutt? Dette er spørsmål det er på tide at vi får avklart ordentlig, slik at vi kan ha en reell politisk debatt i denne salen. Folk og partier som tar mål av seg å kaste det sittende styret, og selv styre landet, må kunne enes om grunnleggende ting i politikken. I finanskomiteens innstilling er det et langt skritt i retning av enighet om skattekutt som den viktigste prioriteringen til et framtidig Høyre–Fremskrittsparti-samarbeid. Men det store dilemmaet gjenstår: Skal man styre et land, holder det ikke med kreative budsjettgrep som inndekning av ulike dynamiske effekter, som ingen av oss ser hvor finnes. Da må man faktisk finne reelle inndekningsforslag som kan gjennomføres i virkeligheten. I innstillingen fra finanskomiteen finnes det ikke en slik enighet på borgerlig side. Derfor må vi innse at det er all mulig grunn til å at Fremskrittspartiet også vil ha betydelig innflytelse på den økonomiske politikken i et framtidig samarbeid på borgerlig side. Noen ting har fått mer oppmerksomhet enn andre ting etter budsjettframleggelsen. Innslagene om Kåre og Marlene f.eks. på TV 2, om enkeltskjebner i eldreomsorgen, har gjort sterkt inntrykk på meg og på mange andre. For selv om de aller fleste eldre får god og verdig hjelp hver eneste dag, har vi fortsatt en jobb å gjøre. Vi må sørge for at det blir flere plasser og enda flere varme hender i eldreomsorgen. I tillegg til de tingene som nå ligger i dagens innstilling, har det blitt gjort flere ting i løpet av høsten som har styrket dette viktige arbeidet. Regjeringen har lagt fram en forskrift om en verdighetsgaranti i eldreomsorgen. Regjeringen har foreslått å øke tilskuddet til sykehjemsplasser og omsorgsboliger med 40 pst. Regjeringen har foreslått én ekstra milliard til kommunene for å gi økt mulighet til å gi en god og verdig eldreomsorg. Og her i Stortinget i forbindelse med behandlingen av finansinnstillingen har flere tiltak under fanen «frivillighet og eldre» fått drøye 50 mill. kr ekstra. Dette er viktige ting som gjør at de aller eldste skal være trygge på at de skal få en verdig eldreomsorg i framtiden. I tillegg til eldre som trenger pleie, har det vært mye diskusjon om det nye pensjonistskattesystemet, og det er ett av de store grepene i skatte- og avgiftspolitikken som finanskomiteen har hatt til behandling, og som skal behandles her i salen i dag. Da er det viktig å huske at samlet sett gir endringene innenfor pensjonistskattleggingen en samlet skattelette til pensjonistene på Om lag to av tre pensjonister – de med lave eller vanlige pensjoner – skal betale mindre eller får uendret skatt etter disse endringene. De fleste tjener altså på omleggingen, og vi retter opp en rekke urettferdigheter. Det er gledelig at det ser ut til at det i Stortinget vil være bred tilslutning til selve systemomleggingen regjeringen nå legger opp til, og med støtte fra regjeringspartiene her i Stortinget. Men det er enkelte forskjeller, som det framgår av innstillingen, når det gjelder hvor det såkalte knekkpunktet er – hvem som skal betale mer, får uendret eller lavere skatt. Enigheten i grunntanken skaper uansett forutsigbarhet for pensjonistene. For å oppsummere kort: Årets budsjett, som vil få flertall her i Stortinget, er et svært godt budsjett for landet, et budsjett for trygghet og for framtidstro, for at Norge skal bli enda bedre. Et lands og et samfunns potensial er summen av alle vi som bor her. Dermed blir også et land der alt er mulig, et land med alle muligheter.

enn antatt, eller tilhører ikke disse 200 000 en del av Arbeiderpartiets økonomiske sjel? Det er bred politisk enighet i denne salen, med unntak av ett parti, om at det er viktig å sikre bærekraftige pensjoner i framtiden. Og igjen ser vi altså et eksempel på at ett av partiene, det største opposisjonspartiet, stiller seg totalt på sidelinjen når krevende valg og krevende beslutninger må tas for framtiden. Jeg er helt komfortabel med det vi har lagt fram når det gjelder pensjonistbeskatningen. To av tre pensjonister vil få uendret eller lavere skatt, og i tillegg retter vi opp en rekke urettferdigheter som har vært i det gamle systemet. For eksempel vil det nå være slik at de pensjonistene som gjennom et langt liv har spart opp en formue i banken, ikke vil oppleve å bli skattet i og i tillegg vil det at gifte og samboende pensjonister har blitt urettferdig behandlet, bli rettet opp. Så jeg er stolt av å kunne bære fram en ny reform i salen og stemme for den. Det som igjen er det store spørsmålet, er hvordan Fremskrittspartiet skal forholde seg til krevende politiske valg i framtiden når de heller ikke vil ta ansvaret for denne saken i denne

Arbeiderpartiet er jo tilhenger av differensiert arbeidsgiveravgift i distriktene. Jeg går ut fra at man er det på grunn av at det har en dynamisk effekt, sånn at det skaper arbeidsplasser ute i distriktene. Men likevel går man altså til angrep på Fremskrittspartiets bruk av dynamikk. Er det sånn at dynamikken i Finansdepartementet og i Arbeiderpartiet bare brukes der det passer Arbeiderpartiet? Svaret på det er nei. Men det brukes der det er faglig belegg for at det kan finnes dynamiske effekter, der forskerne, de beste økonomene sier at det kan finnes. Det erkjenner Arbeiderpartiet, og jeg er helt sikker på at finansministeren kan bekrefte det etterpå i debatten. Men det som er oppsiktsvekkende med Fremskrittspartiets alternative budsjett og inndekningen av det, er at man legger til grunn at skattekuttene på 30 pst. eller 35 pst. – jeg er litt usikker, for det brukes ulike tall skal finansieres ved at disse kommer tilbake til fellesskapet gjennom økte skatteinntekter. Vel, jeg har fortsatt til gode å se at Fremskrittspartiet har noe som helst belegg for at den måten å regne på er korrekt. Jeg vil oppfordre Fremskrittspartiet til å ringe til Statistisk sentralbyrå og spørre de forskerne som har utarbeidet rapporten som Fremskrittspartiet henviser til, om dette er riktig eller galt. Nå er det ikke bare vi som kritiserer den type dynamiske effekter. Fremskrittspartiet pleier jo å se til USA, og der har tidligere president George Bush omtalt dette som «voodoo-økonomi». Så hvis ikke det som Arbeiderpartiet sier, gjør inntrykk, kunne man kanskje høre på sine venner i det republikanske partiet i USA. Presidenten gjør da oppmerksom på at det er

innenfor at staten dekker kostnadene til tjenester, og vi vil ha færre køer. Micaelsen står og prater ut fra en situasjon der folk ser at køene øker, kvaliteten på tjenestene går ned, og man lager systemer som er bedre tilpasset systemet enn brukeren. Det er da en kjempeutfordring å få folk til å tro på sin egen virkelighetsbeskrivelse. Vi ser et budsjett som er Det er ingen prioriteringer til tross for at Micaelsen prøvde å si det, og det er ingen tanker om nye løsninger. Hvorfor frykter de rød-grønne å gå inn i en debatt rundt nye løsninger for norsk økonomi når vi vet at utfordringene etter 2020 er meget store? Jeg forstår ikke hvor representanten har det fra at vi ikke er villig til både å se kritisk på det samfunn vi har i dag, og foreslå nye løsninger på de feltene. Jeg kan nevne ett eksempel. Det har vært et stort engasjement i denne salen fordi barnevernsbarna som er avhengig av det kommunale hjelpeapparatet, ikke har fått den hjelpen de skulle ha. Derfor er det lagd et nytt øremerket tilskudd til barnevern. Men det er et hovedspørsmål som gjenstår. Høyre kan prate så mye de vil om små sosiale forskjeller, om at man vil ha like muligheter, men hvorfor er det da i Høyres alternative budsjett én hovedsatsing som er omtrent ti ganger så stor som alt mulig annet, nemlig å kutte skattene til dem som har mest fra før? Jeg forstår det rett og slett ikke. Og hvis det er sånn at Høyre nå plutselig er opptatt av små sosiale forskjeller, synes jeg man skal gå tilbake på sitt valgløfte om å avvikle formuesskatten, som vil gjenskape nullskatteyterne og gi en gavepakke til de rikeste menneskene i Norge.

Vi har en formuesskatt som er en særnorsk beskatning av norske arbeidsplasser eid av nordmenn bosatt i Norge, og det er godt gjort å prøve å framstille det som særlig vekstfremmende. Jeg tror folk ser at det er en skatt som rammer familieeierskapet ute i lokalsamfunn, og det rammer lokale bedrifter. Hvis man vil ta fatt i nullskatteyterproblematikken, og det er vi veldig gjerne med på en diskusjon rundt, har man andre løsninger enn å ramme eierskapet og arbeidsplassene ute i Distrikts-Norge. Det er underlig at Micaelsen ikke kan komme seg bort fra retorikken og inn på praktiske løsninger. Arbeiderpartiet har ikke noe religiøst forhold til formuesskatten! Det er ikke langt fra! Det har vi ikke. Den har sine svakheter som mange andre skatter og avgifter. Jeg får daglig telefoner, e-poster og folk på kontoret som har meget gode forslag til hvordan man kan svekke statens inntekter gjennom lavere skatter og avgifter, men også forslag som er veldig velfunderte med hensyn til å øke statens utgifter. Da står vi som politikere igjen med et valg: å tørre å si nei til noe for å kunne si ja til noe annet. I Arbeiderpartiet og regjeringen er vi veldig å fjerne 13–14–15 mrd. kr, som formuesskatten gir til fellesskapet, som kan finansiere 15 000 sykehjemsplasser i året. Men det er en helt ærlig sak at Høyre velger annerledes og vil fjerne den, som igjen skaper nullskatteytere og svekker statens inntekter kraftig. Men det er et valg. Det er en klar prioritering. Og det er en klar forskjell mellom Høyre og Fremskrittspartiet og dagens regjering utgått av de tre

langsiktig opptrapping til behovet er dekket. Jeg nevner at man over mange år har hatt en langsiktig satsing for å oppnå full barnehagedekning, jeg nevner at man har sagt at man skal ha full sykehjemsdekning innen 2015, selv om tempoet ikke tilsier det, og jeg nevner at man har sagt at innen 2014 skal kultur ha 1 pst. av statsbudsjettet. Dette gjelder store grupper, brede velgergrupper. Barnevernet står tydeligvis lenger ned på regjeringens prioriteringsliste, selv om det i år har fått et løft, som heller ikke tilsvarer behovet. Verdighet: Når vil regjeringen og regjeringspartiene løfte barnevernet gjennom en langsiktig opptrappingsplan? Jeg kan nesten ikke tenke meg noen andre i det norske samfunnet som ikke fortjener at fellesskapet skal stille opp for dem. dem. Det engasjementet for barnevernet deler jeg med representanten fra Kristelig Folkeparti. Det at barn opplever, punkt 1, å bli sviktet av sine foreldre eller foresatte, ikke opplever å få den omsorgen de trenger i hjemmet, og, punkt 2, at vi ikke har hatt et bra nok støtteapparat i det kommunale og det statlige barnevernet som ei heller der stiller opp med fellesskap, er uverdig. Men det har vi tenkt å gjøre noe med. Når man sier nei til noe, som jeg nå har redegjort for i flere replikker, har også det norske samfunnet mulighet til å løfte barnevernsbarn

Finanskomiteens leder skrev følgende på sin blogg for et år siden: «Men fremtiden for biodrivstoff handler etter min mening om biodrivstoff basert på trevirke. Og dette kan bli stort i Norge. Men veien til dette går ikke om å gjøre veitrafikk billigere gjennom avgiftsfritak – et fritak som ikke skiller på klimavennlig- og og uvennlig biodrivstoff! Fremtiden for bra biodrivstoff går gjennom omsetningspåbud, produktstandarder/bærekraftkriterier og statlige bidrag til forskning, utvikling og kommersialisering av teknologien.» Resultatet er i dag at regjeringen ytterligere økning i en skuff etter at Uniol i Fredrikstad har gått dukken, og vi kjenner også til hva som skjer med Synergo i finanskomiteens leders eget fylke. Den bedriften går også dårlig. Angrer komiteens leder på den bloggen? Svaret på det er nei. Man skal være forsiktig med selvskryt, men jeg synes det var veldig godt skrevet på på min egen blogg for et år siden. Jeg står inne for hvert eneste ord. Det er ikke slik at man i framtiden ikke må se for seg at alle typer drivstoff eller alle som bruker veier og bidrar til det negative ved bilkjøring, må være med og betale for de kostnader man påfører samfunnet. Jeg har jo ører, jeg også, og har fått med meg at det ikke var – hva skal en si – full applaus for det hva skal en si – full applaus for det forslaget som kom i fjor. Derfor har vi foreslått det vi nå har gjort, men varsler en ny helhetlig gjennomgang av hele dette området, fordi det er viktig med både forutsigbarhet og allmenn politisk oppslutning om det vi blir enige om. Vi må bli enige om et system som kan bære gjennom flere regjeringer, som kan være bærekraftig i framtiden. Men jeg står inne for hvert eneste ord. Jeg mener fortsatt at den beste måten å fremme det beste biodrivstoffet verden kan se, på, er gjennom

Fremskrittspartiet mener at det framlagte budsjettet fra regjeringen er lite egnet til å møte de utfordringene som Norge står overfor. Derfor foreslår Fremskrittspartiet klare prioriteringer, slik at man kan få til et bedre tilbud i kommunene, helsevesenet og skolesektoren. Videre vil Fremskrittspartiet styrke Forsvaret og investeringene i infrastruktur. Våre budsjettiltak omfatter bygging og vedlikehold av infrastruktur med fokus på veier, jernbane, skolebygg og sykehjem. Gjennom en slik satsing vil norsk infrastruktur få et etterlengtet løft. Fremskrittspartiet foreslår videre at det neste år gis skatte- og avgiftslettelser med fokus på grupper med lavere og middels inntekter. Fremskrittspartiet foreslår at lønnsmottakere og pensjonister får reduserte skatter. Vi foreslår også en reduksjon i formuesskatten formuesskatten og avskaffelse av arveavgiften, slik at flere bedrifter og enkeltpersoner kan benytte sin kapital til reinvesteringer i næringslivet. Reduksjonen i formuesskatten er første skritt i arbeidet med helt å avvikle denne særnorske dobbeltbeskatningen. Regjeringen har i forkant av framleggelsen av statsbudsjettet vært opptatt av å følge handlingsregelen og redusere pengebruken. Men takket være at det har gått bedre i norsk næringsliv enn man fryktet, slipper man tydeligvis unna de mest dramatiske kuttene. Stort sett bevilges det litt mer på de fleste områder. Fremskrittspartiet forholder seg ikke til Regjeringens handlingsregel. Fremskrittspartiet ønsker en alternativ handlingsregel, som bl.a. skiller mellom investeringer og løpende kostnader. For øvrig forholder vi oss i budsjettprosessen til den økonomiske situasjonen landet til enhver tid befinner seg i. Derfor fremmer Fremskrittspartiet forslag til endringer av regjeringens budsjettframlegg på en rekke områder: Norge har med sin oljerikdom muligheter mange andre land kan misunne oss. Allikevel skal dette ikke bli noen sovepute. Men vi skal gjøre gode, fornuftige og nødvendige investeringer nå, som vil gi bedre rammebetingelser for dagens innbyggere og dem som kommer etter oss. Norge har en stor offentlig sektor. Dette krever, etter Fremskrittspartiets oppfatning, at vi kritisk gjennomgår den offentlige driften for å sikre at skattebetalernes penger blir brukt mest mulig fornuftig og effektivt. Som folkevalgte forvalter vi de pengene vi har til rådighet, på vegne av innbyggerne. Derfor har vi gjennom vårt alternative statsbudsjett systematisk gått igjennom alle deler av offentlig forvaltning, byråkrati og subsidieordninger. Dette gjør vi bl.a. for å frigjøre midler til å kunne prioritere sterkere på de områder vi mener at regjeringen gjør for lite. Og vi gjør dette for at vi kan foreta kutt i statens inndrivelse av skatter og avgifter. Fremskrittspartiet ønsker at folk flest skal få beholde mer av sine lønninger og pensjoner, slik at det skal være mulig å leve av egen inntekt, og at man selv skal foreta valg for seg og sin familie. Vi blir stadig minnet om situasjonen for pasientene på våre sykehus og i kommunenes tilbud til eldre. Fremskrittspartiet ser med bekymring på utviklingen knyttet til sykehusenes økonomi og utfordringene knyttet til ventelister og helsekøer. Og innenfor eldreomsorgen er det store forskjeller kommunene imellom, og alle burde nå se behovet for et krafttak for en bedre eldreomsorg. Fremskrittspartiet mener at skal vi gi et bedre kvalitetsmessig tilbud disse menneskene, så må det bevilges mer midler. Fremskrittspartiet foreslår derfor en klar satsing på pasientbehandling og styrking av eldreomsorgen. Dette gjør vi ved å foreslå systemendringer ved å ta i bruk private tilbud som et supplement til det offentlige, samt mer penger øremerket sykehusene våre og flere øremerkede penger til eldreomsorgen i Bilister, reisende med kollektivtrafikk og næringslivet blir hver dag minnet på manglende satsing på investering i infrastruktur. Fremskrittspartiets forslag i statsbudsjettet er derfor en varig storsatsing på veiutbygging, utbygging av jernbane, stans i bruken av bompengemidler, og etablering av varig og forutsigbar finansiering av disse utbyggingsprosjektene innenfor samferdselsnettet. Dette gjøres bl.a. ved å foreslå oppbygging av et infrastrukturfond hvor avkastningen øremerkes realinvesteringer i samferdsel. Regjeringens budsjettforslag vil ikke bedre tryggheten for folk flest. Fremskrittspartiet vil derfor øke politiets driftsbudsjett neste år betydelig – dette for å sikre at flere politifolk blir ansatt, og ikke minst at nyutdannede politistudenter får jobb i politiet. Og vi vil gi politiet et eget investeringsbudsjett, slik at politisjefene slipper å måtte ta av sine driftsbudsjetter for å gjøre nødvendige investeringer. Fremskrittspartiet mener Norge bør ha som mål at landets utdanningssystem skal ligge i verdenstoppen når det gjelder kvalitet og læringsresultater, og gjenspeile at framtidige arbeidsplasser i stor grad vil være kunnskapsintensive. I budsjettforslaget fra regjeringen satses det for lite på utdanning og forskning i forhold til de uttalte målsettingene. Fremskrittspartiets hovedprioriteringer på dette området er satsing på høyere utdanning og forskning, bedre kvalitet i grunnopplæringen, tilpasset undervisning og styrking av tilbudet til elever med spesielle behov. Gjennom vårt eget alternativ til regjeringens statsbudsjett har vi valgt å være veldig klare på hvem vi mener bør være prioritering nr. 1, nemlig de eldre. Regjeringens budsjettforslag er etter min mening et angrep på de eldre, spesielt med tanke på skatteskjerpelsen for en stor andel pensjonister. Likeledes er regjeringens budsjettforslag et løftebrudd med tanke på de enorme utfordringene mange kommuner står overfor i eldreomsorgen – og hvor regjeringen ikke leverer. La oss ta dette med skatteskjerpelser først. Regjeringen foreslår at alle pensjonister med pensjon fra 318 000 kr og oppover skal få økt skatt – altså mindre å leve for. Dette mener jeg er et angrep på en opparbeidet rettighet. Mange pensjonister planlegger sin alderdom ut fra hva man forventer å få utbetalt. En økt skatt reduserer valgfriheten og gjør alderdommen mer utrygg for mange. Det er ikke slik at pensjon er en almisse fra staten. Man har betalt inn til sin egen pensjon og burde forvente forutsigbarhet fra statens side. Og jeg tror mange pensjonister nå føler seg lurt når regjeringspartiene i valgkampen i fjor lovte at man ikke skulle øke skattene. Dette blir ganske spesielle ord for dem som nå får kuttet sin pensjon nettopp på grunn av økt skatt. Fremskrittspartiet går imot skatteskjerpelsen for pensjonistene, og vi foreslår at alle pensjonister får en skattelette til neste år på lik linje med vårt forslag om at også lønnsmottakere neste år skal få beholde mer av sin egen lønn ved at vi senker skattene. Fremskrittspartiet foreslår også i vårt alternative statsbudsjett en kraftig satsing på eldreomsorgen. Mange kommuner sliter i dag med økonomien med den konsekvens at man ikke klarer å gi et godt og verdig tilbud til pleietrengende eldre. Vi foreslår derfor at det bevilges økte frie midler til kommunene over statsbudsjettet, slik at man kan få en litt lettere økonomisk hverdag i disse budsjettider. I tillegg foreslår Fremskrittspartiet 2 mrd. kr øremerket eldreomsorgen i kommunene, bl.a. til drift av sykehjemsplasser. Videre foreslår vi at tilskuddet som staten gir kommunene for bygging av nye sykehjemsplasser, dobles i forhold til regjeringens forslag i statsbudsjettet. 2 har gjennom en rekke reportasjer satt søkelyset på tilstanden i eldreomsorgen i norske kommuner. TV 2s undersøkelse viser at over 3 000 eldre pleietrengende venter på sykehjemsplass. Regjeringspartienes løfter fra valgkampen 2009 om at det nå skulle satses på eldreomsorgen, viser seg dessverre å være tomme ord. Situasjonen etter fem år med en rød-grønn regjering viser faktisk ingen positiv utvikling. Noen flere sykehjemsplasser er bygd, men det hjelper lite når mange kommuner lar disse plassene stå tomme da man ikke har penger til selve driften. De ansatte i eldreomsorgen i våre kommuner gjør en kjempejobb, men nå må det satses penger slik at også de ansatte kan få økt sin kompetanse og få en lettere hverdag, slik at man kan gi god Norge skal også neste år gå med rekordoverskudd. Ca. 153 mrd. kr skal overføres oljefondet. Fremskrittspartiet ønsker også at vi skal spare deler av oljerikdommen. Samtidig må det være slik at man også bruker Norges handlefrihet økonomisk til å satse på basisoppgavene som det offentlige har. Verdens rikeste land har store utfordringer når det gjelder eldreomsorgen, skolen og helsevesenet. helsevesenet. Det satses for lite på investeringer både på vei og jernbane. Norge har mulighetene, men da må vi også være villige til å satse, slik at Norge ikke sakker akterut. Dagens regjering liker å administrere og styre, men viser ingen vilje til fornyelse og klare prioriteringer. Jeg tar til slutt opp alle forslag Fremskrittspartiet har fremmet, enten alene eller sammen med andre, i innstillingene. Representanten Ulf Leirstein har tatt opp de forslagene han Det blir replikkordskifte. Her var det mye man kunne ta tak i, men jeg tror vi skal konsentrere oss om ett forhold, for det har de siste dagene vært debatt om størrelsen på I Arbeiderpartiet mener vi det er viktig å ha noe å måle dagens regjering mot, og vi har derfor beregnet disse løftene til vel 88 mrd. kr – i løpet av denne stortingsperioden, formoder jeg. Da holder vi fjerning av NRK-lisensen og sletting av bompenger og bompengegjeld, som Fremskrittspartiet også har lovet, unna. Jeg nevner et par eksempler: Det handler om fjerning av formuesskatt, arveavgift, elavgift, det handler om svenske alkohol- og tobakksavgifter, at det skal innføres «FrP-pris» på bensin og diesel osv. Mitt spørsmål til representanten fra Fremskrittspartiet, Ulf Leirstein, er: Kan Leirstein bekrefte at dette er gjeldende løfter Fremskrittspartiet har gitt, og at de er gitt med sikte på at de skal gjennomføres i denne stortingsperioden? Her synes jeg det var veldig mye god politikk som representanten Micaelsen ramset opp. Fremskrittspartiet har gått til valg på et partiprogram hvor mange av de punktene som Micaelsen nevner, er helt klare satsinger fra Fremskrittspartiets side. Det å ha et klart krav om kutt i skatter og avgifter er jeg stolt av at Fremskrittspartiet er det partiet som er helt i front på, å kutte skattene og avgiftene slik at folk flest får mer valgfrihet og kan bestemme mer og leve av sine egne lønninger. Jeg er derimot uenig i den beregningen som Micaelsen og andre har gjort, at dette automatisk skal koste 88 mrd. kr. Jeg mener for det første at det finnes en dynamisk effekt i disse forslagene som bl.a. vil sørge for en økt vekst i norsk økonomi. Da vil ikke disse såkalte tapene for staten bli så store som Micaelsen påstår. Videre har ikke vi sagt at det skal gjennomføres på ett år, slik man kan få inntrykk av når man leser svaret fra Finansdepartementet. Dette er løfter man ønsker å gjennomføre over flere år.

bekymret som finanspolitisk talsmann i Høyre. Han har flere ganger sagt at ansvarlig økonomi er avgjørende for Høyre, og at de vil ha hånda på rattet i den økonomiske politikken. Men en av Fremskrittspartiets grunnleggende hjertesaker er jo nettopp motstand mot handlingsregelen og de begrensningene andre partier er enige om i oljepengebruken. Vil Fremskrittspartiet forlange å få innflytelse over den økonomiske politikken i et eventuelt regjeringssamarbeid med Høyre, eller kan vi vente at Fremskrittspartiet vil føye seg etter Høyres nivå for oljepengebruk? Det er klart at i en framtidig regjering hvor Fremskrittspartiet er delaktig, vil selvfølgelig også Fremskrittspartiet ha en hånd på rattet. Jeg antar at det også var beveggrunnen for både Senterpartiet og SV til å bli med inn i et regjeringsprosjekt sammen med Arbeiderpartiet, at man håper at man får hånden på rattet. Så viser det seg at noen kanskje ikke får det, men Fremskrittspartiet har i hvert fall tenkt å få det i en framtidig regjering. Jeg konstaterer at denne handlingsregelen, som representanten er opptatt av å vise til at Fremskrittspartiet er uenig i, på veldig mange områder aldri blir fulgt. Den har ikke blitt fulgt av tidligere regjeringer, men blir heller ikke fulgt av dagens regjering – heller ikke i det statsbudsjettet som i dag blir vedtatt, følges denne handlingsregelen. Så i en framtidig regjering skal det i hvert fall ikke være noe problem å legge seg på samme tolkning av handlingsregelen som flertallspartiene gjør, nemlig at den ikke følges. Hvorfor skal en ansatt i kassa på Rimi betale skatt hvis Norges rikeste milliardærer ikke skal betale en krone? Hvorfor skal folk være hederlige hvis det er lett å snylte på andre, og hvorfor er det rettferdig å dele ut 113 000 kr i skatt til dem som tjener over 3 mill. kr i året, mens enslige mødre og fedre skal få kutt på 700 mill. kr i sine stønader? SV velger å ta Fremskrittspartiets alternative budsjett på alvor. Vi tror ikke at man kan trylle vekk sykdom og elendighet, eller skilsmisser for den saks skyld, fra 1. januar 2011, og særlig ikke hvis man også legger opp til beinhard konkurranse i arbeidslivet, frislipp i alkoholpolitikken og større klasseskiller i Norge. Fremskrittspartiets politikk og budsjett for neste år er urettferdig. Man tar fra fattige og gir så det svir til de rikeste.

Når det er slik at bl.a. staten og bompengeselskapene tar inn mange milliarder i bompenger, smerter ikke det for rike personer, men det smerter for helt vanlige, ordinære mennesker som skal på jobb, om det er i kassa på Rimi eller om det er en annen type jobb. Da smerter den utgiften mye mer for dem som har lave inntekter enn for dem som har høye inntekter. Derfor er Fremskrittspartiet opptatt av at vi øker bunnfradraget og gjør det slik at de med lave og middels inntekter kommer best ut. Så ønsker vi å fjerne formuesskatten, for formuesskatten er et angrep på norsk eierskap i næringslivet. Vi ønsker å sikre arbeidsplassene, og da er det veldig fornuftig å fjerne formuesskatten på sikt, slik at vi kan sikre norske arbeidsplasser så den ansatte på Rimi fortsatt har en jobb å gå til. Politikk er

Internasjonalt har en ikke formuesskatt, der har en noe som er mindre etter skatteevne, nemlig eiendomsskatt. Fremskrittspartiets politikk vil være et brudd med den jambyrdighetspolitikken med økonomisk, sosial og kulturell jambyrdighet som står veldig sterkt hos grasrota i den norske befolkningen. Mitt spørsmål er: Vil ikke store deler av Fremskrittspartiets velgere oppleve det hvis Fremskrittspartiets ekstreme høyrepolitikk blir realisert? Det er ikke noe ekstrem høyrepolitikk i Fremskrittspartiets program. Fremskrittspartiets program og politikk er en fornyelse av Norge, noe som faktisk er meget påkrevet når vi ser hvor store problemer vi har på en rekke samfunnsområder. Så synes jeg det er veldig spesielt at representanten Lundteigen velger å ta opp det at Fremskrittspartiet vil ta bort formuesskatten, underforstått at Senterpartiet ønsker å beholde formuesskatten. For jeg snakker med ganske mange selvstendig næringsdrivende innenfor landbruket bl.a., som er meget opptatt av å få fjernet formuesskatten, bl.a. den delen som går på arbeidende kapital. Jeg tror at mange av dem, eller, for å si det slik, de få støttespillerne som Lundteigens parti har igjen, faktisk er uenig med representanten Lundteigen i hans sterke, varme forsvar av formuesskatten som en god skatt. Jeg mener dette er et angrep på selvstendig næringsdrivende og norsk eierskap i næringslivet. Jeg er opptatt av at vi faktisk kan få fjernet formuesskatten, og jeg håper at opposisjonspolitiker Lundteigen i neste stortingsperiode blir med en ny regjering i å fjerne

Men så ser man at Fremskrittspartiet vil ha lavere elavgift, lavere grunnavgift på mineralolje og lavere drivstoffavgift. Et veldig interessant spørsmål å stille Fremskrittspartiet da, er: Betyr det at man ønsker at folk skal forurense mer og bruke mer energi, eller er det sånn at man tror at markedskreftene funker bare på sprit, og ikke på

Vi vet bl.a. at her i Oslo, som representanten Skei Grande kommer fra, var det mange eldre som valgte å skru av varmen sist vinter fordi det ble for dyrt. Det er ganske alvorlig. Selvfølgelig har avgifter noe med forbruk og atferd å gjøre, men her, på elavgiftsiden, når vi snakker om strøm, snakker vi om noe som er tvingende nødvendig, et helt basalt gode som folk faktisk må ha. Og vi synes det er helt urimelig at staten i en framtidig kald vinter skal tjene seg

De har fått opp veksten i økonomien og gjenvunnet kontrollen over budsjettene, og de har maktet det uten store oljeinntekter. I Norge kan vi glede oss over at det går bra. Vi har kommet godt gjennom krisen og kan i motsetning til mange andre land bruke betydelig flere penger over statsbudsjettet neste år. Vi kan takke oljeinntektene og andre etterspurte råvarer, men ikke bare det: Norge har også gjort mye riktig politisk, og vi har mange dyktige bedrifter som ligger i verdenstoppen med sin teknologi og sin kompetanse. Samtidig mener jeg det er viktig at vi minner oss selv om at Norge også er avhengig av utviklingen i Europa. Dersom Europa opplever et nytt tilbakeslag,

som vil avgjøre hva vi kan høste i morgen. Regjeringen har så langt vært heldig. Ja, vi kan lett slå fast at Norge har Europas heldigste regjering. Men det som bekymrer meg mest, er at det ser ut til at regjeringen lener seg tilbake og regner med at det også vil ordne seg til neste år. Regjeringen har lagt frem som er et utmerket utgangspunkt for å administrere Norge, men som er dårlig tilpasset de store utfordringene som Norge vil ha frem mot 2020. President, jeg bør vel kanskje få en taletid etter hvert? Representanten har 10 minutter, men vi skal sørge for at det blir rettet opp. Takk skal du ha. Det tiåret som vi har bak oss, har på mange måter vært ti gullår i norsk økonomi. Vi har hatt sterk vekst i oljeinntektene og moderat vekst i utgiftene til bl.a. pensjoner. I det tiåret som vi nå har gått inn i, vil veksten i oljeinntektene være svakere og veksten i utgiftene betydelig sterkere. Og vi vet at etter 2020 vil inntektene og utgiftene til eldreomsorg, til helse og til pensjoner vil gå kraftig opp. Det er dette budsjettdebatten burde handle om, for det er dette og hvordan vi takler disse utfordringene, som vil være avgjørende for hvordan vi kan utvikle vårt gode velferdssamfunn videre. Spørsmålet er hvordan regjeringen har tenkt å takle denne utfordringen. Jeg er glad for at man nå nærmer seg handlingsregelen. Det er viktig for å skape trygghet for pensjoner. Men spørsmålet er også hvordan man prioriterer pengene på budsjettet – i hvilken grad man bidrar til å skape bærekraftig vekst slik at vi har et grunnlag for å bære velferden og utvikle velferden i årene som kommer. Regjeringen er faktisk i den privilegerte situasjon at man skal bruke hele 60 mrd. kr mer over statsbudsjettet neste år enn det man gjør i år. 60 mrd. kr – det tilsvarer to hele samferdselsbudsjett – skal løftes inn i budsjettet neste år. Da er det ganske ufattelig – i det gullåret vi nå skal gå inn i, når man skal bruke 60 mrd. kr mer – at regjeringen makter å kutte i forskningsbudsjettet. Med andre ord: Man skal ha mindre såkorn til neste år enn det vi har i år. Vi vet at etterslepet i samferdsel kommer til å øke. Det er nå vi burde investere mer i vår infrastruktur. Og vi har en regjering som har gått fra vekstskapende skattelettelser til veksthemmende skatteøkninger. Jeg hører jo at representanten Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet sier: Vi har ikke noe religiøst forhold til formuesskatten. Jeg hører også at Arbeiderpartiets folk går rundt og klapper folk i næringslivet, og sier: Vi har ikke noe religiøst forhold til formuesskatten. Men man er nå i hvert fall sterke i troen, for hvis man ser hva regjeringen faktisk har gjort i disse fire årene, vil man se at man har doblet skatten på arbeidende kapital. Og det er den arbeidende kapitalen, som er grunnlaget for formuesskatten for eierne, som gjør at norske bedrifter, eid av nordmenn, er svakere stilt enn bedrifter eid av utlendinger. Og når regjeringen har fordoblet formuesskatten på arbeidende kapital, betyr det at norske eiere må tappe bedriftene for mer penger for å betale formuesskatten. Da blir jobbene mer utrygge, bedriftene svakere, og de får færre muligheter til å investere for fremtiden. Høyre legger i vårt alternative budsjett frem to strategier: en strategi for bærekraftig vekst, og en strategi for varig velferd. En felles utfordring som vi alle må håndtere, er hvordan vi skal finansiere vår fremtidige velferd. Da løper rød-grønne politikere rundt og sier at vi må skatte mer. Vi må ikke skatte mer, vi må skape mer hvis vi skal finansiere fremtidig velferd. Derfor er Høyre opptatt av at det skal bli lettere å starte bedrifter, det skal være lettere å drive bedrifter. Derfor er vi opptatt av at vi må investere mer i det som skaper vekst, nemlig infrastruktur, ved at vi øker veibudsjettet og kollektivsatsing med

ved at vi går fra de rød-grønnes veksthemmende skatteskjerpelser over til en vekstfremmende skattepolitikk. Det handler om å gjøre det lønnsomt å jobbe, det handler om å gjøre det lønnsomt å investere, slik at vi kan få flere bedrifter og økt verdiskaping. Vi legger også frem en strategi for varig velferd. For Høyre er det viktig at vi bevarer et samfunn med relativt små forskjeller. Det er en viktig norsk verdi, det er en viktig nordisk verdi. Jeg registrerer at særlig venstresiden tror at de har en form for monopol på norske verdier. Det har de ikke. Relativt små forskjeller er en norsk verdi som vi alle er opptatt av å bevare, for det viser noe av styrken i vårt samfunn. Da må vi sørge for at Da må vi sørge for at vi har et godt sosialt sikkerhetsnett. Det står Høyre ved – det har vi vært med på å utvikle. Men vi må også bidra til å utvikle arbeidslinjen, sørge for at flere kan gå fra trygd til arbeid. Det er skatteinntektene som skal finansiere vår fremtidige velferd, og da må vi sørge for at det er flere som betaler skatt, da må vi sørge for å åpne dørene til arbeidsmarkedet for flere grupper. Derfor legger bl.a. Høyre frem et forslag om en tilretteleggingsgaranti for funksjonshemmede, slik at det skal være lettere for flere funksjonshemmede bl.a. å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi ønsker å slippe alle gode krefter til. Det er en politikk som fungerte da Høyre satt i regjering: Vi fikk ned helsekøene ved at det offentlige kjøpte pasientbehandling ved private sykehus som hadde ledig kapasitet. Vi ønsker å slippe til frivillige organisasjoner og de sosiale entreprenørene. Velferdsutfordringene er for store til at man kan gå i den ideologiske grøften når oppgavene skal løses. Høyre er opptatt av å styrke kvaliteten i velferdstjenestene våre ved å øke kompetansen, ved å investere mer i sykepleierne ved våre sykehus og sykehjem. Vi er opptatt av at vi skal ha mindre byråkrati og mer velferd. Jeg hører jo av og til venstresiden si at valget står mellom skattelette og velferd. Nei, det står mellom byråkrati og velferd. Vi så at da Høyre satt i regjering, gikk utgiftene til kommunal administrasjon ned. Under rød-grønt styre har utgiftene til kommunal administrasjon gått opp med 6 mrd. kr. Det er penger som kunne vært investert i barnehager, i sykehjem og i skoler. Høyre ønsker at vi skal bygge ned det overadministrerte Norge. Vi må sørge for at vi har en god administrasjon, at offentlig sektor er en god arbeidsplass. Men Norge er i dag overadministrert. Der er regjeringen handlingslammet. Til slutt registrerer jeg at de rød-grønne partiene foran denne budsjettdebatten har kullkastet sin strategi. Vi har i alle år fått høre at de borgerlige partiene spriker i alle mulige retninger. Nå, etter at man har falt på meningsmålingene og åpenbart blitt grepet av litt panikk, er hovedmelodien at de borgerlige partiene er enige – særlig Høyre og Fremskrittspartiet. Det synes jeg er bra. Jeg gleder meg over hver eneste sak som de fire borgerlige partiene står sammen om og det er det mange av i disse budsjettforslagene – for der vi står sammen, legger vi et grunnlag for en felles politikk når det blir et nytt borgerlig flertall etter neste valg. Da kan det investeres mer i skole, da kan det investeres mer i arbeidsplassene, da kan vi gi bedre vilkår for frivilligheten. Jeg er glad for de områdene der det er likhet, men samtidig skal vi også være ærlige og erkjenne det der det er forskjell. Høyre står nærmere Arbeiderpartiet både når det gjelder bistandsbudsjettets størrelse, og når det gjelder landbruksbudsjettet. Vi er opptatt av at det skal være en ansvarlighet i den økonomiske politikken, fordi det skaper trygghet for familiene og trygghet for bedriftene. Det mener jeg er viktig at vi også får frem i denne debatten. Med det tar jeg opp de forslag Høyre fremsetter i budsjettinnstillingen, alene eller sammen med andre.

men det er også store sprik. Et av de største sprikene, det det er mest uklarhet om, er den økonomiske politikken, nemlig bærebjelken i velferdsstaten og i næringslivet i Norge. Vi har nå hørt representanten Leirstein fra Fremskrittspartiet bekrefte at Fremskrittspartiet vil be om, i den økonomiske politikken i et eventuelt samarbeid med Høyre i framtiden. Hva er representanten Sanners respons på en slik uttalelse fra Leirstein? Når jeg hører representanten Micaelsen, får jeg litt déjà vu-følelse fra den rollen jeg selv hadde før man fikk dannet den rød-grønne regjering i 2005. Da husker jeg at jeg utfordret Arbeiderpartiet om igjen og om igjen og om igjen på hvordan man skulle takle utgiftspartiet SV og utgiftspartiet Senterpartiet. Da svarte Jens Stoltenberg, som ble statsminister, at Arbeiderpartiet kunne man stole på i den økonomiske politikken. Mitt svar er det samme: Alle partier som har samarbeidet med Høyre opp gjennom historien, og alle partier som skal samarbeide med Høyre i fremtiden, vet samarbeide med Høyre i fremtiden, vet at for Høyre er det helt avgjørende at det er ansvarlighet i den økonomiske politikken. Det er avgjørende for familiene, det er avgjørende for bedriftene. Det er viktig for Høyre, det har vi sagt før, og det kommer vi selvsagt til å gjenta. Alle partier som har ambisjoner om å samarbeide med oss, vet at det er der grensen går. Det klarte vi også å markere da vi satt i sentrum–Høyre-regjeringen fra 2001 til 2005.

Eller er det slik at når Sanner skal sette seg ned med en eventuell regnskapsplattform, må han gi etter, slik at Fremskrittspartiet får den innflytelsen Leirstein mener man skal ha? Så hva betyr reelt sett garantien? Er det sånn også i Sanners hode at mye av lovnadene fra Fremskrittspartiet da må avlyses? Jeg tror også at representanten Breen forstår at eventuelle forhandlinger mellom Høyre og Fremskrittspartiet og andre borgerlige partier ikke skjer på disse to talerstolene. Jeg har klargjort igjen hvor Høyre står i den økonomiske politikken, og jeg tror ikke det er noen utenfor denne sal som er i tvil om det. Jeg tror Arbeiderpartiet hvis de har tenkt å overbevise velgerne om at Høyre på noe tidspunkt kommer til å føre en uansvarlig økonomisk politikk. Men, som sagt, jeg forhandlet selv statsbudsjett med Siv Jensen gjennom fire år. Vi kom frem til gode kompromisser for Norge. En politisk debatt handler ikke bare om hvor mye penger du bruker, det handler også om hvordan du bruker pengene. Det alle de fire borgerlige partiene er enige om, er at vi skal åpne for flere nye løsninger for å løse flere velferdsoppgaver, og at vi skal legge forholdene bedre til rette for verdiskaperne, for små og store bedrifter, for forskningen og for de frivillige organisasjonene. De økonomiske prioriteringene er også viktige. Det er ikke bare hvor mye penger du bruker. Relativt små forskjellar er ingen naturgitt verdi som

ingenting om rettferdig fordeling, ingenting om små sosiale forskjellar, ingenting om å kjempe mot ulikskap. Derimot går politikken i motsett retning. 60 000 kr i skattelette til ein som tener over 3 mill. kr, vil vere resultatet av politikken, nokre hundrelappar til den som tener lite, og har du eit par barn, er det ete opp i januar av auken i barnehageprisen som Høgre legg opp til.

Det handler om at altfor mange ungdommer faller ut av videregående skole, og det handler om at stadig flere, og særlig unge mennesker, faller helt eller delvis ut av arbeidsmarkedet. Det er den store utfordringen og det mulig nye klasseskillet i Norge. Ellers må jeg få lov å bekrefte det representanten Solhjell sier, at at relativt små forskjeller er et resultat av politikk som er ført i tiår på tiår. Det er tiår da Høyre har sittet i regjering – ikke SV. Det er tiår da Høyre har sittet i regjering og vært med og båret frem sosiale reformer i Norge som har bidratt til at relativt små forskjeller er blitt en norsk verdi, en norsk verdi som vi mener det er viktig å ta vare på.

har negative konsekvensar for folkehelse og fattigdom. Det skaper ein auke i sosiale problem og er dermed negativt for sentrale trekk ved det norske samfunnet. Kan eg berre få det avklart: Det er bra at Høgre vil kjempe mot andre forskjellar der dei er einige med regjeringa, men kan eg få bekrefta at Høgre ønskjer auka inntektsforskjellar i Noreg, som statsbudsjettforslaget til Høgre heilt klart legg opp

Høyre. Så reduserer vi formuesskatten for å trygge jobbene, hever minstefradraget, reduserer skatten for dem som eier bedrifter. Det vil bidra til at flere har en trygg jobb å gå til, og at vi kan bære velferden i årene som kommer. Representanten Sanner er opplært til å være frimodig, og frimodigheten tar nå nye veier. En får det inntrykk at Høyres inntektspolitikk, Høyres skattepolitikk legger opp til at en får en større grad av jambyrdighet i det norske samfunnet enn det som er tilfellet i dag. Det er sterkt å høre hvor langt Høyres finanspolitiske talsmann er villig til å gå for å forsøke å etablere en ny språkdrakt som altså skal skjule det som er Høyres program, og det som en da sjølsagt må styre etter. Det er vel ingen tvil om at Høyre er for mer marked og mindre samhold. Finansieringa av det skattekuttet står imidlertid fast. Det skal først og fremst finansieres gjennom en inngått inntektsavtale mellom jordbruket og staten. Mitt spørsmål er: Har ikke Høyre respekt for inngåtte avtaler hvor staten er part? Det er riktig at Høyre reduserer noe på næringsoverføringene, samtidig som vi fremmer en rekke forslag som vil bidra til forbedringer for bl.a. landbruket. Det handler om våre skattereduksjoner, bl.a. ved at vi ved at vi etablerer et eget investeringsfond som vil være gunstig for selvstendig næringsdrivende innenfor landbruket, ved at vi foreslår å fjerne priskontroll, prisregulering og delingsforbud, noe som vil bidra til riktigere verdier på eiendommene i landbruket. Dette er viktige grep i vår landbrukspolitikk. Så foreslår vi å endre tiden for når jordbruksoppgjøret skal inngås, ved at vi foreslår å fjerne priskontroll, prisregulering og delingsforbud, noe som vil bidra til riktigere verdier på eiendommene i landbruket. Dette er viktige grep i vår landbrukspolitikk. Så foreslår vi å endre tiden for når jordbruksoppgjøret skal inngås, at det skal følge selve kalenderåret, og at det inngås før jul. Ellers må jeg konstatere at de rød-grønne partiene åpenbart misliker at det skremmebildet man vil tegne av Høyre, ikke stemmer med virkeligheten. Det stemmer ikke med våre forslag, det stemmer ikke med vår politikk,

Den britiske regjeringen, som vel har enda større utfordringer enn mange andre regjeringer, har kommet med en betydelig kuttliste på de aller, aller fleste sektorer. Det er vel to sektorer som unngår kutt. Det er helse, og det er bistand. For meg er det et veldig sterkt verdisignal fra den fra den britiske regjeringen og den konservative statsminister David Cameron. Hvordan tolker Sanner det verdistandpunktet som den britiske regjeringen har tatt? Det mener jeg er et viktig standpunkt. Høyre er også enig i at vi skal ha en betydelig bistand. I vårt forslag ligger bistanden på omtrent 0,98 Det er et høyt nivå, og det er et høyere nivå enn da vi satt i samme regjering. Så Høyre har bidratt til og støttet en opptrapping av bistanden også etter 2005. Det vi gjør i vårt alternative budsjett, er at vi konsentrerer bistanden. Norge har vært kritisert for at vi sprer bistanden på for mange land og for mange prosjekter. Vi fjerner den bilaterale bistanden til Latin-Amerika, og vi reduserer den bilaterale bistanden bistanden til Asia, med unntak av Afghanistan. Så øker vi bistanden til Afrika. Det er et viktig verdistandpunkt for Høyre at vi konsentrerer bistanden mer om de aller fattigste, om dem som trenger den aller mest. La meg helt til slutt benytte anledningen til å gratulere representanten Syversen med dagen. Den gratulasjonen tiltres av presidenten, og jeg tror av et samlet storting, spesielt ettersom det skjedde innenfor fordelt taletid.

Hvorfor nevne dette i en finansdebatt? Av mange grunner. Mangel på likestilling og respekt for kvinners menneskerettigheter hindrer utvikling av økonomien i store deler av verden. Likevel er det nettopp målene om likestilling og kvinners rett til å bestemme over egen kropp som er de tusenårsmålene verden har kommet kortest i å nå. Det dør en kvinne hvert minutt som følge av uønsket graviditet, farlige aborter og komplikasjoner ved svangerskap og fødsel, fordi kvinner diskrimineres og undertrykkes. I dag, 25. november, er det den internasjonale dagen mot vold mot kvinner. Det passer seg å løfte blikket litt. SV har vært pådriver for at Norge skal bidra med 1 pst. av inntektene våre til bistand. Det klarte vi i fjor, og det er en milepæl for Norge. Like viktig er det hva vi bruker pengene til. SV har vært pådriver for at vi skal bruke mer av bistanden på kvinner og på klima, at vi skal ta opp politisk betente spørsmål, som korrupsjon, skatteparadiser og ulovlig kapitalflukt, og urfolksrettigheter. SV har vært pådriver for at vi skal kreve at kvinner skal ha rett til å bestemme over sin egen kropp, at vi skal støtte opp om kvinner som vil delta i utformingen av samfunnet de lever i. Som et av verdens mest likestilte land har vi mye å stille opp med. Mange lytter til oss. SV vil kjempe hardt mot dem som mener at dette er unødig bruk av penger. Når Fremskrittspartiet kutter en fjerdedel av utenriksbudsjettet, rammes noen av disse viktige satsingene. Vi er skuffet over at Høyre nærmer seg Fremskrittspartiets måte å tenke på, med sine bistandskutt. Vi er helt uenig med dem i at det ikke trengs støtte til ungdom på Haiti, eller at Norge ikke skal bidra til å hjelpe og vi er mildt sagt spørrende til at klimaforlikspartneren vår kutter all støtte til urfolk i Amazonas, når det er urfolk som skal sikre at vi når målene for vern av regnskogen. Norge har mange grunner til å bry seg om hva som skjer utenfor landegrensene. Vi er et lite land, og vi er sårbare, men vi kan også påvirke andre. Det har vært spennende å se hvordan mange land har fått øynene opp for den norske modellen og måten vi organiserer økonomien, arbeidslivet og familien på. Norge har gjennom finanskrisa slått tilbake myten om at en stor offentlig sektor og et relativt høyt skattenivå hindrer vekst og utvikling. Høyre og Fremskrittspartiets råkjør mot offentlig sektor bygger på en bløff, en bløff om offentlig sektor som et hinder for verdiskaping. Sannheten er at offentlig sektor har fungert som en buffer mot arbeidsløshet og utrygghet. Den skattefinansierte velferdsstaten bidrar til vekst og verdiskaping, og den har vært avgjørende for at vi har fått mobilisert den viktigste ressursen vår, nemlig folk – og da særlig kvinnfolk – til å delta med sin kompetanse. Den offentlige likestillingspolitikken som Fremskrittspartiet vil avvikle helt og foreslår massive kutt i i budsjettet for neste år, vekker begeistring i store deler av verden, også blant økonomer. økonomer. Den forhatte skatten – som bl.a. Skatteetaten, som Fremskrittspartiet vil kutte så voldsomt i, sikrer at alle bidrar med – er en forutsetning for sivilisasjon og fellesskap. Flere av de landene som i flere år kuttet skattene for å tekkes kapitalistene, er i dag i dyp krise. Det er ikke rart at folk er rasende. Det er de som må betale prisen for at Det går nesten ikke en dag uten innslag i mediene om voldsomme angrep på lønningene og rettighetene til vanlige folk. Flere av de landene som sliter, ble ansett som markedsøkonomiske mirakler bare for kort tid siden. FrP-ere har valfartet til flere av disse landene og holdt dem fram som forbilder for oss, som land vi bør strebe etter å ligne mest mulig på.

og løfte lærerutdanninga. Eldreomsorgen skal bli bedre, og vi skal rekruttere flere. Næringslivet skal bli grønnere og få flere bein å stå på. Flere skal inkluderes i arbeidslivet. Vi skal få en grønnere bilpark og satse på miljøteknologi. Vi skal ha mer likestilling. Alt dette skal vi jobbe med. SV er klar til å kjempe for mest mulig rettferdighet, mest mulig fellesskap og mest mulig miljø.

Forskjellene mellom kvinner og menn vil bli større. Viljen til å betale skatt vil bli mindre for vanlige folk. Hvorfor skal hjelpepleiere, lærere og industriarbeidere betale til fellesskapet når de aller rikeste slipper? Fjerning av formuesskatten skal skape arbeidsplasser, hevdes det. Men det har vi ingen garantier for. Pengene kan like gjerne brukes til å kjøpe enda større eiendommer, eller havne i skatteparadiser utenlands. Tar vi pengene inn gjennom rettferdig beskatning, kan vi bruke dem til å stimulere til kunnskap, forskning og teknologiutvikling, helse, kultur og barnehager – investeringer for framtida, besluttet av fellesskapet på demokratisk vis. Skattelettene vil dessuten koste enorme summer. De pengene må tas fra et sted. Én del tas altså fra de fattigste menneskene i verden. Mye tas fra såkalt offentlig byråkrati, som f.eks. Skatteetaten, som sikrer at snyltere ikke slipper unna, som avdekker grov økonomisk kriminalitet, og som passer på at fellesskapet har ressurser nok til å finansiere velferden. Milliardene ruller vekk fra næringslivet i distriktene, særlig fra Nord-Norge – med mindre vi snakker oljeboring midt i matfatet; da er man velviljen

SV har vært en sterk pådriver for satsing på barnevernet. Vi øremerker store summer til det kommunale barnevernet neste år fordi vi ikke kan sitte og se på at de mest utsatte i vårt samfunn ikke får hjelp i tide. Da er det bare trist å se hvordan Høyre og Fremskrittspartiet, som neste år vil gi mellom 60 000 kr og 113 000 kr i skattelette tar fram øksa og kutter flere hundre millioner i det statlige barnevernet. De mest utsatte barna i vårt samfunn blir salderingspost. Det er sant at vi har en byråkratiutfordring i statlig barnevern, det sier statsråd Lysbakken sjøl. Men hvis man kutter 400 mill. kr eller 500 mill. kr, kan vi love at det ikke bare er unødig byråkrati som ryker. Da ryker hundrevis av stillinger eller kanskje et par hundre institusjonsplasser eller hele den satsinga som regjeringa har lansert på statlige fosterhjem. Resultatet av opposisjonens forslag vil være at færre barn får de tiltakene de trenger, det vil være lengre fosterhjemskøer, det vil være mangel på gode institusjonsplasser. Det er realiteten. SV setter utsatte barn først. Vi satser tungt på gode oppvekstvilkår for barn fordi en god barndom varer hele livet, og fordi vi ser på det som investeringer for framtida. Det blir replikkordskifte. Næringslivet i Norge skriker etter bedre rammebetingelser. Et av de viktigste tiltakene for å bli konkurransedyktig i forhold til andre land er bedre avskrivningssatser – det er noe norsk næringsliv unisont ber om for å overleve. Ifølge nettsidene til SV sies det at ett av de tre beste tiltakene for småbedrifter er nettopp «bedre avskrivningsregler for å gjøre det lettere for næringslivet å modernisere sin produksjon». Senterpartiet, som er regjeringsparti, sier noe av det samme. Og som vi vet fra tidligere, er Fremskrittspartiet for det, Høyre er for det, jeg tror Kristelig Folkeparti er for det, Venstre er for det – det er flertall for det. Likevel er det ikke flertall når det voteres over her i Stortinget. Er representanten Thorkildsen enig i at det er et demokratisk problem og en kjempeutfordring for norsk næringsliv at det ikke skjer noe med dette? At det er et demokratisk problem, kan jeg ikke slutte meg til, men at det er et forslag som absolutt bør diskuteres også i budsjettene framover, er vi med på. Men jeg har lyst til å sette noen spørsmålstegn ved virkelighetsbeskrivelsen som Fremskrittspartiet kjører fram, nemlig at Norge er et helt umulig land å drive næringsvirksomhet fra, at næringslivet nærmest skriker av smerte hver gang budsjettene legges fram, og at de fleste egentlig ønsker å flagge ut fra dette landet. Det er helt feil. Jeg vil anbefale å lese en kronikk av en professor i økonomi som heter Karen Helene Ulltveit-Moe. Hun skrev nettopp om det og viste til at Norge, faktisk med rød-grønt styre, har klatret fire plasser på den mest anerkjente rankinglisten over hvor gode landene er å drive næringsvirksomhet fra. Vi er det tredje beste landet i Europa, bare slått av Sveits og Sverige. I tillegg er vi verdens beste land å bo i, kåret av FN. Kombinasjonen gode betingelser for næringslivet og at vi faktisk satser på rettferdig skatt, er veldig bra.

den forbindelse har det de siste to årene vært et eget tyttebærpoliti som har passet på dette, ifølge Drammens Tidende – det er noe Drammens Tidende skriver. Det er ikke Securitas-vakter, men en erfaren politietterforsker med bakgrunn fra Økokrim som har som eneste oppgave å passe på området. Faktisk er det tre stillinger som passer på området. I tillegg til en utdannet politimann er det en person fra Statens naturoppsyn og en person som er forvalter i Samtidig vet vi at det er veldig mange stillinger som er ubesatt. Nå er denne stillingen ubesatt, den blir ledig. Stillingen blir utlyst igjen, mens alle andre stillinger i politiet ikke blir besatt fordi det ikke er nok penger. Kan representanten Thorkildsen fortelle meg hva slags alvorlige saker som blir etterforsket i denne skogen? Dessverre, det kan jeg faktisk ikke. Jeg kan derimot si litt om hvorfor det er viktig å ha et skikkelig vern av områder i Norge, og at vi har en offensiv vernepolitikk som også legger til rette for fornuftig bruk, som gjør at folk blir glad i områdene og stiller opp og tar vare på dem framover. Der har vi bl.a. fått til en ny naturmangfoldlov som er helt historisk, og som sikrer at vi nå har en helt annen tilnærming til vern enn det vi hadde før, hvor vi ikke bare har passivt områdevern, men hvor vi også går inn og ser på bl.a. trussel mot arter. Når det gjelder Økokrim, må jeg si at de vil få særdeles store utfordringer hvis Fremskrittspartiet når fram med sine forslag til kutt, bl.a. i Skatteetaten, i Tolletaten og i en del av de tilsynene som bidrar til at vi forebygger kriminalitet. Økokrim skal virkelig få kjørt seg med de budsjettene som Fremskrittspartiet legger opp til.

etter at andelen fattige i Norge har økt under deres regjeringsperiode. 2010 og 2011 er også de årene da antall uføre under 24 år stiger ganske kraftig. Høyre har i sitt alternative statsbudsjett foreslått en tilretteleggingsgaranti for funksjonshemmede som vil inn i arbeidslivet. Problemet for veldig mange funksjonshemmede når de kommer på jobbintervju, er at arbeidsgiverne er skeptisk til hvordan dette skal gå. Høyre foreslår at de har et godkjenningssertifikat som forteller at det ikke er noe problem, staten betaler tilretteleggingskostnadene enten man er blind, har en rullestol, eller hva det måtte være. Hvorfor stemmer SV og Inga Marte Thorkildsen mot en tilretteleggingsgaranti for funksjonshemmede? Noen av forslagene som Høyre har, som gjelder funksjonshemmede, syns vi i SV er bra. Så er det noen av forslagene som Høyre har, som er særdeles dårlige, f.eks. forslaget om å gjøre det lettere med midlertidige ansettelser i arbeidslivet. Det tror vi veier opp ganske grundig for en del av de forslagene som Høyre fremmer som er positive for Når det gjelder spørsmålet om uføretrygd, vil jeg gjerne få lov til å avkrefte en av de mytene som Høyre springer rundt og forteller, nemlig at det er en eksplosjon nærmest i antallet unge uføre. Det stemmer faktisk ikke. Siden 2001 har det vært 94 nye tilfeller netto av unge uføre under 30 år. Det er faktisk ikke så veldig mange, og hvis vi går inn og ser på hva slags sykdommer disse menneskene har, så er det god grunn til å være ganske ydmyk overfor den situasjonen de er i. Andre mennesker som er relativt ydmyke av å stå i rød-grønne køer, er de som faktisk har store rusproblemer. Under den rød-grønne regjeringen, siden 2006, er det nå 4 000 mennesker som kan slite hver dag, med sine familier, istedenfor å bli rusfri.

men organisering er en veldig viktig utfordring. Det er helt klart at når folk som har et langvarig rusmisbruk, endelig får komme inn til avrusning, og så kommer ut derfra igjen og må stå i en lengre kø før de kommer inn til langvarig behandling, så kommer ut derfra igjen og må stå i en lengre kø før de kommer inn til langvarig behandling, er det veldig mange som hopper av i mellomtida og ikke klarer å stå i det. Det at veldig mange heller ikke opplever at de får skikkelig oppfølging eller noe meningsfylt å drive med hvis de f.eks. har kommet inn i et tilbud om legemiddelassistert rehabilitering, er også en oppskrift på at det kommer til å gå dårlig for veldig mange. Så her trenger vi et mangfold av satsinger framover, bl.a. også egen pott for neste år. Det er vi veldig glade for, men vi samarbeider gjerne om å gjøre rusomsorgen bedre. Representanten Thorkildsen har et stort engasjement for omlegging av skatter og avgifter i en grønnere retning. retning. I statsbudsjettet foreslår regjeringen å opprettholde en halv såkalt veibruksavgift på biodiesel. Bioetanol ilegges full avgift ved lavinnblanding, men ingen avgift ved høyinnblanding. Biogass og andre alternative drivstoff får generelt avgiftsfritak. Regjeringens begrunnelse for veibruksavgiften er at bilistene skal betale for de kostnader de påfører fellesskapet gjennom slitasje på veier og gjennom ulykker. Men det er ingen konsistent avgiftspolitikk på dette området, og en direkte konsekvens av regjeringens vingling er at produsenter har måttet legge ned driften, og at satsing settes i revers. Mitt spørsmål er: Er representanten enig i at regjeringen har noe å gå på når det gjelder grønn og konsistent

Men vi sier jo også at vi må sikre fellesskapets inntekter fra bilbruken framover, bl.a. fordi bilbruk fører til veldig mange uheldige konsekvenser for folk bl.a. i byene. Det er jeg helt sikker på at Kristelig Folkeparti er enig i. Til spørsmålet om man har noe å gå på, vil jeg

klimagasser, som representanten vet. Det er ikke bevilget én krone til fremdrift av eventuelle renseplaner i det budsjettet som SV stemmer for i dag. For noen uker siden kom også nyheten om at regjeringen vil tildele nær en million gratis klimakvoter til driften av altså en ren subsidiering med rundt 150 mill. kr av et sterkt forurensende gasskraftverk som SV lovet å rense fra dag én. Spørsmålet mitt til Thorkildsen blir da: Hva er Thorkildsens svar på det? Her svikter man altså først det man har lovet, og så subsidierer man i tillegg. Når det gjelder spørsmålet om rensing av gasskraftverk, er det helt åpenbart

så høyt opp på den internasjonale agendaen. Det er et av de viktigste satsingsområdene våre fortsatt. Venstre har bidratt til det gjennom klimaforliket og bør også være glad for det. Det samarbeidet som vi kan ha om fortsatt å stå opp for rensing av CO2-utslipp fra både gass og kull, må til hvis vi skal klare å få gjort noe med klimaendringene. Det bør vi fortsatt stå sammen om Vi skal kjempe for mest mulig penger til dette også framover, men noen av de gjennombruddene som vi har fått til,

Senterpartiet arbeider for et sjølstendig Norge i et Europa som er åpent mot hele verden, der frie nasjoner med ulike økonomiske systemer utvikler et nært og forpliktende samarbeid. Norge er et lite land med en svært åpen økonomi. Kombinasjonen av et ressursrikt land, stor deltagelse i arbeidslivet og en sterk politisk tradisjon basert på jambyrdighet blant folk har over tid gitt store velferdsforbedringer for folk flest, samt overskudd både på handelsbalanse og statsbudsjett. Vi er enestående privilegert internasjonalt sett. Denne tradisjonen tas vare på og videreutvikles bl.a. gjennom det enkelte års statsbudsjett. Senterpartiet som regjeringsparti i en flertallsregjering har et stort ansvar i et lederskap som må kombinere rotfeste og vinger. De utenrikspolitiske forhold knyttet til sikkerhet og handelspolitikk blir etter vårt syn langt mer krevende i tida framover som følge av en finanskrise som nå går over i nye og enda mer krevende faser, både for internasjonale fora og nasjonalstaten, som har det demokratiske ansvaret for befolkningens trygghet. Den internasjonale finanskrisen er et resultat av mange tiårs økonomisk politikk basert på en ideologi om friest mulig flyt av kapital. Nobelprisvinneren i økonomi James Tobin tok allerede i 1978 til orde for en avgift på valuta- og finanstransaksjoner. Ved eget besøk ved forskningsavdelingen til Det internasjonale pengefondet i Washington i 1995 fikk jeg erfare at de var fullt klar over risikoen ved denne nye økonomiske politikken, som startet å utvikle seg rundt 1980. Økende risiko for ustabilitet skulle dempes gjennom IMFs arbeid med Early Warning og landanalyser av økonomien for, som de sa, å gi et godt værvarsel om hva som er i sikte. Vi erfarer nå at værvarsleren i beste fall ikke har nådd ut med sitt budskap til sentrale statsledere. Med bekymring ser vi i Norge nå hvordan internasjonal økonomi utvikler seg. Store land med vedvarende underskudd på handelsbalanse og statsbudsjett medvirker til rystelser i de internasjonale sikkerhets- og handelspolitiske forhold. Dette vil sjølsagt få konsekvenser for Norge og vår befolkning. Men ut fra vår solide økonomiske situasjon kommer virkningen seinere og svakere enn hos de land som nå opplever at finanskrisen går over i en nasjonal gjeldskrise. En av de største utfordringene for det politiske lederskap i gjeldstyngede land er at befolkningen forstår at det er en stor regning som skal betales. Dette fører til at både bedrifter og privatpersoner øker sparingen og sjøl om offentlige stimulanser var ment å fungere motsatt, nemlig økt privat konsum. I denne situasjonen legger den rød-grønne regjeringa fram et statsbudsjett for 2011 som er nøkternt, men som gir grunnlag for velferdsforbedringer innenfor de fleste departementers områder. Våre mest krevende utfordringer er ut fra Senterpartiets syn knyttet til miljø- og klimautfordringen, samspillet i naturen, vår evne til å bruke hele landet, desentralisering, omstilling av vårt næringsliv til økt satsing på fornybare naturressurser som gir produkter og tjenester med stort verdiinnhold, samt økt fokus på de institusjonelle forhold i samfunnet som medvirker til større økonomisk, sosial og kulturell jambyrdighet blant det norske folk. Mange stiller spørsmålet om hvor oljepengene er blitt av de siste tiåra. Svaret er i all hovedsak offentlige velferdsforbedringer og en enestående privat kjøpekraftsforbedring for dem som har en sterk stilling i arbeids- og næringsliv. Dette har det vært, og er, bred politisk enighet om. Det store spørsmålet er imidlertid: Hva nå? Hva med Norges videre forbruks- og kostnadsnivå sett i forhold til de internasjonale utfordringene? Regjeringspartiene her i Stortinget støtter sjølsagt regjeringas statsbudsjett for 2011. Saksordfører Micaelsen har redegjort for de mange viktige påplusninger i budsjettet. Senterpartiet holder skarpt fokus på kommunenes evne til å gi et godt velferdstilbud, krymping av avstandskostnadene gjennom bedring av kommunikasjonene, omstilling til et mer grønt næringsliv og skatt etter evne, samt en mer nøktern realinntektsutvikling for privatpersoner. Finanskomiteens flertallsinnstilling viser at vi konkret har uttrykt utålmodighet på to sentrale områder, for det første omstilling i næringslivet i en mer framtidsrettet grønn retning. Spesielt har vi her fokus på at bevilgninger til Innovasjon Norge holdes på et høyt nivå, der investeringsstøtten til miljøteknologi, herunder utvikling av 2. generasjons biodrivstoff og det nye miljøteknologiprogrammet, er viktig bidrag. Vi er spesielt opptatt av at programmet skal bidra til å skape nye arbeidsplasser i Norge innenfor bl.a. nye energiteknologier, klimavennlig drivstoff og andre teknologier som reduserer klima- og miljøutslipp.

En viktig del av løsningen på klimatrusselen er fotosyntesen med plantenes evne til å ta opp karbondioksid fra lufta. Dess bedre vekstevne vi gir plantene gjennom vår biologiske kunnskap, dess bedre for klima. Dette vil i sin tur gi økt produksjon av planter og trær som vi trenger, og som vil erstatte karbon fra ikke-fornybare karbonkilder. Her ligger enormt positive perspektiver. perspektiver. I denne sammenhengen er det sterkt å erfare at Høyre og Fremskrittspartiet gjennom sine budsjettforslag viser at de brutalt økonomisk motarbeider de mange næringsdrivende i den primære planteproduksjonen som har denne rolle i dagens og framtidas næringsliv. De foreslår dramatiske kutt i allerede inngåtte avtaler hvor staten er part. Det andre området hvor komitéflertallet uttrykker utålmodighet, er oppfølging av Nasjonal Bevilgningene til NTP-formål innen vei, jernbane og sjøtransport øker med 2,6 mrd. kr sammenlignet med nivået i saldert budsjett for 2010. Regjeringsflertallet påpeker at dette er i tråd med tidligere kommunisert opptrapping av NTP, men understreker likevel at det framstår som en krevende oppgave å realisere alle prosjekter i gjeldende transportplan. Det er en viktig oppgave i statsforvaltningen å få mest ut av hver krone. Det påligger her de ulike departementer, direktorater, tilsyn og statlige foretak å etterstrebe høyest mulig kvalitet innenfor deres respektive vedtatte rammer. Den teknologiske utviklingen gjør det mulig for det offentlige å spare penger på enkelte områder, som kan brukes til andre og mer ønskelige formål dersom det fra politisk hold legges fram en enkel og klar strategi med konkrete målsettinger for de enkelte virksomheter. Senterpartiet vil understreke viktigheten av at det fra politisk hold blir gjort mer for å fornye offentlig sektor. Finansministeren trakk fram den effektiviseringsprosessen som er skjedd ved Statens lånekasse for utdanning, ved framleggelsen av statsbudsjettet. Senterpartiet vil understreke dette som et godt forbilde hvor en ved modernisering av Lånekassa både oppnådde høyere kvalitet, redusert saksbehandlingstid, reduksjon i driftskostnader på 50 mill. kr i forhold til 2005-nivået og reduksjon i antall årsverk på 70 ved hovedkontoret i Oslo. Vi ser at slike prosesser tar tid, at det må starte i det små, og at noen av de innsparte pengene kan brukes av virksomheten til å gjennomføre fornyelsen. Et nøkkelpunkt i denne prosessen vil være klar ansvarsfordeling mellom ulike offentlige etater i eksempelvis vedlikehold av nøkkelinformasjon om personers faktiske situasjon. Regjeringas budsjettforslag

Denne forenklingen var mange glade for, ikke minst i Skatteetaten. Særfradrag for store sjukdomsutgifter er nå et eksempel på en sak som er overmoden for forenkling. Det burde være mulig å lage ulike økonomiske sjablonger ut fra medisinske diagnoser for inntektsfradrag i skatten og/eller refusjon fra staten. Dette venter bl.a. mange diabetikere på.

Om lag 70 pst. av AFP- og alderspensjonistene får neste år en skattelette som følge av endringene. Samlet gis det en stor skattelette, og det vil bli overgangsordninger for eksisterende pensjonister med svak skatteevne. Som en del av evalueringa av skattereformen skal Finansdepartementet vurdere om skattereglene likebehandler enkeltpersonforetak og aksjeselskaper sett i forhold til bl.a. ulikt økonomisk ansvar. Det vil bli vurdert en ordning hvor inntekter i enkeltpersonforetak kan avsettes i se på forskjeller i sosiale rettigheter mellom lønnsmottakere og enkeltpersoner. Regjeringa vil legge dette fram i statsbudsjettet for 2012. Det er viktig reformarbeid for et allsidig næringsliv med mange sjølstendige næringsdrivende, som mange snakker varmt for. Det blir åpnet for replikkordskifte. Min påstand er at de regjeringene som Senterpartiet har sittet i, har svekket Distrikts-Norge år for år. De har foreslått mer penger til

Vi opptrer som en oter, for å si det på det språket, i alle sammenhenger for å sikre at den forankringa ivaretas. Det som er den store utfordringa nå, er å gi godt utdannet ungdom godt betalt arbeid og trygge arbeidsplasser ute i distriktene. Kjernen ligger i å foredle naturressursene som distriktene har så mye av, ikke minst de fornybare naturressursene, foredle naturressursene som distriktene har så mye av, ikke minst de fornybare naturressursene, gjennom industrielle prosesser og andre produksjonsprosesser og å styrke kommunikasjonene, slik at avstandskostnadene reduseres. Det er to kjerneområder som Senterpartiet arbeider for, og vi setter våre klare fotspor på det budsjettet som i dag

Og hvorfor kan ikke denne politimannen brukes på andre kjente, alvorlige kriminalsaker? Den stillinga som det her refereres til, var en del av den samlede avtalen som ble inngått mellom lokalsamfunnet og Stortinget i forbindelse med vern av Trillemarka. Det som var spørsmålet, var hvilken forvaltning en skulle ha av Trillemarka naturreservat. Vi har Statens naturoppsyn, og vi har politiet, lensmannsinstitusjonen, med sine oppgaver. Det var et sterkt ønske fra lokalsamfunnet at en skulle ha en nær tilknytning mellom oppsynet med og trygghet for de verdiene som lå der, og den lokale politimyndigheten. Den personen som har det som oppgave, skal sjølsagt også medvirke i det ordinære politiarbeidet i de omkringliggende områder for å sikre at det blir trygghet og utvikling i tråd med det som er norsk lov, og det som er gitt av Stortinget. Representanten Lundteigen er som

forskningen. Så går representanten Lundteigen ut i Finansavisen og sier at da skal han bli aksjemegler, og at han skal skaffe kapital til dem som vil satse videre. Jeg lurer på hvordan det går med Lundteigen som aksjemegler. Det tror jeg må være en misforståelse. Det kjenner jeg ikke igjen. At jeg i noen situasjon kan ha uttalt meg på den måten, er rimelig fjernt fra min erfaringsbakgrunn og mine framtidsdrømmer! Derimot er det ganske sentralt at Senterpartiet, jeg og regjeringa er en pådriver for å komme opp med offentlige, positive økonomiske virkemidler for å sikre at vi kan få kommersialisert nye produksjonsprosesser som gir miljøvennlige produkter. produkter. Vi er veldig stolte av at Innovasjon Norge nå har et slikt program på gang. Vi er veldig stolte av at det kanskje kan medvirke til at Borregaard nå kan kommersialisere nye produksjonsprosesser, og det er et selskap som har gjennomføringsevne når det gjelder dette. Vi er i front på dette, erfarer at Høyre er med oss, og det er hyggelig. Ja, da får vi se det går, for det er åpenbart at her tok man bort en ganske stor mulighet for mye av primærnæringen i Norge. Siden representanten Lundteigen også er veldig opptatt av kapital, må det jo framstå som et paradoks for Senterpartiet at man siden 2005 har vært med på å doble formuesskatten på arbeidende kapital. Det er en beskatning som rammer ganske hardt i primærnæringene. Og det er godt gjort at representanten Lundteigen i lys av det klarer å framstille Høyres alternative budsjett som dramatisk i forhold til landbruket. Jeg tør påstå at det bare er et retningsskifte. Vi vil ha mer selvstendige bønder. Men hvordan ser da Lundteigen på en fordobling av formuesskatten på arbeidende kapital i lys av at både Bondelaget, Skogeierforbundet og Norskog er med i den grupperingen som jobber hardt for å få fjernet formuesskatt på arbeidende kapital? For det første ligger det uante positive perspektiver til grunn for alle som driver med grønne planter i Norge. Det sa jeg i innlegget mitt, og det står jeg fast ved. Vi vil erfare at der kommer det mye positivt framover, ikke minst internasjonalt ser vi det. Punkt 2: Det er riktig – Høyre og Fremskrittspartiet foreslår svekkelse av økonomien i jordbruket i Norge, men prøver nå å framstille det som at nei, det er ikke svekkelse, det er tvert imot styrkelse. Representanten Gundersen kan gå ut til yrkesutøverne og spørre om hva som er deres svar, og om de forstår politikk på en så forkjært måte. Så var det spørsmålet om arbeidende kapital og formuesskatt. Jeg har sagt det mange ganger: Formuesskatt er en ekstra skatt på arbeidsfri inntekt utover en viss størrelse. Det er det historiske grunnlaget. Den kapitalen som ikke gir en arbeidsfri inntekt, er det ikke riktig å formuesbeskatte. Derimot bør finanskapital sjølsagt beskattes utover et visst nivå, for det foreligger jo ikke noe arbeid fra den som har finanskapitalen.

Viktigheten av å flytte tilsyn til regioner utenfor Oslo-området er stor i forhold til regional utvikling. Tall fra SSB i 2009 viser at Oslo, Akershus og Hordaland har fått over halvparten, 56 pst., av nye statlige arbeidsplasser de siste fire årene. I denne regjeringsperioden er det vedtatt å flytte ut, eller nyetablere, 450 statlige arbeidsplasser. Er representanten Lundteigen fornøyd med denne innsatsen når det gjelder utflytting av statlige

Vi i Senterpartiet tror det kanskje er lettest å få det til i forbindelse med omstillinger og oppbygging av nye organisatoriske former, slik at det dermed blir mindre personlige belastninger for dem som er knyttet til etaten i dag. Men svaret er: Vi er utålmodige på det området og arbeider målbevisst for at vi skal få flere av denne type arbeidsplasser spredt over hele landet ved at vi får moderne kommunikasjoner knyttet til ressursrike personer, som vi nå har over hele landet gjennom et godt utbygd

regjeringspartienes finansinnstilling er 100 mill. kr øremerket til omstilling av treforedlingsindustrien vår, slik at vi kan starte bygging av flere anlegg for 2. generasjons biodrivstoff basert på trevirke. På treforedlingsspråket er dette kalt 2. generasjons biodiesel eller og bioetanol eller tresprit. Dette er bra, og det er en forsiktig start på en ny epoke fra Regjeringas side.» Denne nye epoken førte til at en bedrift som Lundteigen eksplisitt skulle redde, nå er under avvikling, som representanten Gundersen også sa. Lundteigen sluttet sitt innlegg i fjor med følgende: «Imidlertid vil en regjering som ikke vekker begeistring og framtidshåp hos alliansens mange pådrivere, forvitre ganske snart.» Så mitt spørsmål til Lundteigen blir da: Er denne regjeringen i ferd med å forvitre, slik som Lundteigen spådde i fjor? Når det gjelder det temaet som her er tatt opp, nemlig biodrivstoff, Så mitt spørsmål til Lundteigen blir da: Er denne regjeringen i ferd med å forvitre, slik som Lundteigen spådde i fjor? Når det gjelder det temaet som her er tatt opp, nemlig biodrivstoff, har regjeringa ved det framlagte budsjettet i år vist at den har korrigert kursen på det punktet. En har ikke økt biodieselavgifta til det nivået som det ble sagt i fjor at en skulle gjøre. Dette er sjølsagt en endring som ikke minst opposisjonen må merke seg. Det som dessverre ble situasjonen, var at det økonomiske fundamentet som denne bedriften hadde, og den teknologien som den bygde på, til sammen var for svake til at en så det kommersielt mulig å utvikle bedriften videre, til tross for at den burde ha kommet inn under det investeringsstøtteprogrammet som regjeringa la til rette for gjennom Innovasjon Norge. så det kommersielt mulig å utvikle bedriften videre, til tross for at den burde ha kommet inn under det investeringsstøtteprogrammet som regjeringa la til rette for gjennom Innovasjon Norge. Her var altså hovedårsaken den manglende økonomiske basisen i Synergo og en teknologi som viste seg å være for svak i forhold til alternative teknologier ellers. Replikkordskiftet er omme. Vi

mye. Hvert år vil Stortingets høringer og behandlingen her i salen utgjøre liten eller ingen forskjell på regjeringens opprinnelige forslag. I år tror jeg det er på litt under 1 promille, eller der omkring. Og hvert år betyr dette at det som for så vidt er et godt utgangspunkt, forblir godt. Men det kunne vært mye bedre, hvis man hadde vært villig til å lytte litt Nå skal det sies at hovmesteren i hvert fall i år ikke har snublet så heftig som man gjorde under fjorårets biodieselsak. Tvert imot bør regjeringen ha honnør for å legge opp til et rimelig stramt budsjett, som kan bringe oljepengebruken tilbake til handlingsregelens 4 pst.-bane neste år. Særlig i forhold til situasjonen i stadig flere europeiske land – det er jo bare å se på utviklingen i Irland de siste dagene skjønner vi at vi er i en helt ekstremt heldig situasjon her hjemme. Men det forutsetter at vi makter å føre en ansvarlig økonomisk politikk, som også gir stabilitet og forutsigbarhet for næringslivet. I så måte kunne jeg ønske meg en langt mer offensiv regjering når det Det kan være investeringer i vei og jernbane, bedre SkatteFUNN-ordning, fjerning av arveavgiften for familiebedrifter og halvering av arbeidsgiveravgiften for nye lærlinger, som noen eksempler, for å sikre at vi fortsatt har et godt og trygt næringsliv som vi kan lene oss på fremover. Kristelig Folkepartis alternative statsbudsjett har om lag samme oljepengebruk som regjeringen, men en tydeligere profil å skape, etter vår mening, et varmere samfunn – et samfunn som tar bedre vare på de eldre og på dem som har minst fra før, et samfunn som også legger bedre til rette for barnefamilier, frivillige organisasjoner og småbedrifter. De eldre er en klar prioritet for Kristelig Folkeparti i dette budsjettet. Vi foreslår 1 mrd. kr ekstra for å sikre en mer verdig eldreomsorg: flere sykehjemsplasser flere muligheter for de eldre til å ha livskvalitet på sine siste dager. Dette er viktige deler av avtalen om en verdighetsgaranti for eldreomsorgen, som Kristelig Folkeparti inngikk med regjeringspartiene og Venstre i 2007. Kommunene må kompenseres for de økte utgiftene dette medfører. Vi vil også ha fortgang i etableringen av dagtilbud for hjemmeboende demente. Dette er en forsømt gruppe,

barnevernet. Den grove diskrimineringen av studenter og andre foreldre som ikke har opptjent rett til foreldrepermisjon, må opphøre. Det er uverdig at disse foreldrene tilbys en engangsstønad på 35 000 kr, mens foreldre som har opptjent rett til foreldrepermisjon, kan få over kr. En rapport fra Rikshospitalet viser at halvparten av etnisk norske Oslo-kvinner under 25 år som blir gravide, velger å ta abort. Rapportens forfatter, professor Anne Eskild, mener at det er en klar sammenheng mellom dårlig økonomi og det at man velger å ta abort. Ordningene oppmuntrer til færre og senere fødsler og gir inntrykk av at arbeidstakeres barn er mer velkomne enn barn av attføringsmottakere og studenter. Kristelig Folkeparti kan i likhet med tidligere statsminister Kåre Willoch ikke forstå at det ikke er flere som ser dette urimelige hullet i vår velferdsstat. Vi foreslår derfor å øke engangsstønaden ved fødsel og adopsjon til 75 000 kr og har et mål om å øke den til 150 000 kr innen 2013. Vi ønsker også en ny kurs i skolepolitikken. De siste årene har regjeringen prioritert feil ved å bruke milliarder på flere undervisningstimer. Vi mener at læreren er skolens viktigste ressurs, og vil derfor bruke de store pengene på nettopp lærerne. Vi ønsker å øke lærertettheten. Vi vil også ha en mer ambisiøs satsing på etter- og videreutdanning for lærere. Kristelig Folkeparti satser dessuten på leksehjelp i kommunal og frivillig regi, tiltak mot frafall i videregående skole samt på skolehelsetjenesten. Høyere utdanning styrkes fra vår side gjennom satsing på flere stipendiatstillinger, bedre veiledning til studenter, bedre praksis i profesjonsutdanningen og 25 mrd. kr mer til Forskningsfondet. Det er fortsatt atfor mange fattige i vårt land. Vi øker derfor bevilgningene til fattigdoms- og rustiltak med over 1,5 mrd. kr. Med over 4 000 personer i kø for rusbehandling er det for meg en gåte hvordan regjeringen heller ikke i årets budsjett prioriterer slik at denne køen kan minke og ikke øke. Kristelig Folkeparti er en varm forsvarer av en av de viktigste bærebjelkene i vårt samfunn, nemlig de frivillige organisasjonene. Det trengs. Regjeringen foreslår at mindre tros- og livssynssamfunn skal miste gavefradragsordningen, og størrelsen på fradraget utvides følgelig ikke. Dette gjør vi noe med i vårt alternative budsjett. Så til noe vi har hatt en lang debatt om i denne salen denne høsten. Vi er i en situasjon hvor ideelle helse- og omsorgsinstitusjoner er i ferd med å bli rasert under det rød-grønne styret. Det offentlige bygger ut sine tilbud samtidig som store kommersielle aktører overtar en stadig større del av det mange i dag kaller «markedsandeler». Men innenfor helse- og omsorgssektoren er det ikke alt som egner seg for markedstenkning, konkurransetenkning og prisfokus. Rusmisbrukere, barnevernsbarn og eldre som bruker disse tilbudene, trenger først og fremst stabilitet, langsiktighet, omsorg og verdig behandling. Likevel ser vi – og det under et rød-grønt regime – at markedstenkningen brer om seg. Det er ikke noe pent syn. Det siste eksempelet fra denne byen er Oslo et spesialisert, psykiatrisk tilbud for kanskje de tyngste brukerne. Helse Sør-Øst raserer tilbudet. De setter en strek over mange hundre års virke ved denne institusjonen. Helseministeren sitter og ser på, gjør absolutt ingen ting. I tillegg til de sakene jeg allerede har nevnt, prioriterer Kristelig Folkeparti økt bistand til fattige land, land, en markert grønnere skatte- og avgiftsprofil og satsing på fornybar energi. Når det gjelder fattigdomssatsingen som går utenfor våre egne grenser, må jeg si at i en situasjon der svært mange andre land kutter i sine bistandsbudsjetter, skulle det bare mangle om ikke Norge tar sin del av ansvaret og øker sin andel av denne innsatsen. Jeg må si at det er virkelig skuffende virkelig skuffende å oppleve at partier i denne sal velger å bruke det som salderingspost. Jeg skulle ønske at denne budsjettbehandlingen hadde gitt noen flere utslag – fra budsjettet ble fremlagt til vi får votert ferdig her senere, i kveld. Det er vel rundt 100 mill. kr som det blir gjort noe med. Og mye av det som endres på – den promillen det som endres på – den promillen – er bra. Jeg ser at en del av forslagene til forveksling er like forslagene som fremkommer i vårt alternative budsjett, så det kan vel hende at man har kikket litt både her og der. Men like fullt må jeg si at fortsatt er Stortingets budsjettbehandling blitt, hva skal vi si, en litt rar prosedyre, veldig lite i realiteten skjer. På lang sikt tror jeg ikke det er noen fordel for vårt demokrati. Jeg tar opp våre forslag og de forslagene vi fremmer sammen med andre partier. Representanten Hans Olav Syversen har tatt opp de forslagene han refererte til. Det blir replikkordskifte. På bakgrunn av mange oppslag, senest i dag, der de to største partiene på borgerlig side så til

i motsetning til de andre borgerlige partiene, heller ikke denne gangen har skattelettelse til de rikeste på toppen av sin prioriteringsliste. Hvilke andre grunnleggende forskjeller ser representanten Syversen mellom sitt parti og f.eks. Fremskrittspartiet? Og plasserer Kristelig Folkeparti seg med sitt alternative budsjett nærmere regjeringspartiene enn Fremskrittspartiet?

advare – etter som man ser det – representanten Kristoffersen med å si at vi står trygt plantet i sentrum. Faktisk har jeg ikke noe behov for å relatere alle andre partiers budsjetter til vårt budsjett. Vi står klart på vårt alternativ. Så registrerer vi at det er likheter og ulikheter ved regjeringens forslag og forslagene som de øvrige opposisjonspartiene har fremmet. fremmet. Det er vel sånn som det pleier å være, sånn som det var under regjeringen Bondevik II, og sånn som det er under denne regjeringen, at man fremmer sine respektive forslag. Vi er et sentrumsparti og har tenkt å forbli det. Representanten Syversen sa i et tidligere replikkordskifte at det var mye gjenkjennelig Høyre-politikk i representanten

Høyre foreslår dramatiske kutt i regionale utviklingsfond, nærmere bestemt 1,5 mrd. kr, og har som mål på sikt å legge ned fylkeskommunen. Det samme har Fremskrittspartiet. Det er de en garantist for. Hvor sterkt står fylkeskommunen og distriktspolitikken i Kristelig Folkeparti – er Kristelig Folkeparti en garantist for fylkeskommunen, og er den verdt å kjempe for?

som fylkeskommunen skal ivareta, blir ivaretatt på en god måte. Vi er for et regionalt ledd i vår styring av dette landet, det tror jeg representanten Opheim er fullt og helt på det rene med. Når det gjelder distriktspolitikk, må jeg også si at vi må nesten returnere litt. Representanten Thürmer tok opp i et innlegg her hvordan det står til med de ambisiøse målsettingene som regjeringspartiene har, og hvor lite resultat man faktisk kan vise til når det kommer til stykket. For meg er det viktigere å vise til resultater enn til hvilken overskrift en setter på den enkelte enhet.

mulighet for utvikling. Men det som jeg tok opp i mitt hovedinnlegg, og som vi er veldig opptatt av, er spørsmålet om kvinners reproduktive rettigheter. Inn i det vil jeg tro at også Kristelig Folkeparti har litt problemer med å kunne slutte seg fullt ut til en linje der vi fra regjeringas side jobber internasjonalt for at kvinner bl.a. skal kunne velge å ta abort. Eller er det slik at Kristelig Folkeparti ser at det er behov for å ta oppgjør med en del av de religiøse kreftene, både kristne og muslimske, som nå truer kvinners mulighet til å bestemme over sin egen kropp? Hvis jeg først får ta noen ord om Norfund, f.eks., som et ledd i regjeringens politikk for for kanskje å bidra til utvikling i mange land som virkelig trenger utvikling, kan representanten Thorkildsen der se litt på hvilke muligheter regjeringen ser for å sørge for at dette instrumentet faktisk ikke investerer fra skatteparadiser. Så har jeg gitt den hilsenen tilbake. Når det gjelder kvinners reproduktive rettigheter, at representanten Thorkildsen og et enstemmig storting respekterer hvert enkelt lands rett til å bestemme sin egen lovgivning når det gjelder rettsvern for det ufødte liv. Så betyr ikke det at man ikke f.eks. skal se på prosjekter som bidrar til at man kan få gode forhold rundt mødrehelse – det er vi helt for – men vi akter ikke å komme fra Norge og fortelle andre land hvordan de skal forholde seg til abortlovgivning. Senterpartiet og Kristelig Folkeparti er

Når en så leser Kristelig Folkepartis alternative budsjett, vil en se at Kristelig Folkeparti har latt seg lokke i den fellen å drive med øremerking, og faktisk har hele 30 mrd. kr mer som er øremerket, enn det regjeringen har i sitt framlegg. Mitt spørsmål er: Har ikke Kristelig Folkeparti troen på lokaldemokratiet og lokale til å prioritere pengene på en minst like god måte som vi gjør i denne sal? Jo, det har vi. Representanten Pollestad nevner de 30 milliardene; det skyldes i all hovedsak at vi ikke innlemmer barnehagetilskuddet. Og hvorfor gjør vi ikke det? Det er det flere årsaker til. Blant annet er det fordi vi fortsatt ikke har likeverdig behandling av private og offentlige barnehager. Før det er helt på plass, synes vi ikke det er noen god idé å innlemme barnehagetilskuddet, for det kommer til å gå ut over særlig de private barnehagene og de mindre barnehagene, som vi absolutt trenger. Men hvis regjeringen kunne presentert et opplegg som sikret det, kunne situasjonen vært noe annerledes. Og ett poeng til: Da regjeringen presenterte sine kriterier for fordelingen av barnehagetilskuddet, hva så vi da? Jo, de kommunene som har en stor grad av arbeidere og folk med lav utdanning i sine kommuner, blir straffet av den rød-grønne regjeringen gjennom et lavere barnehagetilskudd enn andre kommuner. Det tror jeg at også mange i den rød-grønne leiren lurer på hvordan man kan

samlivskurs. Da er mitt spørsmål: Hva er det som gjør at representanten Syversen er bedre i stand til å prioritere de private og mindre barnehagene, og er bedre i stand til å prioritere midler til samlivskurs, enn det ordføreren fra Kristelig Folkeparti, Arnfinn Vigrestad, i Time kommune er? Når jeg nå hørte hvem som er ordfører i Pollestads kommune, er jeg helt enig, han er heldig! heldig! Jeg er klar over at han ikke tar gjenvalg. Men han får nyte de siste månedene, i alle fall! Så igjen til barnehagetilskuddet og til samlivskurs: Hvis barnehagetilskuddet og kriteriene for fordelingen av det til kommunene hadde vært rettferdig, hadde også vi sagt at da er vi absolutt villig til å se på en overføring via rammen. Når det gjelder samlivskurs, så små tilskudd at den enkelte kommune svært ofte ikke vil komme med tilbudet, fordi det rett og slett ikke er tilpasset en kommunestørrelse som vi har. Derfor synes vi at det er ett av områdene hvor det er helt rimelig at vi har sentrale tilskudd, også

Venstres alternative statsbudsjett for 2011 innebærer noen tydelige prioriteringer og en markant politisk vilje til å prioritere fremtiden. Venstres fem viktigste prioriteringer er: en gjennomført satsing på flere arbeidsplasser, særlig i det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet, kombinert med en politikk for å få flere i arbeid, både gjennom skattesystemet og gjennom budsjettiltak en kraftig og målrettet satsing på forskning og utdanning en gjennomgående styrking og satsing på miljø- og klimavennlige løsninger, med spesiell vekt på jernbane, kollektivtransport og tiltak for å redusere de norske klimautslippene fattigdomsbekjempelse, spesielt blant barn og unge

innenfor områder som kunnskap, miljø og verdiskaping. Dette er de områdene Venstre velger å bruke de store pengene på. Vi foreslår derfor en målrettet satsing på nær sagt alle områder for å skape flere arbeidsplasser, og for å få flere i arbeid. Ikke minst har vi mange målrettede tiltak for selvstendig gjennom forenklingstiltak og forslag om bedre sosiale ordninger. Det nytter ikke med masse retorikk om å utvikle velferdsstaten, dersom hele fundamentet for velferdsstaten forvitrer. Vi må ha økt verdiskaping, og vi må ha flere over fra stønad til arbeid skal vi klare å bevare gode velferdsordninger også for kommende Et godt eksempel på regjeringens feilslåtte prioriteringer er at regjeringen i stedet for å prioritere flere og bedre lærere, bruker de store skolepengene til lovpålagt leksehjelp og en halv banan, og til å utvide skoledagen med lærere som ikke finnes. bruke om lag 0,5 mrd. kr på tiltak for økt kompetanse og rekruttering av lærere. I tillegg har vi en målrettet satsing på å få flere spesialpedagoger og mer helsepersonell inn i skolen, slik at lærerne skal få frigjort mest mulig ressurser til undervisning. Venstre foreslår også en økt satsing på forskning, universiteter og høyskoler med over

Derfor foreslår vi en kraftfull omlegging fra rød til grønn skatt på 5,6 mrd. kr. Det må bli mindre lønnsomt å forurense. Gasskraftverkene som skulle renses fra dag én, skal i hvert fall ikke få lov til å forurense tilnærmet gratis, slik regjeringspartiene vil, og Venstre foreslår i tillegg en samlet satsing på miljø- og klimatiltak på 2,7 mrd. kr, hvorav en viktig og målrettet satsing på kollektivtransport og jernbaneutbygging utgjør 1,2 mrd. kr. Jeg vil gjerne gi SV rett på et viktig punkt. Et av de viktigste fattigdomstiltakene vi er å øke sosialhjelpssatsene og å ha en statlig fastsatt minstenorm. Problemet til SV – og i og for seg til resten av regjeringspartiene – er at man konsekvent stemmer mot en slik politikk i Stortinget. Venstre foreslår å bruke 815 mill. kr på å øke sosialhjelpssatsene, slik at en enslig sosialhjelpsmottaker med ett barn får om lag 1 500 kr mer å hver måned. Det kan være en avgjørende forskjell når det gjelder livskvalitet og ikke minst selvbildet. Jeg tar til slutt opp Venstres mange forslag i innstillingene. Representanten Borghild Tenden har tatt opp de forslag hun refererte til. Det blir replikkordskifte.
I dag har me hørt masse om turtelduene i Høgre og Framstegspartiet som ønskjer å samarbeida, men i Dagbladet kunne me òg lesa at Høgre-leiaren gjerne ville ha med seg Venstre på dette store samarbeidet. Men i førre stortingsperiode garanterte dåverande partileiar Lars Sponheim at Venstre ikkje ville samarbeida om statsbudsjett med ei regjering der Framstegspartiet er med.

Det tyder på at Venstre mener at regjeringen har valgt en god tilnærming for å møte den økonomiske utviklingen framover. Mitt spørsmål er simpelthen: Føler Venstre at de har mer til felles med Arbeiderpartiet og regjeringspartiene enn med Fremskrittspartiet i den økonomiske politikken? Igjen: Vi har mye til felles med Arbeiderpartiet. Vi har samarbeidet godt med dem på de på de områder som jeg nevnte til representanten Eldegard i stad. Klimaforliket er et glitrende eksempel på hvordan vi kan få til gode og langsiktige løsninger. Det er faktisk ganske viktig at man får til gode, solide og langsiktige løsninger, så det er Venstre for. Men når det gjelder å sitte i regjering med f.eks. Arbeiderpartiet, hvis det er det representanten prøver å lokke fram, er nok det uaktuelt. Men til tross for det kan vi samarbeide om gode løsninger. Vi står, som jeg sa i stad, på vårt alternative budsjett, som jeg faktisk er veldig stolt over, for vi gjør noen grep for fremtiden. Den største kritikken min mot det forslaget som får flertall her i dag, gjelder fremtiden. Jeg skulle ønske at vi kunne se hvilken profil vi skal ha, i hvilken retning vi skal gå, og at vi kunne tenke på kommende generasjoner, ikke bare leve i nuet og gjøre det godt for oss voksne som bor her i dette landet nå.

i formuesskatten og for at ulike formuer verdsettes etter reell verdi. Venstre foreslår i sitt alternative statsbudsjett, som representanten Tenden flere ganger har påpekt at hun er veldig stolt av, å gjeninnføre aksjerabatten. Å gjeninnføre aksjerabatten er et ekstremt målrettet tiltak for å redusere formuesskatt for våre aller rikeste. Er representanten Tenden like stolt av dette? Og kan hun forklare hvorfor dette er et prioritert tiltak for Venstre? Og kan representanten Tenden gi et svar, som hun selv tror på, på hvordan målrettet skattelette til landets aller rikeste kommer vanlige folk til gode? Jeg mener det er helt rett å gjeninnføre den aksjerabatten. Det var helt feil av regjeringen Stoltenberg å fjerne den. Årsaken til det er rett og slett hensynet til næringslivet. Vi ønsker også å redusere formuesskatten, som representanten sikkert vet. Det er også for å styrke det norske næringslivet. Vi skal investere, næringslivet. Vi skal investere, vi skal trygge, og vi skal satse på dem som ønsker å eie norske bedrifter. Det er årsaken til at vi ikke vil fjerne aksjerabatten, som jeg ble utfordret på her. Det er årsaken til at vi vil fjerne formuesskatten på sikt. Det er årsaken til at vi har lagt inn masse gode skatteincentiver for fremtidige ufødte bedrifter. Jeg ble veldig skuffet over innlegget fra SV her i dag. Det fra SV her i dag. Det var ikke ett ord om verdiskaping! Så hva SV tenker vi skal leve av i fremtiden, er jeg veldig usikker

Mitt spørsmål er knyttet til halvering av fradraget for fagforeningskontingent. Det betyr 520 mill. kr i økt skatt. Historisk har Venstre vært opptatt av en balanse i nærings- og arbeidslivet, en balanse mellom interessene til produsent og handelsstand, mellom lønnsmottaker og eier. Etter at Sponheim ble en toneangivende kraft, ble det en politikk som la mindre vekt på fagorganisering.

Takk for det spørsmålet. Jeg hadde for så vidt forventet det. Det er slik at vi går tilbake til den støtten som vi hadde under Bondevik II-regjeringen. Vi mener det er der den skal holde seg og være. Dette er en kryssubsidiering mellom regjeringen og fagforeningene. Man får noe, og så gir man noe. Og så er det jo også slik, som representanten Lundteigen burde ha vært mer opptatt av, at det er en urettferdighet i dette. Jeg ville tro at Lundteigen er for gründere og selvstendig næringsdrivende, men det er noe som ikke stemmer helt når noen skal få store subsidier, mens andre ikke har muligheten til å få

stimulere en organisering av arbeidsliv og næringsliv, slik at vi får ryddige og jambyrdige forhold mellom partene. Det har tidligere vært Venstres linje, men etter at Venstre har nyorientert seg i markedsøkonomisk retning, har denne måten å redusere fagbevegelsens kraft på kommet opp, gjennom å ta vekk de skatteordningene som den rød-grønne regjeringen nå har fått til.
representanten Lundteigen med at kunnskapen om dette er inne hos representanten Tenden. Det kan jeg berolige ham med. Men det er jo faktisk slik at de fleste i offentlig sektor er medlem av fagforeninger. Det er jeg helt sikker på at også Lundteigen innrømmer, hvis han tenker seg om. Igjen: Vi går tilbake. Politikk er prioritering. Vi prioriterer ikke dette. Vi prioriterer ikke dette. Vi prioriterer mye annet, bl.a. gründervirksomhet, vi prioriterer forskning, og vi har et grønt skatteskifte som gjør at vi prioriterer mer miljøvennlig atferd. Slik er politikken. Vi prioriterer ikke subsidiering av fagforeninger. Vi prioriterer annerledes, som jeg også redegjorde for i mitt innlegg.

Norge framstår i den sammenhengen. Vi har kommet gjennom finanskrisen på en god måte. Vi har den laveste arbeidsledigheten i Europa. Vi har en god vekst i økonomien, og veksten vil ta seg opp i 2011. Vi skal være stolte over det vi har fått til. Det er også viktig at vi sier til oss selv at vi har gjort riktige valg ved vanskelige korsveier. Noe av det som folk i utlandet legger merke til, er den norske modellen for hvordan vi ordner den økonomiske politikken. De både lurer på og spør hvordan vi får dette til. Vår budsjettdebatt i dag foregår i dramatiske internasjonale

Vi ser at finanskrisen, som jeg sa, har ført til betydelige problemer i mange land. Nå diskuterer Irland hvordan de skal komme ut av den økonomiske krisen. Det blir nå arbeidet med et økonomisk stabiliseringsprogram for Irland. I tillegg til Det internasjonale pengefondet og eurolandene har Danmark, Storbritannia og Sverige signalisert at de er villige til å Norge skal bidra gjennom de midler som vi stiller til rådighet for Det internasjonale pengefondet. Dersom vi i tillegg får en direkte henvendelse fra Irland om norsk bistand, vil vi selvsagt på en god og samvittighetsfull måte vurdere det. Vi skal være glade for at Norge er i en helt annen situasjon enn det mange land rundt oss i. Det gjelder arbeidsledighet, statsfinanser, inntektsfordeling og utenriksøkonomi. Det er mange som gjerne ville ha byttet med Norge. Som jeg sa, skal vi være stolte av de resultatene vi har fått til. Evnen til å samarbeide og ta felles løft når det kreves, er en god norsk holdning. Og så er det slik at som politikere vil vi alltid være opptatt av at ting kan bli bedre, og at det er ting som bør endres. Kanskje er vi i mange tilfeller så opptatt av det, at vi faktisk glemmer det som går bra i dette landet, og at de aller fleste av oss har det bra. Den oppbyggende samfunnskritikken er en viktig drivkraft i politikken, svartmaling er egentlig noe som fører lite godt med seg. Som politikere har vi selvsagt en oppgave når det gjelder å påpeke det som ikke fungerer, men vi har også en viktig oppgave når det gjelder å påpeke det som går bra, og som fungerer. Å finne gode løsninger for framtiden handler om å se det som ikke er godt nok nå, men det handler i like stor grad om å se det vi har lyktes med, og videreutvikle det vi har lyktes med. De siste ti årene har Norge gang på gang blitt kåret som verdens beste land å bo i. i. Det er ikke bare inntekt som teller med i den kåringen. En måler levealder, utdanningsnivå, utjamning og likestilling, og Norge scorer stort på alle disse områdene. I tillegg er det slik at den samfunnsmodellen som vi bygger på for å ivareta den enkeltes trygghet som følge av inntektssvikt ved sykdom, uførhet og alder, er et viktig trekk ved denne modellen. De sentrale velferdstjenestene som skole og helsestell er universelle og fellesfinansierte. Det er så mye folk i Norge slipper å tenke på – som er der når vi har behov for det, og som er der når vi har behov for den store tryggheten. Tilgang til velferdstjenester skal ikke avhenge av den enkeltes økonomi. Å sikre muligheter til en god utdannelse og er viktige tiltak for å redusere ulikheter. Jeg er opptatt av å verne denne samfunnsmodellen. I det budsjettet vi legger fram for 2011, prioriterer vi arbeid og velferd, nettopp fordi det er så viktig å ta vare på velferdsstaten. Jeg tror det ville være vanskelig å opprettholde og utvikle velferdsstaten over tid dersom vi skulle kutte så mye som det som nå foreligger av forslag fra enkelte partier i Stortinget. Skattekutt betyr over tid velferdskutt, og det vil gå ut over mange mennesker i landet vårt. Som jeg sa, mange land går nå gjennom en vanskelig økonomisk tid. Norge har også vært gjennom det tidligere, og vi har vært og vi har vært gjennom tider der vi har hatt svake statsfinanser og høy ledighet, og vi har vært gjennom en bankkrise i Norge for en god del år siden. Det var noen lærdommer som vi trakk av dette. Vi lærte hvor viktig det var å ha en levedyktig konkurranseutsatt sektor for en balansert økonomisk utvikling. Det behovet som på en måte kanskje er det viktigste for den sektoren, sektoren, er de krav som stilles ved lønnsoppgjørene, slik at vi kan få en god utvikling i konkurranseevnen, og at lønnsveksten ikke kommer ut av kurs i forhold til andre land. Samtidig må vi også passe på at vi ikke bruker mer av våre felles inntekter over statsbudsjettet enn at vi klarer å holde en renteøkning i Norge på avstand, for det i sin tur vil ramme konkurranseutsatte virksomheter særlig hardt. Vi lærte at vi må spare i gode tider for å ha noe å bruke i dårlige tider. Å holde orden i økonomien er det beste vern mot rystelser som kriser i verdensøkonomien kan påføre et land. Jeg tror det er mange rundt omkring nå som sier til seg selv at vi skulle ha holdt bedre orden i en tid da mange piler pekte oppover. Mange land får nå. Det økonomiske rammeverk som vi har lagt rundt den økonomiske politikken med Statens pensjonsfond og handlingsregelen, er i denne sammenhengen særdeles viktig. Og det er en betydelig forskjell som går tvers igjennom denne salen, hvor det er ett parti som vil skrote handlingsregelen. Alle de andre er enige om hvor viktig den er for den økonomiske utviklingen framover. Jeg vil anta at om det skulle bli regjeringsforhandlinger mellom Fremskrittspartiet og Høyre, ville det være et av de vanskeligste punktene en vil ha å håndtere. Hvor vanskelig det vil bli, vil selvsagt også avhenge av hvor store de partiene blir i forhold til hverandre. Ser vi framover, står Norge framfor store utfordringer. Den ene er aldringen av befolkningen. Men det er samtidig en glad nyhet, fordi vi får gleden av å leve lenger enn tidligere generasjoner. Det har jo sammenheng med både velstands- og velferdsutviklingen, utviklingen i økonomien og andre viktige ting i det norske samfunnet. Det viktigste svaret på denne utfordringen Flere må ha jobb, og flere må stå lenger i arbeid. Pensjonsreformen er viktig i den sammenhengen, og jeg er glad for at et bredt flertall i Stortinget har stilt seg bak den. Det er arbeid som bærer velferden på ryggen. Å fokusere på arbeid og velferd er det viktigste vi kan gjøre, og det er også det viktigste i dette budsjettet. Så kan det for enkelte kanskje synes litt kjedelig at vi gjør det

gjennom dette sterke fellesskapet, i samspill i det norske samfunnet, er ryggraden i den norske velferdsmodellen. De sterke fellesskap er de grunnmurer som folk skal bygge sine liv på, det er der de skal finne trygghet, og det er der vi også kan skape større frihet for den enkelte. Budsjettet for 2011 handler om det. Budsjettene framover skal også handle om det. Det blir replikkordskifte. Det er

Hvorfor skal det være slik at den enkelte pensjonist ikke får beholde sin opptjente rettighet, som pensjonen er, uansett om man er gift, samboende eller enslig? Dette opptar veldig mange pensjonister, som synes det er veldig urettferdig. Jeg lurer på om dette er noe finansministeren – selv om han ikke kommer med løsninger i dette statsbudsjettet – kan si at han faktisk vil se på og gjøre noe med, slik at folk får beholde den rettigheten de har betalt inn til selv, og som er en opptjent rettighet man ikke burde få avkortet bare fordi man faktisk er gift eller samboende?

utenlands. Dette tar ikke statsbudsjettet hensyn til. Det er videre åpenbart at hvordan pengene benyttes, vil ha ulik virkning på norsk økonomi. Penger brukt på løpende utgifter til forbruk vil ha en annen virkning enn penger brukt på investeringer i form av infrastruktur. Alt i alt gir dagens budsjettsystem få indikasjoner på hvorvidt den finanspolitikken som føres, er bærekraftig over tid. Ser finansministeren svakheter med dagens budsjettsystem? Vil han jobbe for endringer slik at det ensidige fokuset på hvor mye penger som brukes i økonomien, erstattes av et system hvor man i større grad ser på hvordan pengene brukes? Det siste er jeg helt enig i. Det er en viktig jobb i forbindelse med alt budsjettarbeid å se på hvordan pengene blir brukt, brukt, at en får mest mulig vei, jernbane og velferd for de kronene som en bruker i statsbudsjettet. Det er en god måte å husholdere med økonomien på. Så mener jeg at kontantprinsippet er et bra prinsipp, for det er viktig at Stortinget til enhver tid har oversikt over statens utgifter og inntekter. inntekter. Vi kan trekke fram en del eksempler fra andre land, der en gjennom mer kreativ budsjettering har prøvd å føre beløp – i hvert fall midlertidig – utenfor statsbudsjettet. Den konservative regjeringen i Storbritannia har f.eks. avskaffet OPS-systemet med den begrunnelse at de hadde mistet oversikten over hva som var de faktiske utgifter i statsbudsjettet. Men det er rom for forbedringer. En forbedring er at man har mulighet for å se investeringer over et lengre tidsrom, f.eks. ved å sette viktige samferdselsinvesteringer på egne budsjettposter. Slike ting skal vi drive med, men kontantprinsippet er et veldig godt prinsipp. Finansministeren la stor vekt på ansvarlighet og viktigheten av å holde igjen i pengebruken i sitt innlegg, og på det punktet er

slik at det er relativt romslig på utgiftssiden. Mitt spørsmål til finansministeren knytter seg til det faktum at man da kutter i bevilgningene til forskning. Jeg ville tro at en finansminister som er opptatt av å legge grunnlaget for fremtidige generasjoner, grunnlaget for fremtidig velferd, også var opptatt av at vi skulle bruke mer penger til såkorn, slik at vi har noe å høste av i fremtiden. Så mitt spørsmål er ganske enkelt: Hvordan kan finansministeren forsvare at det med så romslige rammer til neste år faktisk kuttes i forskningsbudsjettet? Den første delen av replikken var veldig interessant. Vi er i stor grad enige om hvordan vi skal innrette bruken av økonomiske midler, eller statsbudsjettet, etter handlingsregelen. Det er bra. Men, som jeg påpekte i innlegget mitt, der vil nok Høyre få betydelig større problemer med en mulig regjeringspartner. Jeg er glad for spørsmålet om de 60 milliardene, for det gir et misvisende bilde av det som faktisk er til rådighet i budsjettet. I de 60 milliardene ligger det en omlegging av inntektssystemet for kommunene, Forsvarets budsjettsystem, den automatiske utgiftsveksten i folketrygden og prisveksten. Korrigert for det er den reelle økningen i statsbudsjettets utgifter ca. 19 mrd. kr. Innenfor rammen av de 19 milliardene har vi prioritert en sterk vekst i kommunenes inntekter, en oppfølging av Nasjonal transportplan, en betydelig økt satsing på utdanning, og vi viderefører forskningsbudsjettet på et høyt nivå.

Vi har tidligere hørt fra den samme regjeringen at man skal ha et hvileskjær innenfor høyere utdanning, og man skal lete veldig godt i budsjettet for å kunne hevde at kunnskapen er vinneren i regjeringens budsjettforslag. Jeg har hatt store problemer med å se det, og jeg kan vanskelig se at finansministeren på noen måte har dokumentert det. Så mitt spørsmål knytter regjeringen har tenkt å skape en bærekraftig vekst i norsk økonomi, når man ikke klarer å bruke de gullårene vi nå er inne i, til å investere for fremtiden, og hvor man også har skatteskjerpelser, som gjør det vanskelig for dem som skal skape verdier. Det er riktig at den nominelle utgiftsveksten er 60 mrd. kr. Men justert for de tingene jeg nevnte, er den reelle utgiftsveksten 2,3 pst., tilsvarende om lag 19 mrd. kr, og der har regjeringen prioritert, som jeg sa som svar på den forrige replikken. Så kunne en sikkert ha ønsket seg mer til forskning, som en kunne ha ønsket seg mer på mange andre områder, men regjeringen holder oppe forskningsbudsjettet på et meget høyt nivå, og det er et viktig signal. I tillegg er dette et budsjett for å holde et lavt rentenivå i Norge. Det er et budsjett for å ha en lav kostnadsvekst i Norge i årene framover. framover. Jeg tror faktisk at det kanskje er et bedre bidrag til konkurransekraften og arbeidsplasser i industrien enn mange av de skatteletteforslagene som Høyre og Fremskrittspartiet foreslår. Jeg synes det var befriende å høre en finansminister ikke bare går inn i det enkelte tallbudsjett og avvik på det ene og det andre, men som så litt fremover. Mye av det finansministeren sier, er at vi må sørge for å ha en solid såle for velferdssamfunnet fremover. De siste dagene har det vært betydelig fokus på uførepensjonene, og jeg har lyst til å høre hvordan finansministeren ser på den fremtidige uførepensjon i relasjon til at vi skal ha et bærekraftig velferdssamfunn. Hva vil regjeringen vektlegge? Nå er jo regjeringen i sluttfasen med å formulere ut det som skal bli en uførereform, så jeg kan ikke gå inn på enkeltdetaljene. Men jeg har lyst til å peke på fire punkter:

Som jeg sa i mitt innlegg, er regjeringens budsjett greit nok, men mitt anliggende, eller Venstres anliggende, er at det ikke vitner om noen kurs, noen retning, og Venstre mener at det hadde vært mulig for regjeringen med 2004-nivået på skatt å bruke anledningen til f.eks. en kraftig omlegging av systemet i en grønnere og mer bedriftsvennlig retning. Venstres alternative budsjett viser at det er mulig innenfor en provenynøytral ramme. Så til spørsmålet: I år, som i fjor, gjør regjeringen noen små justeringer som i beste fall forvirrer og i verste fall virker mot sin hensikt. I fjor var det biodieselavgiften som skapte mye bruduljer for regjeringen. Argumentet var at forurenser skulle betale, men det førte til at to spennende bedrifter gikk konkurs. I år er det e-moms, som virker like lite gjennomtenkt, og som ikke er utredet. Angrer finansministeren allerede på e-momsforslaget, og hvor sannsynlig tror han det er at det kommer til å bli noe av før EU har kommet fram til sin konklusjon i år
Jeg tror det er mye potensial i en grønnere skattlegging i årene som kommer, og det er også noe av begrunnelsen for at vi nå sier at vi skal gå gjennom bl.a. drivstoffavgiftene og bilavgiftene for å se på hvilke muligheter vi har i den sammenhengen. Da momsen ble innført på slutten av 1960-tallet, hadde ingen hørt om netthandel. Men det vi nå ser, er at netthandel blir mer og mer utbredt, og det Men det vi nå ser, er at netthandel blir mer og mer utbredt, og det er en utfordring som ikke bare Norge, men mange andre land står framfor – med andre ord, en stor del av den avgiftspliktige omsetningen foregår i andre kanaler enn i butikken på vanlig måte. Det er noe som Norge må ta høyde for, og det er noe som andre land ute i Europa må ta høyde for. Jeg har god tro på at det både i Norge og ellers i Europa er mulig å finne fram

stor grad av likestilling og små forskjeller i inntekt, helse og utdanning er blant de faktorene som plasserer oss på toppen. Det at Norge skårer høyt i slike undersøkelser, er ikke lenger noen overraskelse, men det er heller ingen Norge har fått veldig god hjelp fra naturens side med rike naturressurser. Men på listen over vinnere i naturens lotto finnes det nok av eksempler på land der innbyggerne slett ikke har fått sin andel av goder og utvikling. Så peker også denne rapporten på at vekst i seg selv ikke automatisk fører til bedre levekår for befolkningen. Det kommer an på den politikken det enkelte land fører, om man faktisk vil ha mindre forskjeller eller ikke. Norge har en høyt utdannet befolkning. Vi har høy gjennomsnittlig likestilling, høy yrkesdeltakelse og generelt gode levekår å vise til. Vi har også et sterkt næringsliv med omstillingsevne, effektivitet og lønnsomhet som bidrar til solid verdiskaping. Denne verdiskapingen er forutsetningen for vårt velferdssamfunn. I fellesskap finansierer vi gode velferdsordninger og et sterkt sosialt sikkerhetsnett. Denne sammenhengen kan sammenfattes i to enkle, men veldig viktige ord: skape og dele. dele. Derfor er det altså ikke vannkraften eller oljen eller fisken som har ført Norge til topps i FNs rangering. Det er måten vi har forvaltet både naturressursene og de menneskelige ressursene på, som har plassert oss der, fordi flertallet i befolkningen gjennom lange perioder har hatt sosial og økonomisk likhet som ideal – der fellesskapsløsningene har vært virkemiddelet – og fordi like muligheter for alle har vært et mål. Også valgene i 2005 og i 2009 viser at flertallet i Norge fortsatt slutter seg til denne måten å tenke på. I løpet av de fem årene Arbeiderpartiet har vært en del av det rød-grønne regjeringssamarbeidet, har vi hele tiden hatt fokuset rettet mot det som våre velgere har ment er viktigere enn skattelette og privatisering, nemlig arbeid og velferd. Status i dag er at vi har lav ledighet, og vi har forbedret det norske velferdssamfunnet på flere områder. Samtidig skal vi ikke hvile på våre laurbær og slå oss til ro med det

Hva som egentlig er Fremskrittspartiets økonomiske politikk, er fortsatt uklart etter de rundene vi har hatt her i salen – i dag, og i fjor. I fjor satset man tydeligvis på «wow-effekten» og la seg på en oljepengebruk under regjeringens. Men til neste år skal det pøses ut, og den finanspolitiske talsmann i

på ungdom som skal fullføre videregående utdanning og ikke minst på eldre som venter på sykehjemsplass. Stadig flere eldre vil ha behov for omsorgstjenester i årene som kommer. Det tar Arbeiderpartiet og regjeringen på alvor. Flere av landets ordførere har sagt at de trenger mer penger for å bygge ut omsorgstilbudet og for å ansette folk til å ta seg av de eldre. Derfor legger vi ekstra statlige penger på bordet, gjennom både det ordinære budsjettet, som vi behandler i dag, og den eldremilliarden som er varslet i tillegg. Vi øker overføringene til kommunene, og vi øker tilskuddet til sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Det gir kommunene et større økonomisk handlingsrom for å gi de eldre en god og verdig omsorg. Så handler eldreomsorg selvfølgelig om mer enn bygninger og penger. Det handler om å ta vare på mennesker i deres siste leveår. Da trenger vi dyktige fagfolk og engasjerte frivillige til å gi eldre en trygg og meningsfylt hverdag. hverdag. For å styrke det gode samarbeidet med frivillige krefter innenfor eldreomsorgen har de rød-grønne stortingspolitikerne lagt inn ekstra penger til det gjennom budsjettbehandlingen her i høst. Man satser spesielt på demente og deres pårørende. Det er hovedtrekkene i regjeringens politikk og budsjett for neste år. Hva er så alternativet til den rød-grønne politikken? Det er ikke det perfekte samfunn uten feil og mangler; det er et mørkeblått alternativ. Jeg har ikke unngått å legge merke til at Høyres leder i det siste har forsøkt å framsnakke sitt eget parti ved å betegne det som et velferdsparti som attpåtil er opptatt av at det skal være små forskjeller i samfunnet. Høyres leder har når hun har blitt utfordret på det, også vært opptatt av å understreke at den norske modellen basert på skattefinansiert velferd, fellesskapsløsninger og et tett trepartssamarbeid vil bestå uavhengig av hvilken farge det er på regjeringen. Men det står i sterk kontrast til det Høyre faktisk gjør. Høyres alternative budsjett er den aller beste dokumentasjonen på hva som er Høyres egentlige prioriteringer. Det handler om alt annet enn velferd og mindre forskjeller, men derimot om høyst tradisjonell Høyre-politikk: 10 mrd. kr i skattekutt og en usvikelig tro på private løsninger. Det er fortsatt sånn at skattekutt og privatisering er Høyres svar, uansett hva spørsmålet måtte være. være. Gjennom fem år med rød-grønn regjering har vi hørt Høyre-folk beklage seg over manglene i samfunnet, og at det ikke bevilges nok penger for å gjøre noe med det. Men i Høyres alternative budsjett finnes det ikke spor av dette engasjementet. Det er altså skattekutt som er den altoverskyggende prioriteringen. Det vil selvfølgelig gi Dersom Høyres skattekutt skal gjennomføres, vil det ramme vår framtidige velferd. Jeg registrerer at ingen av høyresidens talspersoner i salen her i dag har villet svare på hvor kuttene skal komme i år to. For det er jo ikke sånn at alle skatteløftene verken til Høyre eller Fremskrittspartiet er innfridd gjennom årets budsjett. I år sparker man byråkrater, legger ned norsk landbruk og kutter kraftig i bistandsbudsjettet. Når man har sagt opp byråkratene og lagt ned landbruket, kan man ikke gjøre det et år til. Da må man gå løs på kjernen i det norske velferdssamfunnet: kommuneøkonomi, skole, helse og omsorg. Høyres skattekutt betyr også at vi mister et av våre aller viktigste redskaper for å omfordele fra dem som har mest, til dem som har minst, og dermed vår mulighet til å redusere sosiale forskjeller. Høyre gir kun i lette til dem som har de aller laveste inntektene. De gir over 60 000 kr i gjennomsnitt i skattelette til dem som tjener over 3 mill. kr. Det er interessant å sammenligne de alternative budsjettene til Høyre og På et sentralt område som oljepengebruk har man fortsatt ikke klart å bli enige, men jeg legger merke til at Høyres finanspolitiske talsmann garanterer at man skal forholde seg til handlingsregelen i framtiden. Det er også forskjell på doseringen mellom de to partiene. Men når det gjelder retning og prioritering, er det et stort sammenfall. når Høyres leder prøver å framstille det som om forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet er dagens velferdspolitikk med en liten dash fornyelse av offentlig sektor. Høyres eneste mulige vei til makt går gjennom Fremskrittspartiet og et mørkeblått prosjekt. Det er mange ukjente faktorer i et slikt samarbeid, men skattelette, privatisering og større sosiale forskjeller er det som går igjen. Det blir replikkordskifte.

Hun var veldig opptatt av at Fremskrittspartiet ikke kunne forklare hva våre budsjetter koster. Jo, det kan vi. Men kanskje Helga Pedersen i stedet kan fortelle meg hva Arbeiderpartiets løfter vil koste i de kommende årene, siden hun forventer svar på dette av Fremskrittspartiet. Og tilsvarende: Hun var opptatt av at vi skulle redegjøre ikke bare for vårt alternative budsjett for neste år, men også for konsekvensene året etter og året etter der igjen. Det kalles langtidsbudsjettering. Det har Fremskrittspartiet foreslått mange ganger, men Arbeiderpartiet har stemt imot. Hvis det likevel er slik at Helga Pedersen er blitt opptatt av det, kan hun da fortelle oss på det nåværende tidspunkt hva vi kan forvente oss av regjeringens budsjett i
Det er i hvert fall sånn at alle de ambisjonene Arbeiderpartiet har innen både arbeid og velferd, skal tas innenfor økonomisk ansvarlige rammer. Det har vi slått veldig klart fast, både i vårt partiprogram og i Soria Moria-erklæringen. Jeg kan forsikre at våre prioriteringer når det gjelder arbeid og velferd, vil stå fast også i budsjettårene etter 2011. Vi er veldig tydelige på at vi prioriterer de største oppgavene først helse, omsorg, skole – foran skattekutt. Derimot er det uklart hva Fremskrittspartiet og Siv Jensen vil prioritere dersom de kommer til det punktet at de må gjøre det, for nå har vi jo hørt Høyre si her i salen at det ikke blir aktuelt å bryte handlingsregelen dersom Høyre og Fremskrittspartiet skulle samarbeide. Da spør jeg Siv Jensen: Er det skattekutt eller er det velferd som er viktigst for hennes

Så et annet spørsmål. Jeg hørte statsministeren si i spørretimen at han var for private. Jeg besøkte Ringvoll Klinikken i forgårs. De har pasienter som de ikke får lov til å behandle, som har et års ventetid ved et offentlig sykehus fordi staten nekter dem å bli behandlet ved en privat klinikk – til tross for at de har ledig kapasitet og kan iverksette operasjon i neste uke til halve prisen av det det regionale helseforetaket Er det å være for private, eller er det å være for et offentlig monopol? I mitt svar til representanten Jensen var jeg veldig tydelig på at Arbeiderpartiet vil prioritere arbeid og velferd framfor skattekutt. Jeg registrerer at Fremskrittspartiets partileder ikke vil svare på det samme spørsmålet. spørsmålet. Da slutter jeg av det at det er skattelette som er det viktigste, både fordi det er den altoverskyggende prioriteringen i Fremskrittspartiets alternative budsjett, og også fordi det var det som ble prioritert da Fremskrittspartiet var Bondevik II-regjeringens støtteparti i perioden 2001–2005. Det var ikke veier eller eldre som vant budsjettkampen da, det var det skattelette som gjorde. Ja, vår regjering bruker private som et supplement når det er hensiktsmessig, men vi ønsker ikke en storstilt privatisering av velferdstjenesten og å gjøre det om til marked, slik som Fremskrittspartiet tar til orde for. Siv Jensen har til og med sagt at hun ønsker markedstenkning på alle nivå i samfunnet. Der ønsker vi en

fremover. Ett av eksemplene på regjeringens allergi mot private er måten de håndterer anbudsprosesser på, måten de innskrenker kjøp fra private på, uten å ha et helhetssyn. Det resulterer nå i at Oslo Hospital nedlegges. Oslo Hospital har et ordentlig, dyptgående tilbud til voldelige psykiatriske pasienter i Norge, et ordentlig, dyptgående tilbud til voldelige psykiatriske pasienter i Norge, en type tilbud som regjeringens eget offentlige utvalg som så på drap av kvinner, mente måtte utvides. Men konsekvensen av velferdspolitikken til Arbeiderpartiet er altså at det nå nedlegges. Hva synes egentlig Helga Pedersen om

i barnehageutbyggingen og på mange andre områder. Når Høyre trekker fram private løsninger som det store svaret på alle de utfordringer vi ennå har i det norske velferdssamfunnet, ja så har jeg to kommentarer til det. Det ene er at hvis man skal gjøre som Høyre sier i sin retorikk og i sine program, så tar man inn private på bekostning av det offentlige, eller så må man ta inn private aktører og faktisk være villig til å betale det det koster å øke budsjettene for å betale for det private tilbudet. Det ser jeg svært lite spor av i Høyres alternative budsjett. Så er vi opptatt av at vi skal gi forutsigbare rammebetingelser for både de kommersielle og de ideelle aktørene, men vi kan ikke forandre spillereglene mens spillet pågår. Arbeiderpartiets parlamentariske leder mener altså at det er hensiktsmessig å legge ned det beste tilbudet til voldelige psykiatriske pasienter i Norge, drevet av en frivillig organisasjon. Det var det som egentlig var svaret på spørsmålet mitt, og det synes jeg er ganske opprørende. Det som har skjedd på disse områdene, er at Arbeiderpartiet har abdisert fra å styre. Man har latt byråkratiet nedover styre og har ingen oversikt over konsekvensene av de vedtakene som nå fattes rundt omkring i helseforetakene, f.eks. om mangfoldet i og bredden i tilbudene som blir stående igjen. Det mener jeg er et politisk ansvar. Jeg mener det er et politisk ansvar å ha gode rammebetingelser for både private og frivillige som kan gi et bredt tilbud, fordi jeg mener at pasientene og det norske samfunnet får et bedre velferdstilbud med det. Det er viktig at kvinner ikke lever i frykt for å bli drept av en mann som er psykiatrisk pasient og voldelig. Vi skal ha et slikt hjelpetilbud i det norske samfunnet, men Arbeiderpartiet mener åpenbart at det er greit at byråkratiet og helseforetakene for øyeblikket nedlegger det. Det er dette det dreier seg om. Jeg synes at Helga Pedersen nå må melde seg inn i virkeligheten, og virkeligheten er at det er denne type tilbud, denne bredden, som forsvinner i allergien som Arbeiderpartiet har mot private tilbud. Jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende at lederen for det norske Høyre, som alltid har stått for mer markedstenkning, etterlyser mer politisk styring fra regjeringen. Ja, vår regjering ønsker at ideelle aktører skal være en viktig del av velferdsproduksjonen i Norge. Men når vi åpner for aktører utenfra det vi kan kalle velferdsmarkedet i denne sammenhengen, må det være noen spilleregler sånn at vi kan måle de ulike aktørene opp mot hverandre. Når jeg spiller Ludo med familien min, blir vi enige om spillereglene før vi setter i gang spillet. Så kan det godt hende at vi endrer spillereglene før neste omgang, men da gjør vi det før vi begynner på neste omgang. Det blir sure miner hvis vi forandrer spillereglene underveis. Det med ideell sektor har vært et stort tema her i salen i høst. Det er

nedlegges eller innskrenkes stadig nye ideelle tilbud. Og det handler ikke om institusjoner som man har åpnet et slags spill for, hvor regjeringen er en motspiller. Det handler om de institusjonene som i stor grad har bygd dette velferdssamfunnet. Representanten Pedersen vet at jeg har brukt mesteparten av mitt politiske liv til å kjempe for god offentlig velferd. Men en del av mangfoldet i det norske velferdssamfunnet er ideelle institusjoner. institusjoner. Oslo Hospital, som var utgangspunktet for representanten Solbergs spørsmål, er ikke noe regjeringen i sin velvilje har åpnet for i et spill. De var der før oss alle sammen – i 1290! Og nå skal det legges ned, til skade for psykiatriske pasienter med de tyngste lidelsene. Jeg forstår ikke at Det norske Arbeiderparti kan stå for dette. Når vi deler ut tilbud og kontrakter, det

Ja, vi vil gjerne bli målt på kvalitet, vi konkurrerer gjerne med hverandre, men det vi ikke tåler, er å bli utkonkurrert av kommersielle aktører som presser oss på de ansattes lønns- og arbeidsforhold. Så hvis det er slik at høyresidens partier, altså Høyre og Fremskrittspartiet, er veldig opptatt av dette, kan de begynne i Regjeringen har tatt grep, innenfor barnevern har vi innført nye regler, med en egen runde for ideelle aktører og så en runde for de andre. Og nå, som sagt, ser vi på mulighetene for å sikre bedre forutsigbarhet for de ideelle på andre områder. Men dette er teknisk veldig komplisert, så vi får ta den tiden vi er nødt til å bruke på det. Først må jeg nok si at kunnskapen må oppdateres litt, for alle de ideelle har nå avtaler i Oslo, det er

bygge stein på stein, og innenfor tannhelseområdet har vi de siste årene tidoblet innsatsen overfor rusmisbrukerne og dem som har dårligst inntekter, så flere får godt stell av sine tenner. Så får vi bygge det videre ut etter hvert, men på budsjettet for 2011 har våre viktigste prioriteringer vært eldre og

denne finansdebatten vært vitne til, hva skal jeg kalle det, en rød-grønn verbal orgie i angrep på opposisjonen. Det er gjerne en teknikk man velger å bruke når velgerne rømmer ens egne partier, og ikke lenger har tillit og tiltro til den sittende regjering. Jeg skjønner at det er ubehagelig, men da burde man kanskje være mer opptatt av å endre på sin egen adferd og sin egen fremtoning og sin egen politikk fremfor å rette alt skytset mot opposisjonen, som dessverre ikke har noen innflytelse over den politikken som føres for øyeblikket. Og da er det også naturlig for meg å stille noen spørsmål: Kan det hende at velgerne faktisk er enig med Fremskrittspartiet, siden de i hvert fall i meningsmålinger velger å si at det er oss de vil stemme på? Kan det hende at de har oppfattet hva vi vil, og overhodet ikke trenger statsministerens eller andre rød-grønne politikeres hjelp til å komme ut av uføret, ved ikke å misforstå? Kan det hende at de rett og slett har fått nok av rød-grønn politikk og vil ha det annerledes? Det burde kanskje regjeringspartiene reflektere noe mer over i sin iver etter å angripe opposisjonen. Jeg vedstår meg hvert eneste Fremskrittspartiets program – jeg ikke bare vedstår meg det, jeg er faktisk veldig stolt av det. Og jeg er egentlig veldig glad for at Arbeiderpartiet er mer opptatt av å snakke om Fremskrittspartiets politikk enn om sin egen. Det gjør det bare mulig for oss på enda flere flater og på enda flere arenaer å få synliggjort enda mer av Fremskrittspartiets svært utmerkede politikk. Problemet til Arbeiderpartiet er allikevel at de ikke får fokuset bort fra seg selv, fordi det fokuset er der hver eneste dag gjennom at velgerne hver eneste dag kjenner på konsekvensene av den rød-grønne politikken. Så merker jeg at man har regnet fælt i regjeringsapparatet og i de rød-grønne partiene. Man har regnet fælt – og synes at 88 mrd. kr er et fint tall å skremme velgerne med. Nå er det litt vanskelig for meg å imøtegå eller debattere disse tallene på Arbeiderpartiets egne premisser, for jeg har jo ikke sett verken forutsetningene for regnestykkene eller konklusjonene – for de er hemmelige. Hvis de ikke er hemmelige, gleder jeg meg til å få utlevert det notatet etterpå. Jeg håper at statsministeren kan komme og gi meg det – det hadde vært veldig hyggelig. Men la meg sette de påståtte til noen av de løftene, eller mangel på innfrielse av løfter, som kommer fra de rød-grønne. Et eksempel: lyntog – man sier at man skal bygge lyntog. Kostnadsrammen for å bygge det er et sted mellom 300 og 500 mrd. kr. Men det er åpenbart ansvarlig politikk. Eller: Ved å la være å legge til rette for videre utbygging av Heidrunfeltet taper Norge 50 mrd. kr. Men det er vel, siden det er de rød-grønne som definerer det, småpenger. Eller: Vi har analyser som konkluderer med at vi årlig har et tap på et sted mellom 80 og 100 mrd. kr som skyldes manglende effektivitet på grunn av dårlig infrastruktur i vårt samfunn.

og jeg er glad for at stadig flere velgere slutter opp om den politikken. Det betyr nemlig at vi kan få en forandring, vi kan få en fornyelse, og vi kan sette de viktigste tingene i samfunnet først. Jeg er veldig stolt av å legge frem – sammen med Fremskrittspartiets finansfraksjon og stortingsgruppe – et alternativt statsbudsjett som setter de eldste først. Eldre mennesker står alltid på dagsordenen i debatt og valgkamp, de blir alltid tapere i rød-grønne budsjetter. Det kommer ikke Fremskrittspartiet til å godta særlig lenger. Det blir replikkordskifte.
Jeg registrerer at Fremskrittspartiet ikke setter overvettes stor pris på at det blir stilt spørsmål ved deres politikk. Når det gjelder utregningene av de 88 mrd. kr, er det offentlig tilgjengelig. Det kan Siv Jensen finne på Norge er nettopp kåret til verdens beste land å bo i. Jeg er sikker på at Siv Jensen er enig med meg i at det fortsatt finnes et forbedringspotensial – det høres i hvert fall sånn ut – men i Norge er det likevel sånn at de aller fleste har det bra, fordi vi politisk har villet det sånn. Vi har utviklet landet, bygd på felles finansiering av velferdsgodene. Vi har offentlige velferdstjenester som er tilgjengelige for alle, og ikke minst har vi et sterkt trepartssamarbeid i arbeidslivet som sikrer folk sterke arbeidstakerrettigheter, og som også har gitt oss en ansvarlig fagbevegelse som er med og tar grep når det er nødvendig. Hva slags samfunn er det Fremskrittspartiet ser for seg med 88 mrd. kr i skattekutt, krav om markedstenkning på alle nivå og stadige angrep på et organisert arbeidsliv? Jeg tror ikke Helga Pedersen hørte hva jeg sa. Jeg sa jo snarere tvert imot at jeg var veldig glad for at vi ved enda flere anledninger fikk snakke om Fremskrittspartiets politikk, også nå: Takk for replikken! Ja, jeg er enig: Norge er på mange måter et veldig godt land å bo i. Det politikk handler om, er jo å gjøre samfunnet enda bedre. Da handler det om at vi er uenige om hvilke virkemidler vi vil ta i bruk. Fremskrittspartiet er enig med Arbeiderpartiet i at mange av våre velferdsgoder skal være finansiert av fellesskapet gjennom skatteseddelen. Der vi skiller lag, er at Arbeiderpartiet kun vil at oppgavene skal utføres, eies og skapes av offentlige monopoler. Vi vil at også private skal få slippe til. Jeg registrerer at Helga Pedersen i replikkvekslingen i stad sa at man skal slippe private til som et supplement når det passer Arbeiderpartiet. Men det er altså ikke sånn at de står klare til Arbeiderpartiets disposisjon når det passer Arbeiderpartiet. Det er De må også få stabile og forutsigbare rammebetingelser. Jeg registrerer at Siv Jensen gjerne vil ha det norske velferdssamfunnet, men hun vil ikke være med å betale for det. Da vil jeg gjerne spørre: Hvor henter Siv Jensen inspirasjon til sin politiske tenkning? Kan representanten Jensen nevne ett land der man har privatisert velferdsordningene og gjennomført skattekutt i den størrelsesordenen som Fremskrittspartiet foreslår, og der innbyggerne har det bedre enn i Norge? Jeg henter min inspirasjon hos det norske folk, i samtaler med mennesker, individer, bedrifter og organisasjoner nesten hver eneste dag. Der henter jeg min inspirasjon. Jeg henter min inspirasjon på Ringvoll Klinikken i Hobøl kommune i Østfold, som tross alle odds driver privat, som ønsker å hjelpe syke mennesker til å bli friske, men som opplever at den eneste måten de kan behandle pasienter på, er enten ved at de kommer med en privat helseforsikring eller en fet lommebok. Det er et klasseskille skapt av Arbeiderpartiet under Arbeiderpartiet, og et klasseskille jeg er uenig i. Jeg mener at alle, uavhengig av hvilken inntekt de har, skal ha den samme retten til å bli behandlet på Ringvoll Klinikken som de har på Aker sykehus, som vi snart ikke har lenger. Jeg tror sannelig at representanten

I neste års budsjett, hvis Fremskrittspartiet mener alvor, tar man 700 mill. kr fra enslige forsørgere, 2,5 mrd. kr fra syke arbeidstakere og 1 mrd. kr fra uføretrygden. Det er klassepolitikk, sånn vi ser det. Det er faktisk å velge side. Da mener jeg at Fremskrittspartiet også bør snakke om nedsida ved sine budsjettalternativer, ikke bare det de mener er oppsida. Fremskrittspartiet kutter ikke en eneste krone i uføretrygden. Det vi snarere tvert imot tror, er at mange av våre virkemidler, hvis vår politikk hadde vært gjennomført, hadde ført til at færre trengte å være uføre og heller kunne kommet i jobb. Sist jeg sjekket, var det svært mange mennesker med en uførhetsgrad som ønsket å komme i jobb. Sist jeg sjekket, var det svært mange mennesker med en uførhetsgrad som ønsket å komme i jobb, men som under et svært rigid system med SV i regjering ikke kommer i jobb. Det vil Fremskrittspartiet gjøre noe med. Så til formuesskatten. Fremskrittspartiet har mange ganger gått til valg på å fjerne den, og det kommer vi til å fortsette med. Hvorfor? Punkt én fordi det er en dobbeltbeskatning. Punkt to fordi vi ved å fjerne formuesskatten skaper flere arbeidsplasser, og det kommer vi til å trenge, også i fremtidens Norge. Jeg vil veldig gjerne at de som skaper verdier i Norge, skal skape flere, slik at vi kan få mer arbeidsgiverinntekt, mer moms og andre skatter og avgifter inn i statskassen som følge av det. Det er

Statens innbyggerundersøkelse viser jo at det er i de minste kommunene folk er mest fornøyd. Der det er nært, føles det trygt. Sosial- og helsedirektoratet kom med en rapport som sa at der det var trygt, var der det var nært – i de minste kommunene. Hvordan skal den enkelte bli sett bedre når en skal innføre et stort statsbyråkrati som skal vurdere omsorgsbehovet, istedenfor at det er lokale folk som skaper et godt tilpasset tilbud til den enkelte

Det aller mest naturlige er at legen din gjør den type vurdering. Det er legen din som må være den som vurderer din medisinske tilstand, og hvorvidt behovet for ytterligere omsorg inntreffer i ditt liv. I det øyeblikket det behovet inntreffer, mener vi at det skal være et automatisk system som sørger for at du får den hjelpen du trenger – uavhengig av om du bor i en rik eller i en fattig kommune. Den eneste måten å gjøre det på på er altså å la pengene følge den enkelte eldre, etter behov, i stedet for å gjøre det som i dag, gjennom rammeoverføringer hvor man ikke har noen som helst forutsetning eller garanti for å vite om man får plass når man har behov for det. Kristeleg Folkeparti hugsar budsjettdebatten i fjor med glede. For første i historia stemde da Framstegspartiet for regjeringa sitt forslag til alkoholavgifter. Da er det spennande å sjå at no har Framstegspartiet gått tilbake til sitt vante eg. Det kunne vore interessant å høre Siv Jensens tankar om kva ein gjorde i fjor. Var det eit innfall av klokskap, eller var det eit feilskjer frå Framstegspartiet si side?

over at sannsynligheten kommer nærmere og nærmere for at vi kan gjennomføre vår politikk. Jeg skjønner at det er mange i denne sal som ønsker å ha monopol på definisjonsmakten av hva som er en ansvarlig økonomisk politikk. Men jeg skjønner ikke hvorfor en ansvarlig økonomisk politikk går gjennom en handlingsregel. Den burde jo faktisk gå gjennom styrkeforholdet og balansen mellom offentlige utgifter og vår evne til å skape inntekter for samfunnet. Det er det balanseforholdet som avgjør om en økonomi er sunn over tid, eller om den ikke er det. Jeg regner med at representanten Jensen var her da jeg stilte spørsmålet til

Vi er enige om at vi skal utvikle norsk næringsliv, vi er enige om at markedsmekanismene må fungere i et samfunn. Det jeg ikke skjønner, er hvorfor det ikke er mulig å få med Fremskrittspartiet på en tankegang der vi lager et system med miljøavgifter – skattlegging som legger til rette for den næringslivsveksten som vi ser rundt omkring i Europa. I Tyskland er nå fornybar energi et større næringsliv enn det bilindustrien var i gamle Tyskland. Så hvorfor er ikke Fremskrittspartiet med på en slik tankegang der man bruker skatte- og avgiftssystemet for å få fram et næringsliv for

Sånn er det ikke innenfor dagens system, og det er vi mer enn villige til å diskutere med Venstre og med andre partier for den saks skyld – særlig i et energipolitisk perspektiv. Det er ingen tvil om at Norge har de aller beste forutsetninger for, også i årene som kommer, å bli en enda større produsent – forhåpentligvis også eksportør – av grønn, eller fornybar, energi.

Mitt svar er da alltid at for det første er det mye i budsjettet som er låst fast fordi det er viktige, stabile ting rundt folks hverdag. Det andre er at i norsk politikk er det stegene over flere år – ikke det du gjør det ene året – som er avgjørende for å se hva som er forskjell på partier, og hva man gjør for fremtiden. Høyres alternative statsbudsjett viser våre steg i en retning som både kommer til å sørge for mer varig velferd,

alle har mulighet til å kunne bruke sine talenter, å bekjempe de største klasseskiller som vi har i vårt samfunn, nemlig forskjellen mellom dem som er i arbeidslivet, og dem som står utenfor arbeidslivet. Vi mener at varig velferd først og fremst finansieres og skapes av at vi sørger for at norsk næringsliv er konkurransedyktig og skaper nye jobber hvert eneste år fremover. Statsministeren startet dette året sin nyttårstale med å stille spørsmålet og si at han skulle ha en stor diskusjon om hva vi skal leve av etter oljealderen. Jeg mener det er en stor og viktig sak. Men hvert steg for å få til det vi skal leve av etter oljealderen, tar vi hvert eneste år når vi behandler budsjettet, men også hver eneste gang vi behandler saker i Stortinget, for det er rammebetingelsene rundt å sørge for å investere for fremtiden, slik at vi kan møte både 2020, 2030 og 2040 med en mer konkurransedyktig økonomi, med mer lønnsomme arbeidsplasser, med større skatteinntekter, fordi vi har valgt å skape mer, ikke å skatte mer. Det er ikke slik som finansministeren sa, at skattekutt nødvendigvis blir velferdskutt. Han har selv vært med på skattekutt som ikke har gitt velferdskutt. I 1992 var vi enige om en skattereform med skattekutt som ga bedre inntekter fremover. Det samme gjorde vi i 2005. Vi har fått mer skatteinntekter etterpå, for skattelettelsen som den gang ble gitt, har faktisk gitt oss både dynamiske effekter og bidratt til mer vekstevne i økonomien. Det samme kommer det til å gjøre når vi fjerner det mest vekstfiendtlige vi har i norsk økonomi i dag, nemlig formuesskatten, som gjør at mange av de små og store bedriftene vi har rundt omkring i landet, må ta av egenkapitalen, ja, hele gjødselen de har for å kunne vokse videre, for å betale skatt hvert eneste år. Den skatten har altså fordoblet seg under den rød-grønne regjeringen. Men det er ikke bare det vi må gjøre. Det er viktig å holde makroøkonomien på plass. Det er viktig å holde makroøkonomien på plass. Derfor har vi også sagt at hovedrammene rundt dette budsjettet er vi enig i når det gjelder hvor mye penger vi bruker. I kampen mot at vi f.eks. skal få økt rente, økt kronekurs, er dette budsjettet tilpasset. Det som ikke er tilpasset, er prioriteringene internt i budsjettet. Det er for lite prioritering når det gjelder forskning, utvikling, kunnskap og kompetanse, av veibygging og av det som altså stimulerer til at vi får styrket bedriftene I et samfunn som ikke skal ha for store forskjeller, er nettopp det å gi tilgang til å skape økonomisk vekst og grunnlag for å finansiere velferdssamfunnet viktig, men også at det er arbeidsplasser nok. Det er derfor en nødvendig forutsetning. Men det er ikke den eneste forutsetningen. Den andre forutsetningen er nemlig at vi også investerer i det enkelte mennesket, at vi skaper et som løfter kompetansen, at vi skaper et arbeidsliv som reinvesterer i de ansatte, og som gjør at når folk ikke mestrer å lese og skrive godt nok til å holde på den nye jobben – mens de mestret den gamle jobben, men den forsvant ut av landet – gir vi dem det påfyllet i kunnskap og kompetanse. Derfor har vi alltid prioritert de tiltakene som gjør at folk kan få kompetanseheving i vi gjør i dag, bidrar til om vi kan være stolte i møte med våre barn i fremtiden. Jeg mener at mangelen på investeringer for fremtiden fra regjeringens side bidrar til at vi svikter fremtidige generasjoner. Det kommer til å skape større forskjeller fordi det norske samfunnet ikke kommer til å kunne beholde en politikk som bidrar til mindre forskjeller i fremtiden, hvis ikke vi gjør noe med konkurranseevne og investeringer i det

velferdspolitikken. Jeg skal ikke påstå at vi ikke har utfordringer i det norske helsevesenet, men det at vi har et offentlig helsevesen som er tilgjengelig for alle, har bidratt til små sosiale forskjeller i helse sammenlignet med de fleste andre land, at vi kan behandle stadig flere sykdommer, og at flere pasienter får behandling. I sitt alternative budsjett for 2011 foreslår Høyre å øke bruken av private aktører i helsesektoren. Det begrunnes med at det vil føre til kortere ventetid og være kostnadseffektivt. Det trodde man også i Danmark. Derfor økte den høyrestyrte regjeringen innsatsen på private aktører. Antall private sykehus har og man har gitt skattefritak på private helseforsikringer. Ventetiden har ikke gått ned, og det har ikke blitt billigere. Når man ikke har lyktes i Danmark, hva er da begrunnelsen for at Høyre vil gjøre det samme i Norge, annet enn av ideologiske årsaker? Fordi vi har gjort det før – det var nettopp det den forrige regjeringen gjorde, og vi senket helsekøene med 50 000. Dette er jo arven etter Bondevik Vi kuttet i sykehuskøene. Denne regjeringen har satt rekord i sykehuskøer. Det er altså flere som står i kø nå enn før den helsereformen vi gjennomførte, der vi altså var veldig motivert for å få ned helsekøene. Så det er jo ikke så lett. Du trenger ikke løpe til Danmark. Du kan bare se på historien i Norge. Det vi mener vi skal gjøre, er å gi folk valgfrihet.

aktører utfordrer begge disse to elementene. La oss vende tilbake til Danmark. Der har regjeringen, i likhet med Bondevik II-regjeringen, gitt skattefritak for private helseforsikringer som gir rett til behandling på private sykehus. 60 pst. av dansker med inntekt over en halv million danske kroner har slik forsikring, mens kun 12 pst. av dansker med inntekt under 300 000 kroner har slik forsikring. For det andre er det slik at en For det andre er det slik at en av de største utfordringene innenfor helse og omsorg er tilgang på kvalifisert personell i årene som kommer. Der sliter distriktene allerede, og en privatisering vil føre til større konkurranse. Hvordan mener Erna Solberg at en privatisering skal føre til bedre sosial og geografisk utjevning når bildet er slik som det er? Fordi vi vil gi valgfrihet innenfor offentlig finansierte budsjetter, betyr det at det ikke helseforsikringene som det faktisk er under den rød-grønne regjeringen. Helseforsikringene har økt med 134 pst. de siste fem årene. Det er denne regjeringen som tvinger folk over i private helseforsikringer, til å pantsette huset sitt når de har alvorlige sykdommer de skal behandles for. Det er ikke vi som gjør det, det er denne regjeringen som gjør dette. Til det prinsipielle spørsmålet om hva dette betyr, vil jeg stille et motspørsmål som Helga Pedersen kanskje kan bruke en treminutter på senere i debatten. Eidskog kommune, under daværende ledelse av bl.a. Arbeiderpartiet, vedtok å ha en forsikringsgaranti for alle innbyggerne. Betyr ikke det at de da presser frem et privat tilbud, hvis Eidskog kommune gjør dette, eller er det slik bare hvis enkeltpersoner og arbeidsgivere gjør det? Det prinsipielle burde jo vært at Helga Pedersen da sa at det er forbudt å forsikre seg hvis man synes at det er en utfordring, ikke fordi en arbeidsgiver eller andre gjør det.

før dei raud-grøne vann. I ein del norske byar som Drammen og Tromsø førte det til at ei rekkje skular fekk innvilga søknaden sin om å drive med opp mot 25 pst. av den samla elevmassen i dei fylka dette gjeld. Resultatet ville ha vorte at dersom dei hadde fått til å skaffe elevar, ville dei ha tappa mange av distriktsskulane i dei same fylka. Så veit vi frå land som har ein stor del av elevane i private skular, at det er ei av dei viktigaste forklaringane på store forskjellar, og at det er med på å halde oppe store klasseforskjellar.

Vi er først og fremst opptatt av at den offentlige skolen skal bli god, at de 98 pst. av norske elever som går i en offentlig skole, skal møte en skole som gir dem et tilbud som gjør at de har lyst til å strekke seg, at de bygger sine egne kvalifikasjoner og sine egne kunnskaper. Jeg synes det er så morsomt at venstresiden bruker 98 pst. av sin tid i debatter om skole til å snakke om private skoler, til tross for at det bare er 2 pst. av elevene som går der. Vi pleier å velge det motsatte. Vi snakker 2 pst. om det vi synes er greit, nemlig at foreldre skal ha rett til å kunne velge hvilken utdanning barna deres skal ha. Det skal ikke være slik at en eller annen pedagog tidlig på 1900-tallet som fikk en god idé, skal stoppe Det er det som er dagens situasjon. Vi godkjenner bare steinerskoler og montessoriskoler. Det kan jo være en ny kreativ pedagog som har et godt tilbud som vi kan lære noe av, for vi tror på mangfoldet. Det var en del skoler som jeg virkelig ble fascinert av, som ikke fikk realisere seg, skoler med helt nye pedagogiske metoder, som var uttenkt av norske lærere, men som ikke ble godkjent. Da denne regjeringen endret politikken, tapte vi noe,

Et slikt alternativ risikerer å bli uliberalt i innvandringspolitikken, ved å stramme kraftig inn på antallet mennesker som får komme til verdens rikeste land. I forhold til personvern og rettigheter vil batong-fløyen i Høyre hente styrke fra FrPs jag for flere fullmakter til politiet. I miljøpolitikken vil industrien alltid vinne på bekostning av miljøet. I internasjonal politikk vil veien gå mot mer handel, men ikke mot økning av fornuftig bistand Alternativet vil bli for statsvennlig på bekostning av det lokale selvstyret, og for teknokratisk i spørsmål om etikk og bioteknologi. For å nevne noe.» Det kunne vere interessant å be om representanten Solbergs kommentar, ganske enkelt. Min kommentar er at jeg ikke er så pessimistisk som Torbjørn Røe Isaksen var i Jeg er mye mer optimistisk til at Høyre klarer å få godt gjennomslag for den politikken vi står for, i de forhandlingene vi skal ha fremover. Pessimisme ligger ikke så mye for meg. Jeg har også tenkt å være med i en regjering jeg kan innestå for politikken til. Og ja, det vil være en stram innvandringspolitikk på asylområdet, men det vil være en politikk som også bidrar til at den skal være anstendig og rettferdig. Det vil være en politikk som bidrar til at vi tar vare på menneskeverdet også i bioteknologien. Det er viktig for Høyre å sørge for det. Det kommer til å være en politikk, uansett hvem vi ender opp med å skulle samarbeide med, som vi kan stå for, med våre liberale Vi har så mye på borgerlig side som jeg mener vi kan realisere. Små og mellomstore bedrifter skal få bedre rammevilkår. Vi skal sørge for at skolen får et kunnskapsfokus i årene fremover. Vi skal ikke minst sørge for at vi også gir gründere en større mulighet til å sitte igjen med litt mer, og litt mer motivasjon til å skape gode og trygge arbeidsplasser fremover. Jeg var så enig i innledningen til representanten Solberg: Masse er «låst fast», staten har bindinger. Jeg kunne ikke vært mer enig. Derfor forundrer det meg at partiet som tradisjonelt er konservativt og anstendig, hopper bukk over en inngått avtale mellom staten og en av Norges viktigste distriktsnæringer, nemlig landbruket. Allerede fra 1. januar må næringsutøverne i landbruket – hvis Høyre får gjennomslag for sin politikk forholde seg til helt andre rammevilkår enn det de har, og de har inngått en avtale med staten. Så mine spørsmål til representanten er, punkt én: Er det noen annen næring Høyre ville oppført seg på samme måte overfor? Punkt to: Representanten Solberg drømmer jo tydeligvis om å bli statsminister. Hvordan vil landbrukspolitikken i en Høyre–Fremskrittsparti-regjering bli når Høyre på kutter med 1,7 mrd. kr og Fremskrittspartiet kutter med 6,4 mrd. kr, og dere ønsker et totalt annet tollvern. Hvordan vil norsk landbruk da framstå under din ledelse? Jeg er helt sikker på at representanten Slagsvold Vedum vet utmerket godt at Høyre over lang tid har ønsket en annen innretning på landbrukspolitikken enn den som føres av dagens regjering. Først og fremst har vi ønsket å slippe bonden fri fra mange av de reguleringene som i dag ligger, detaljreguleringer, slik at fra 1. januar ville man som bonde ikke bare møtt litt mindre overføringer, man ville også møtt større skattelettelser, man ville fått en opplevelse av større frihet, for det henger sammen i vår landbrukspolitikk. Derfor tror jeg at vi trygt kan si at landbruket, særlig i de delene som var opptatt av å være fremtidsorienterte, ville fått betydelig bedre rammevilkår enn det bildet Senterpartiet veldig ofte forsøker å tegne av vår landbrukspolitikk. Det vi foreslår nå, er vel omtrent på nivå med fjorårets nivå fra dagens regjering, og det var vel ikke forferdelig, det? For det første er det siste som representanten Solberg sa, direkte feil, for vi har ikke økt overføringen til landbruket med 1,7 mrd. kr på et år. Vi har økt overføringen til landbruket med ca. 500 mill. kr på et år, og i tillegg har vi økt muligheten til å ta ut pris. Høyre har gjort seg til talsmann for, punkt én: redusere overføringene med 1,7 mrd. kr, punkt to: redusere tollvernet. Og hvis du tar bort de to viktigste bærebjelkene for norsk landbruk, vil det ikke være lønnsomhet igjen å skatte for. Poenget med skatt er at du skatter for overskudd, ikke for underskudd, og hvis du både fjerner tollvernet og reduserer overføringene, så er det ikke overskudd. Så er spørsmålet mitt: Kan representanten fra Høyre garantere for at hun ikke ønsker å finne noen mellomløsning med Fremskrittspartiet på landbruksområdet, for da vil vi få en fullstendig rasering av dagens norske Jeg kan bare svare for hva som er Høyres politikk og ikke for et tenkt regjeringsalternativ, særlig ikke fordi Høyres utgangspunkt er at vi ønsker å samarbeide med fire partier, ikke bare med ett. Og det ville jo være veldig spesielt hvis vi skulle gjøre opp enkeltsaker mot ett parti i enhver replikkrunde her, når vi egentlig ønsker å se en regjering dannet av Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre Men jeg er helt sikker på at vi skulle finne gode løsninger for norske bønder. Ja, vi er et konservativt parti. Derfor gjør vi ikke brå endringer innenfor landbrukspolitikken heller, men vi gjør små kursendringer som vil gi dem som er heltidsbønder, større frihet og stimulere dem til å bruke tilleggsressursene. at innenfor mange av de tilleggsområdene som norske bønder er opptatt av – f.eks. bruken av utmark, regulering fra fylkesmannen og annet – er det i dag mange bønder som sier at de ønsker Høyres politikk. Vi ønsker altså å stramme inn på fylkesmannens inngrep i forhold til det dagens regjering gjør. Replikkordskiftet er omme. Relativt små forskjellar kom aldri av seg sjølve, det kom av politisk kamp og

med ei gravid kone og med mange ubetalte rekningar som venta heime. Og eg veit ikkje kva som var verst for han – den dårlege økonomien eller den audmjukande følelsen ved å stå der. Men begge delar rammar sårt. Låg arbeidsløyse er det viktigaste grunnlaget for at folk skal kunne realisere seg sjølv i eit samfunn. Så er dette eit budsjett for å redusere forskjellar gjennom tidleg innsats: Ved å investere i tiltak som kan få ned fråfallet i vidaregåande den sterke satsinga på å betre kvaliteten i grunnskulen, gi kompetanseutvikling for lærarar, ved å investere i øyremerkt innsats i barnevernet, som det er akutt behov for i norske kommunar. Gjennom dette byggjer vi eit vern for barn, men vi byggjer òg eit vern for samfunnet, for vi veit at det går betre med barn som barnevernet tidleg får hjelpe. Høgre og Framstegspartiet sine alternative budsjett går i ei anna retning. Det er budsjett som kan førebu eit framtidig samarbeid – mange av påplussingane og kutta går i same retning. Høgre tek nok eit skritt vekk frå sentrum i politikken gjennom dette budsjettet. Det er tydeleg at Høgre og Framstegspartiet sterkare enn før ser for seg Høgre–ytre-høgre-samarbeid aleine. Kanskje vil hausten 2010 verte hugsa som tidspunktet då Erna i realiteten sa morna, Knut Arild, sa takk for følgjet til Kristeleg Folkeparti og satsa på eit Høgre–Framstegsparti-samarbeid. Men heilt på sida av det held Erna Solberg taler. «Relativt små forskjeller er en del av limet i de nordiske samfunnene», seier ho i ein av dei for nokre dagar sidan. Høgre meiner «at de som tjener mest, også skal bidra mest til fellesskapet», seier ho òg. Kor kjem det frå, har eg lurt på, kjem det kanskje frå Høgre sitt alternative statsbudsjett? det gjer det ikkje, for der står det faktisk ingenting om forskjellar og sosial ulikskap eller fordeling i det heile, og politikken peikar i ei heilt anna retning. Kjem det frå partiprogrammet? Nei, der står det faktisk heller ingenting om slike mål. Eit søk på ordet fordeling i Høgre sitt program gir to treff på fordeling – eit treff på fordeling mellom helseforetaka og eit treff på setninga « kriteriene for fordelingen av kvoter mellom Fiskeripolitikk er viktig, men ikkje nok dersom ein vil rettferdig fordeling. Det er rett og slett ein retorikk for ein politikk som ikkje finst – ikkje i programmet, ikkje i det alternative budsjettet. Det er som om det no finst to Høgre og to partileiarar i Høgre. Det er forskjells-Høgre, som har støtte i 120 års historie, programmet, budsjettforslaget og Og så er det mjuke-Høgre, som har støtte av eit par taleskrivarar som har vore mykje i Sverige, vil eg tru, den siste tida og sett på korleis høgresida der har hatt suksess med sin retorikk. Spagaten er rett og slett i ferd med å verte vel stor. Politikken går mot høgre, samarbeidspartnaren er Framstegspartiet, men retorikken går famlande mot ein slags fellesnorske verdiar. Eg må seie at eg ser fram til med stort engasjement ein debatt om kva slags politikk som best kan gjere noko med klasseforskjellar i Noreg framover. Vi treng meir av den debatten. Og eg ser med stort engasjement fram til ein debatt om korleis vi kan utvikle velferdsstaten for ein ny generasjon. Det er òg ein av dei viktigaste debattane vi skal ha framover. No har vi lagt fram eit budsjett som vi kan byggje den debatten på, som vil halde arbeidsløysa nede, som satsar på tidleg innsats, som er eit godt miljøbudsjett, som er eit godt likestillingsbudsjett, der vi òg har fått gjort grep for å hjelpe krisesentra i ein overgangsperiode, og som tek tak i dei store utfordringane, som den raud-grøne regjeringa dei siste fem åra har gjort i Noreg. Det blir replikkordskifte. Det var interessant å høre representanten Solhjell. Egentlig burde Høyre fått alle replikkene, for det var jo bare Høyre han snakket om – ingenting om SVs politikk, men mye om det han mente var Høyres politikk. Jeg har tenkt å utfordre ham på et annet område, jeg har tenkt å utfordre ham på det finansministeren uttalte, nemlig at Da definerer han at alle skattepengene går til velferd, og at det offentlige er de eneste som kan bidra med velferd. Som SV-representant er kanskje representanten Solhjell enig i det. Eller mener han at penger som man har i egen lomme, og som man kan bruke til det man ønsker, også kan defineres som velferd? I så fall er representanten Solhjell til høyre for finansministeren. Det var et ganske oppsiktsvekkende utsagn fra
For å ta det litt i tur og orden: Ja, eg meiner at over tid vil store skattekutt nødvendigvis bety kutt i velferdsstaten sine ordningar, anten det er gjennom frivillig sektor som det offentlege betalar, eller det er gjennom offentlege velferdsordningar. Det er slik vi finansierer dei velferdsordningane. Så er mi oppfatning, og eg trur eigentleg finansministeren er heilt einig i det, at vi òg har ein veldig viktig delsektor i tillegg til velferdsstaten i Noreg som gjer eit uvurderleg arbeid. Eg er ganske sikker på at han òg vil vere einig i, kanskje i motsetning til representanten Tybring-Gjedde, at det at vi har ein stor og godt utbygd velferdsstat som basis i det norske samfunnet, er den viktigaste grunnen til at vi kan ha små forskjellar, og at relativt mange menneske kan klare seg godt i Noreg, og eit svært godt utgangspunkt for å bevare dei viktigaste trekka i det norske samfunnet. Betyr det da at representanten Solhjell mener at skattekutt ikke nødvendigvis går ut over velferden? Dersom man har solid offentlig velferd i bunnen, kan skattekutt være helt ok, for da får private mennesker lov til å disponere mer av sin egen lønnsinntekt, eller kapitalinntekt, på sin egen velferd definert av dem selv. representanten gjer ikkje det. Måten å forstå meg på er følgjande: Dersom vi kuttar i skattane, slik at vi har mindre å bruke på velferd, anten det er gjennom at Kirkens Bymisjon driv ein sjukeheim gjennom offentlege løyvingar, eller at det er kommunen som driv han gjennom offentlege løyvingar, får vi ein svekt velferdsstat – slik vil det gå. Derimot er det mange menneske i Noreg som vil få og har fått skattekutt med regjeringa sin politikk – dei som tener minst, eller som har minst formuar. Svært mange menneske i Noreg slepp no å betale formuesskatt eller har fått mindre formuesskatt. Grunnen til det er at vi har gjennomført ei omfordeling der dei med dei største formuane betalar langt meir. Så vi bør ha skattelette for dei med låge inntekter og formuar i Noreg, det må betalast av dei som har mest. Men vi må halde ved lag og auke dei samla inntektene til staten framover for å sikre velferdsstaten. Det gleder meg veldig at representanten Solhjell bruker tid på å fordype seg i Røe Jeg kan for øvrig anbefale en bok jeg ga ut i 2008, som representanten kan få kjøpe av meg, til redusert pris også, hvis han ønsker flere sitater. Jeg hadde også tenkt å bruke et sitat. Helt konkret hadde jeg tenkt å bruke sitat fra Kristin Halvorsen i 2005, hvor hun på et folkemøte rettet direkte personangrep på statsminister Kjell Magne Bondevik og sa at det var en skam at man ikke hadde fått gjort mer med fattigdommen i Norge. Jeg tror faktisk folk er mindre opptatt av sitater fra fem–seks år tilbake, og mer opptatt av konsekvensene av politikken. Sannheten er at etter seks år med rød-grønt styre har man, basert på de samme fattigdomsmålene som i 2005, nesten tredoblet andelen barn som lever i fattigdom i Norge. Fra 1999 til 2001 var det 3 pst. av barna som levde i fattigdom i Norge. Fra 2005 til 2008 var det er det som gjør at representanten Solhjell mener at seks år til med den samme politikken vil føre til mindre forskjeller og færre fattige barn? Først og fremst har det vorte gjennomført ei rekkje svært viktige fattigdoms- og omfordelingstiltak. Nokre har begynt å verke, andre har enno ikkje fått full effekt, men får det i åra som kjem. Lat meg berre ta dei som eg oppfattar som dei fire viktigaste først: Kvalifiseringsprogrammet, som no har vorte rulla utover heile landet, som gjer at mange menneske kjem tilbake i jobb før ikkje gjorde det. Vi ser at det mange stader er ein suksess. Sosialhjelpssatsane har vorte auka to gonger, det er første gongen sidan vi fekk norm om sosialhjelp at dei har vorte auka. Vi har innført ei ny bustøtteordning, som nok ikkje fullt ut har begynt å verke enno, for ho kom først for fullt i fjor. Og vi har hatt ei opptrapping av minstepensjonen som gjer at det er eit heilt anna nivå på minstepensjonane no. Alt dette er med på å redusere fattigdom i Noreg. Men dei tala vi no ser, viser at vi må gjere endå mykje meir i åra som kjem. Eg føler meg rimeleg overbevist om at eit parti som i heile si historie har kjempa mot sosiale forskjellar og fattigdom, kjem til å gjere det langt betre enn eit parti som for ei veke sidan fant på at sosiale forskjellar var viktige, og som i heile si historie har representert dei som er dei rikaste og mektigaste i samfunnet. Representanten Solhjell var inne på at det er noen partier som opererer med to fløyer. Nå lurer jeg på om det kanskje er flere partier som gjør det. Da Bård Vegar Solhjell var på besøksrunde i Nord-Trøndelag forleden, kom spørsmålet om rovdyrpolitikk opp. Han sier da at det er ikke bare SV som står for denne politikken, men hele regjeringen, og han uttrykte at de tar vare på rovdyrene gjennom en streng politikk. Det førte til et ras av meninger oppe i Nord-Trøndelag, hvor bl.a. SV-ordføreren i Namsskogan gikk ut og sa at han var klar over at dette antakeligvis var en mening blant sentrale SV-ere, som han var redd for at man måtte leve med, men at de ikke kunne leve med det der. Spørsmålet er: Står Solhjell for det han uttrykt i Nord-Trøndelag, og er det derfor to forskjellige fløyer i SV på det området? Eg har vorte kontakta av fleire som meiner ulike ting i den debatten, etterpå, og frå fleire parti. Så har eg skrive eit innlegg og gitt eit intervju i etterkant der eg har skrive kva eg meiner, kva SV meiner, og kva regjeringa meiner i det spørsmålet. Vi fører ein balansert rovdyrpolitikk, som byggjer på rovdyrforliket, der poenget er å ta vare på to omsyn. Det eine er at vi skal ha levedyktige bestandar av dei store rovdyra i Noreg i framtida. Samtidig skal det vere levedyktige forhold for dei som driv i sauenæringa og i andre næringar som baserer seg på beite. Det kan vere krevjande i mange situasjonar, og det er òg det som er grunnen til at vi no

fattige, særleg fleire fattige barn. Det er ein del bra i dette budsjettet. Det er meir til fattigdom, men det er veldig lite målretta, og det er passivt. I valkampen hadde leiaren i SV eit anna punkt enn dei fire som Solhjell lista opp i stad. Ho nemnde nemleg normerte, standardiserte satsar i sosialhjelp. Kristeleg Folkeparti fremmar det forslaget. Me ønskjer å auke satsen med 5 pst. i dette budsjettet. Eg spør meg sjølv kvifor SV ikkje kan støtte det tiltaket. Trur Solhjell at det blir noko av partiet sitt høgast prioriterte fattigdomstiltak, eller går det slik som statsråd Lysbakken var inne på i eit innlegg, at det rett og slett blir skrinlagt? Først må eg seie at det er ikkje det statsråd Lysbakken har sagt. Men så vil eg seie at eg er einig med Kristeleg Folkeparti i at det å heve sosialhjelpa, som vi gjorde i to rundar i den førre perioden, men òg å få til ei normering med ei sterkare statleg styring er viktig og nødvendig i åra som Så må vi, i samband med fordelingsmeldinga og andre saker framover, sjå på korleis vi skal gå vidare for å sikre ei god og verdig sosialhjelp for alle. Eg trur vi lett kan verte einige om at det er eit viktig tiltak, men det aleine vil ikkje utrydde fattigdommen fullt ut. Derfor legg eg vekt på breidda av tiltak. Eg kunne òg ha lagt vekt på dei mange tinga som vil førebyggje fattigdom i neste generasjon: det at vi no tek tak i SFO-ordninga og innfører ein gratis time med leksehjelp der, og ei rekkje andre tiltak som gjer at det vert skapt arenaer der ungar kan delta, at prisen går ned, sånn at flest mogleg blir inkluderte. Det legg eit betre grunnlag for mindre forskjellar i neste generasjon. Jeg har lyst til å følge opp fattigdomssporet. Venstre har i Jeg har lyst til å følge opp fattigdomssporet. Venstre har i sitt alternative budsjett omprioritert ca. 1,8 mrd. kr til vår fattigdomssatsing, hovedsakelig knyttet til å hjelpe barn. Barn velger ikke sin barndom, derfor er det en viktig prioritering for oss. Jeg var i mange debatter om fattigdom i valgkampen. Det var et stort tema i valgkampen, og mange Et av hovedspørsmålene de aller fleste steder var hvorfor vi ikke kan nå SIFO-nivå, altså legge SIFOs forskning og deres nivå til grunn for sosialhjelpssatsene? Da opplevde jeg gang etter gang at Kristin Halvorsen sa at det syntes hun var en skikkelig god idé. Forskning viser – og jeg tror ikke den forskningen er tuklet med – at folk også lettere kommer seg i jobb hvis de har et såpass stort handlingsrom. Så jeg håper nå at Solhjell kan love oss at han kikker på forslagene fra Venstre og Kristelig Folkeparti og får opp sosialhjelpssatsene. Det er en veldig målrettet satsing. Det er veldig bra at Venstre har kikka på eit SV-forslag som vi har lagt inn i Stortinget i mange år og jobba hardt med, vorte einige med oss og no legg det inn. Det betyr at fleire slåst for å heve sosialhjelpssatsane og gi ein verdig økonomi til folk. For det er riktig som representanten Skei Grande seier, det er ikkje sånn at folk vert meir motiverte til å kome vidare i livet ved å ha det trongt økonomisk. Dei blir det ved å ha det trygt økonomisk. Så var jo ikkje akkurat valresultatet sånn for verken Venstre eller SV sin del – kan vi verte einige om – at det gav massiv støtte til det vi hadde fremma i valkampen. det er det som er utfordringa her: få fleire – anten dei er på venstresida eller høgresida i politikken – til å verte einige om at det òg er nødvendig med høgare sosialhjelpssatsar. Eg vil òg seie at det er eit breitt spekter av tiltak som er nødvendig for å utrydde fattigdomsproblemet i Noreg. Det er førebyggjande tiltak for å redusere forskjellane – dei ulike tiltaka eg nemnde i mitt første svar. Eg vil leggje til ein veldig viktig ting

I land etter land i Europa gjennomfører regjeringer og nasjonalforsamlinger dramatiske kutt i sine budsjetter. Vi har dette året sett i europeiske hovedsteder massedemonstrasjoner i gatene, og den krisen som rammer våre europeiske venner, rammer selvfølgelig dem som har minst, mest. For eksempel i Spania går halve ungdomskull fra skolebenk til ledighetskø. Euroen og EU, som er vår viktigste handelspartner, er i dyp krise, og det går ikke en uke uten at vi hører om nye krisemøter. For et halvt år siden var det Hellas, nå er det Irland som dominerer overskriftene – et land som står oss nært, og som har gått fra opptur til nedtur på kort tid. Norge er et annerledesland i Europa. Vi har gjennom de siste års kriser klart det viktigste, å holde folk i arbeid og å bruke landets ressurser. Dette er ingen selvfølge, og det krever noe av oss som styrer, at vi styrer slik i dag at vi sikrer folk arbeid nå, og at vi sikrer en stabil utvikling av landet over tid. For en uke siden sa EUs nye president at EU og euroen står overfor en krise på liv og død. I går holdt Tysklands finansminister en tale i det tyske parlamentet hvor han sa at euroen er i fare. Jeg håper at EU-landene lykkes med å rette skuta, for det rammer vanlige folk så hardt hvis de ikke klarer det. Men det er avgjørende for at Norge kan føre en egen pengepolitikk at vi har en egen valuta. Den handlefriheten vi har, er den beste løsningen for landet vårt. Det forundrer meg at Høyre ikke ser dette, og at de senest i forrige uke gjorde seg til talsmenn for å innføre euroen i Norge. Senterpartiet har over tid prioritert å bygge landet og å gjøre avstandene i Norge mindre gjennom en målrettet satsing på samferdsel. Selv om vi satser sterkt i dette budsjettet både på vei og bane, skal vi trappe videre opp, for det er store oppgaver som gjenstår. Vi skal ta ut potensialet for verdiskapning landet rundt, og da er koblingen mellom næring og samferdsel svært viktig. Gode transportløsninger er avgjørende for å skape nye arbeidsplasser og for at folk skal kunne få bo der de vil. Vi lovte et taktskifte i samferdselspolitikken, og det er vi i gang med. Vi ruster opp infrastrukturen, det gjør hverdagen enklere for folk, og det styrker næringslivets konkurransekraft. Den mest tydelige forskjellen mellom oss rød-grønne og de mørkeblå i næringspolitikken er at Høyres alternative budsjett går inn for å kutte i landbruksstøtten med 1,7 mrd. kr og Fremskrittspartiet med 6,4 mrd. kr. I tillegg vil de endre importvernet. En sånn politikk ville rasert norsk landbruk, og det er skremmende å se for seg en regjering der Høyre og Fremskrittspartiet skal regjere sammen. Det vil bety kroken på døra for store deler av landbruket, og en enorm nedbygging av norsk næringsmiddelindustri. Et annet område der regjeringen har ført en markert annen politikk enn det Høyre gjorde da de hadde makt, er når det gjelder kommunene. Regjeringen har styrket kommuneøkonomien kraftig siden vi overtok i 2005. Selv om vi har økt kommunenes budsjetter med over 40 mrd. kr, er det fortsatt trangt i mange kommuner, og hvorfor er det det? Jo, fordi pengene har blitt brukt. Fra 2005 til 2009 har det blitt 16 400 flere årsverk i pleie og omsorg. Det er elleve nyansettelser hver dag. Det har blitt over 10 000 flere årsverk i barnehagene, og antallet årsverk i grunnskolen har økt med nesten 10 pst. Pengene har altså gått til å sette folk i arbeid og til å styrke den lokale velferden. I tillegg til nyansettelser har det skjedd store investeringer, ikke minst i barnehagesektoren, hvor det har blitt gjennomført en revolusjon som gjør at vi i dag – vi som er småbarnsforeldre – har trygghet for at vi har barnehageplass for våre barn når vi ønsker det. Politikken har altså virket. Men vi skal bygge videre ut, og det viser budsjettet, og det viser vi i nysalderingen med å øke kommuneøkonomien der med og i budsjettet med å øke inntektene med ytterligere 5,7 mrd. kr. Med en rød-grønn politikk vil vi fortsatt satse på bedre velferd, skole og omsorg der folk bor, for det er viktigere enn skattelette. Vi fører en samferdselspolitikk, en næringspolitikk og en kommuneøkonomipolitikk som skal legge grunnlaget for utvikling i hele landet, som skal utjevne forskjeller, ikke forsterke dem. Det er den største forskjellen på denne regjeringen og andre regjeringer. Vi ønsker et

den solidariteten vi bør vise resten av verden. Det er ikke alltid det er like fremtredende fra Senterpartiet. Så er også han opptatt av hva vi skal leve av videre fremover. Da er skatt som stimulans for næringslivet svært viktig, også i landbruket. Vi har hørt representanten Lundteigen tidligere her i dag. Jeg oppfatter at Lundteigen taler varmt for å fjerne beskatningen på arbeidende kapital. Det vil være et veldig viktig tiltak på sikt. Men så hører vi stort sett fra de rød-grønne talerne her i dag at skattelettelser er å undergrave velferden. Kan Slagsvold Vedum si meg: Er han enig med sin broder Lundteigen? Og: Hvilken velferd vil bli undergravet ved at vi fjerner formuesbeskatningen på arbeidende kapital? Det er hyggelig å bli kalt «broder» av Lundteigen. Vi har litt det samme hårfestet, så det kan jo, i tillegg til partitilknytning, være noen likhetstrekk, men jeg skal gå til det du tok replikk på. hadde representanten en liten slengbemerkning i starten av sin replikk om at vi ikke viser solidaritet med andre land. Hvis vi ser i bistandsbudsjettet, er det jo de rød-grønne som nettopp løfter bistanden, mens det er Høyre som kutter. Vi har solidaritet lenger enn Europa, fordi verden er større enn Europa. Derfor løfter vi utviklingshjelpen og er stolte av å være med på det. Når det gjelder arbeidende kapital: Vi trenger formuesskatt i våre budsjetter for å få til våre satsinger, men vi mener at vi over tid må prøve å skåne den delen av kapitalen som skaper mer verdier, ikke den sovende kapitalen. Vi trenger formuesskatt og å ta inn skatt fra dem som har skatteevne, men vi må prøve å beskytte f.eks. den delen av formuen som da går til direkte merverdi for Jeg skjønner at Senterpartiet og regjeringen skal saldere budsjettene sine, det forstår jeg. Men jeg forstår også svaret til Slagsvold Vedum dit hen at han mener at det å redusere formuesskatten, kanskje til og med å fjerne den, vil ikke bety noen ting for velferden, det vil tvert imot stimulere den videre. Så har representanten Slagsvold Vedum snakket mye om landbrukspolitikk i dag og om Høyres alternative budsjett. Situasjonen i landbruket er jo slik at man etterspør nye investeringer. Høyre har foreslått betydelige tiltak for å øke investeringene i landbruket, bl.a. skattelettelser, avskrivningsøkninger og investeringsfond som gjør at man får redusert skatten. Vil representanten Slagsvold Vedum også støtte den Først må jeg bare presisere at Senterpartiet ønsker å videreføre formuesskatt. Vi ønsker å målrette den, så den blir enda mer presis. Det er punkt 1. Punkt 2: Jeg kommer fra den delen av landet der vi har de største eningene innenfor norsk landbruk, som driver mest «rasjonelt» og som leverer størst volum. Det er de som vil rammes hardest hvis du gjennomfører Høyres landbrukspolitikk. Hvis du produserer mer og mer og du ikke tjener noe per enhet, vil du gå med netto tap. Hvis Høyre gjennomfører sine kutt både i overføringer og redusert tollvern, vil en del av de største produsentene ikke få overskudd på det de produserer. Da er det ikke noe poeng å drive nyinvesteringer, å foreta tunge investeringer innenfor f.eks. kylling og gris – den type produksjoner der marginene er så små at du faktisk vil tape per enhet du produserer i stedet for å Presidenten registrerer at representanten Flåtten har bedt om en tredje replikk. Presidenten er akkurat nå litt usikker på om det er plass til det, og ber representanten tegne seg hvis det Representanten Slagsvold Vedum var opptatt av å snakke om ting som rammer dem som har minst. Nå opplever vi en situasjon der en i dag fikk høre at strømprisen ville gå opp til 80 øre per kWh, og vi er bare i starten av vinteren. Det er staten som her melker strømkundene fordi staten og det offentlige eier mesteparten av kraftproduksjonen. Opposisjonen har et forslag i budsjettet i dag, der en sier en bør følge utviklingen i strømprisene, og hvis en ser at dette blir verre enn normalt, skal en trå til med ekstra bostøtte nettopp til dem som har minst og som rammes mest når strømprisene går i været. Det forslaget støtter ikke regjeringen. På bioenergidagen 2010 sa SVs Snorre Serigstad Valen at han ønsker høyere strømpris. Nå har han fått det. Mitt spørsmål til representanten Slagsvold Vedum er, siden Senterpartiet har olje- og energiministeren: Er Senterpartiet enig i tilnærmingen til SV? Hvis nei, hvilke tiltak ser representanten for seg at regjeringen vil komme med for å hjelpe dem som har minst, men som rammes mest av høye strømpriser? Regjeringen står samlet bak den energipolitikken regjeringen fører. Det er ikke noen uttalt målsetting for regjeringen å føre Vi ønsker å ha en stabil og god utvikling med utbygging av norsk vannkraft og norske fornybare ressurser. Det har regjeringen gjennomført. Vi har gjennomført en satsing på utbygging av fjernvarme for å sikre stabil varme og også å bruke en fornybar ressurs, nemlig trevirke. Hvis man reiser rundt i Norge nå, ser en at det har vært en stor utbygging av fjernvarmeanlegg spesielt i Også det massedeponiforbudet som regjeringen gjennomførte i fjor, har gjort at det i de siste årene har blitt bygd store søppelforbrenningsanlegg, som også sikrer stabil varmeforsyning til mange av landets store byer. Regjeringen følger selvfølgelig utviklingen i strømprisene nøye, men det er et marked, og så må vi hele tiden prøve å få inn mer strøm i markedet, slik at prisene ikke blir unødvendig høye. Problemet som representanten Slagsvold Vedum ikke berører, er at til tross for at noe har skjedd i energipolitikken – men altfor lite – har vi sett at strømprisene har steget jevnt og trutt under denne regjeringen, og de når altså nye høyder om vinteren. I fjor var en oppe i 14 kr per kWh, skjønt det var bare i noen få timer, men gjennomsnittsprisen over flere dager i Midt-Norge var over det nytter ikke å vise til at en har bygd ut noen avfallsforbrenningsanlegg når konsekvensene av totaliteten i regjeringens energipolitikk er at strømprisene øker kraftig, og de som har minst, rammes mest. Regjeringspartiene viser i dette budsjettet at de ikke ønsker å støtte opposisjonens forslag om å bruke bostøtten mer aktivt når strømprisene går i har tidligere stemt imot Fremskrittspartiets ønske om å bruke elavgiftsmekanismen mer aktivt. Den har også stemt imot å bruke mobile gasskraftverk for å bedre kraftbalansen på kort sikt. Spørsmålet jeg gjentar da, er: Når konsekvensene av regjeringens politikk er at det om vinteren blir kraftig høyere strømpriser – hvilke tiltak har regjeringen å stille opp med for å hjelpe dem som har minst i den situasjonen?
av regjeringens satsing i energipolitikken vært å bygge videre ut de fornybare energiressursene, både vind, vann og ikke minst bio, og også nå etter søppelforbudet: å bruke søppel som en ressurs for oppvarming av bebyggelse. Når det gjelder kraftsituasjonen og kraftbalansen i Norge, har et annet viktig tiltak fra regjeringen vært å bygge ut mer linjekapasitet for å føre mer strøm inn i de områdene som har store utfordringer og store prisproblemer, bl.a. Midt-Norge. Det er man i full gang med for å klare å få en bedre utveksling av strøm mellom regioner i Norge, men også mellom land, for å ha en mer stabil strømpris rundt omkring i hele landet. Jeg regner med at representanten Slagsvold Vedum er like ukomfortabel med å bli kalt sosialistisk som jeg er med å bli kalt borgerlig. For meg handler sentrum vel så mye om de politiske sakene og de politiske løsningene som det handler om en ren samarbeidskontekst. Sentrumspolitikken gir oss ofte andre løsninger. Regjeringen har de siste årene valgt å bruke flere milliarder kr på flere undervisningstimer for de aller minste og gratistimer i SFO – alt for å være på full fart inn i heldagsskoleprosjektet. Det er noe som både høyre- og venstresiden har støttet i norsk politikk, mens Kristelig Folkepartis løsninger har vært at vi har ment at læreren er den viktigste ressursen, vi må ha flere og bedre lærere, og vi må satse de store pengene på dette. Mener representanten Slagsvold Vedum at det føres en god sentrumspolitikk ved å bruke 1,3 mrd. kr på flere timer for de aller minste i stedet for å bruke pengene på lærerne og på ungdomsskolen? Ja, jeg mener at vi fører en god sentrumspolitikk. I Soria Moria II-erklæringen er det varslet at hovedfokuset er å skape innhold i skolen – økt lærertetthet, og at en ikke nå skal kjøre en massiv videreopptrapping av antall skoletimer. Det er helt tydelig uttalt i regjeringserklæringen. I løpet av de fem årene vi nå har sittet med regjeringsmakt, har man økt lærertettheten i skolen. Det ble 10 pst. flere ansatte i skolen fra 2005 til 2009, og det var det vi varslet. Nå sier vi at det er ikke nye, store opptrappinger av antall timer som trengs, men en videre satsing på innholdet. Jeg ser at representanten viser til Soria Moria. Men poenget er jo at alle de pengene man bruker på skolen, har man valgt å bruke på økt timeantall, også i inneværende års budsjett, sånn at det økte antallet lærere har gått med til å fylle de økte antall timer som denne regjeringen har vært med på å påføre skolen. Når jeg prater med lærere ute i skolen, sier de at det de trenger er flere lærere, de ønsker seg mer kompetanse, og de har ikke bedt om disse økte antall timer. Det hjelper ikke å vise til en Soria Moria-erklæring hvis man ikke kan vise til hva man faktisk leverer. Så mitt spørsmål blir igjen: Synes representanten at det er viktig at de store pengene, altså 1,3 mrd. kr årlig, skal gå til disse økte antall timer som denne regjeringen har påført skolen? Eller ønsker man å bruke disse pengene annerledes, til å styrke skolen sånn at det faktisk blir et godt sted å lære og et godt sted å være? Det svarte jeg på i stad. Ja, jeg mener det har vært rett at vi har gjennomført en timetallsøkning i skolen. Det har regjeringen gjort i fellesskap. Vi har tilført skolen mer ressurser. Det ble 10 pst. flere ansatte fra 2005 til 2009. Vi har også økt lærerkapasiteten for å følge opp de timene. Regjeringen har varslet at nå framover er det ikke store timetallsøkninger som er deres prioritet, men nå er det å satse videre på innholdet i skolen, øke lærertettheten sånn at vi fyller skolen med et godt og kvalifisert innhold.

Vi vil styrke de eldres rettigheter. Det betyr en sykehjemsplass når du trenger det. Det betyr mulighet til å komme ut. Det betyr livshjelp eller lindrende behandling ved livets slutt. I eldreavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre var det også nedfelt. Det ble fulgt opp av statsminister Jens Stoltenberg da han lanserte eldreplanen i valgkampen i 2009, sammen med Gro Harlem styrke de eldres rettigheter gjennom en lovendring og en ny forskrift om en verdig eldreomsorg.» Kristelig Folkeparti forutsetter at dette løftet blir oppfylt ord for ord. For å slå fast først som sist: En styrking av eldres rettigheter til en verdig omsorg koster penger. Hvis du skal få en sykehjemsplass når du trenger det, må det bygges og driftes flere sykehjemsplasser enn vi har i dag, og for å komme ut når du vil, må det være flere mennesker som kan følge deg når du ikke kan gå alene. Og for å få livshjelp i livets sluttfase må det være noen som kan gi det, som har kompetanse til det og som har virkemidlene – i hele landet. Det må være sykepleiere og annet helsepersonell som har innsikt i hva det vil si å lindre fysisk, psykisk, eksistensiell og åndelig smerte. Ifølge KS er regjeringens forslag til økning i de frie Den gir ikke rom for nye satsinger, kun for å ta unna økningen i antall pleietrengende. Det er avgjørende at kommunene får økonomisk handlefrihet for ny satsing i eldreomsorgen. Derfor foreslår Kristelig Folkeparti i alternativt budsjett over 1 mrd. kr for å styrke eldreomsorgen både med frie midler til kommunene og med målrettede tiltak. Blant annet vil Kristelig Folkeparti få fortgang i etableringen av dagtilbud for hjemmeboende demente. Der ligger regjeringen sørgelig etter i sin satsing. er en forsømt gruppe. Bare 7 pst. har et sånt tilbud i dag. Dagtilbud gir mening i hverdagen og avlaster pårørende, noe som kan utsette behovet for institusjonsplass. Utbyggingen av sykehjemsplasser går også for tregt. Kristelig Folkeparti frykter vi får en ny krise i eldreomsorgen, og vi mener staten må ta mer av sykehjemsregningen for kommunene. Ut fra de signaler som er kommet fra regjeringen i det siste, er vi glad for å konstatere at regjeringen ser ut til å følge opp vårt forslag fra tidligere i år om nettopp dette. Dette handler om verdighet, ja, det handler om anstendighet for dem som har bygd det velferdssamfunnet som Norge får premie for på FNs indekser hvert eneste år. Verdighet er også det sentrale når vi som nasjon går i front for å bekjempe ekstrem fattigdom i verden. Det handler om menneskeverd og verdighet. Finansministeren hadde en interessant innledning på sitt innlegg i dag: Hvordan ser Norge ut utenfra? Vi er verdens rikeste på mange måter. Vi er verdens beste land å bo i. I Kristelig Folkeparti ønsker vi ikke et bilde av Norge der vi som er så godt stilt, iler til og kutter skattene til oss selv, finansiert med milliardkutt i de budsjettene som skal bekjempe fattigdom, ekstrem fattigdom, i verden. Vi vet at den innsatsen redder liv hver eneste dag. Så målrettet er mye av den innsatsen. Vi vet derfor at milliardkutt i den klassen vi skal stemme over her i kveld, vil ha den motsatte effekt. Det vil gå flere liv tapt som følge av at man f.eks. kutter på vaksinesatsingen, som kanskje er noe av det aller mest målrettede Norge for tiden driver med innen bistand. Dette handler om verdighet. Men det handler også om anstendighet. Det handler om hvordan vi forvalter den unike situasjonen vi har kommet i, som verken de eldre eller yngre har brakt oss i, men som skaperverket har gitt oss å forvalte. Skal vi stå oss i historien som en generasjon som forvaltet de mulighetene Norge har i dag, med verdighet og anstendighet, kan vi ikke bevilge oss selv enda mer velstand ved å finansiere det med kampen mot ekstrem fattigdom i Det blir replikkordskifte. Jeg mener at representanten Høybråten har holdt et veldig riktig og veldig viktig innlegg, som satte i perspektiv de tingene som det er når vi nå diskuterer vårt eget økonomiske opplegg for neste år. Vi har nå fått presentert opposisjonens opplegg. Vi ser at for høyrepartienes vedkommende handler det om én ting – som Høybråten i betydelig grad var inne på – nemlig skattelettelser. Deres viktigste politiske satsing er å sørge for skattelettelser. Og det er en politikk som peker i en helt annen retning enn det som var innholdet i Høybråtens innlegg, slik tydelig hørte det. Kristelig Folkeparti har helt andre prioriteringer også i sitt eget alternative budsjett. Det er fordelingsperspektiv og det er kampen mot kommersialisering av våre helse- og omsorgstjenester. Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti står selvfølgelig sammen om en slik linje. Det spørsmålet som det i forlengelsen av dette resonnementet er sentralt å stille Høybråten, er: Er det ikke mulig for Kristelig Folkeparti å si veldig tydelig nå at det ikke kan være noen mulighet for at man i fortsettelsen velger en høyreregjering istedenfor den regjeringen som nå sitter? Jeg hadde ventet at representanten Kolberg ville stille spørsmål om Kristelig Folkepartis politikk. Jeg vil bare si ganske kort: Kristelig Folkeparti kommer til å stå for denne politikken, uansett hva slags regjering vi får. Vi er ikke fornøyd med den sittende regjering. Vi er ikke fornøyd med regjeringen når det gjelder dens familiepolitikk. Vi er ikke fornøyd med regjeringen når det gjelder dens politikk overfor frivillige institusjoner, det har kommet klart fram i denne debatten. Vi er ikke fornøyd med regjeringen når det gjelder dens kamp mot fattigdom, verken i Norge Vi kommer til å støtte den regjeringen som gir oss mer Kristelig Folkeparti-politikk. I øyeblikket er det ikke veldig klare utsikter til en slik regjering. Hvis vi ikke får en regjering som gir oss mer Kristelig Folkeparti-politikk, er Kristelig Folkeparti et opposisjonsparti som fra sak til sak vil forholde seg til den til enhver tid sittende regjering. Men vi er altså i 2010. Valget er i 2013. Det er altfor tidlig å stille den type spørsmål som representanten Kolberg gjør. Representanten Høybråten sier at han er overrasket over at jeg ikke spør om Kristelig Folkepartis politikk. For det første utkvitterte jeg veldig mye av det han Spørsmålet om hvilken hovedlinje Norge skal gå etter, vil selvfølgelig knytte seg til hva slags regjering man vil ha i det lengre perspektiv. Jeg hører at Kristelig Folkeparti sier at de ikke vil støtte SV, og de vil heller ikke støtte Fremskrittspartiet – det er liksom ytterpunktene. Men vi ser jo tydelig at det realistiske alternativet nå er at høyrepartiene står sammen. De har til og med bekreftet det i dag, i denne debatten. Og det er ikke for mye forlangt, eller feil forlangt, at man da spør Kristelig Folkeparti om hvordan de vil plassere seg her. Det sies her at man vil støtte en regjering der man får mer Kristelig Folkeparti-politikk. Det er ut fra det perspektivet jeg spør representanten Høybråten om hvordan han tenker seg at en alternativ regjering kan støtte Kristelig Folkeparti-politikk mer enn det den sittende regjering gjør. Vi har erfaring, historisk sett. Jeg snakker da på vegne av et parti som har deltatt i samtlige koalisjonsregjeringer etter krigen, så nær som den som sitter nå. Og vi har ledet tre av sju slike koalisjonsregjeringer. Vi har i sannhet tatt ansvar. Vår erfaring er at vi får mest gjennomslag for Kristelig Folkeparti-politikk i sentrum og i samarbeid mellom sentrum og Høyre. Det er ingen hemmelighet at det er vår prioritet. Så har representanten Kolberg helt riktig oppfattet at vi ikke ønsker en regjering som har slagside til ytterpunktene i norsk politikk. Vi ønsker et alternativ til en regjering vi på mange punkter er misfornøyd med. Det vil vi arbeide for. Det er tre år fram til stortingsvalget. Derfor er det helt urimelig å forlange at vi ut fra en tenkt sammensetning av Stortinget skal spekulere om hvordan Velgerne og Kolberg skal før valget i 2013 få et klart svar på hvor vi står når det gjelder dette. Det foregår en debatt om gratisprinsippet i høyere utdanning. Flere har vært ute og sagt at vi bør innføre studieavgift. Blant annet har rektor ved BI sagt at det er fornuftig, for da vil studentene blir mer motiverte – akkurat som om det ikke er kostbart nok fra før å studere. Slik sett var det overraskende – og skuffende, sjølsagt – for oss i SV at det var Kristelig Folkeparti som skulle legge inn et slags første forslag om eller en tilnærming til å få på plass en slik studieavgift, at utenlandske studenter nå Det synes jeg er dumt, av mange årsaker. For det første er det mange tredjeverdenstudenter som kommer til oss, og såpass som å tilby dem studier burde vi virkelig ta oss råd til. For det andre er erfaringen fra andre land, bl.a. nabolandene våre, de innførte en slik studieavgift, fikk man langt færre utenlandske studenter. Både i Sverige og i Danmark har de begynt med rekrutteringsprogrammer for å få dem på plass igjen. Og våre universitets- og høyskolefolk sier at det er viktig nettopp å få utenlandske studenter inn ved våre læresteder. Det er en misforståelse hvis SV har lest Kristelig Folkepartis alternative budsjett slik at vi vil innføre en generell studieavgift ved norske universiteter og høyskoler. Det vil vi ikke. Vi står på gratisprinsippet og mener det er en viktig rettesnor for høyere utdanning i Norge. Samtidig har vi som et tiltak i vårt budsjett et forslag om å innføre en avgift for utenlandsstudenter i Norge. Det gjør vi fordi vi ser at en rekke land rundt oss gjør det samme. Og vi ser at det kan gjennomføres uten at en bryter med det hovedprinsippet som gjelder for studier i Norge. De studenter som man målrettet ønsker å hjelpe til en utdanning i Norge, kan man hjelpe på annen måte, f.eks. gjennom stipendieordninger. Jeg tror jeg sa at jeg hadde oppfattet det riktig, at det gjaldt nettopp utenlandske studenter. Jeg gjentar mitt poeng: Jeg tror det er dumt, ikke minst for Norge, at vi gir oss muligheten til å få mange utenlandske studenter til oss. For det er mange argumenter for ikke å komme til Norge, bl.a. fordi vi er et lite land, snakker norsk osv. Når vi får klar beskjed fra ledelsen både ved høgskoler og universiteter at det er en berikelse for oss å få de utenlandske studentene hit, syns jeg det er rart og ekstra skuffende at nettopp Kristelig Folkeparti går i bresjen for at vi skal få færre studenter. Det tror jeg er uklokt for en kunnskapsnasjon som Norge. Det står enhver representant fritt å mene at Kristelig Folkepartis politikk er uklok. Når vi gjør dette, er det fordi vi som en del av vårt alternative budsjett faktisk har en langt sterkere satsing på utdanning, forskning og grunnutdanning til sammen enn det som ligger i regjeringens opplegg. Vi synes ikke det er urimelig å finansiere det med en type ordning som blir mer og mer vanlig i våre naboland, og som kan gjennomføres på en slik måte at de spesielle hensyn som representanten er opptatt av, og som jeg langt på vei er enig i, ivaretas ved utformingen av denne ordningen. Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2011 har tittelen «Et varmere samfunn». Jeg må jo innrømme at det er et godt dokument de har lagt fram, og jeg tror ikke Norge ville ha vært vondt å bo i hvis en hadde fått gjennomført dette fullt og helt. Men jeg vil gå litt tilbake til det spørsmålet som representanten Kolberg var inne på, nemlig at vi har fått presentert Høyres og Men jeg vil gå litt tilbake til det spørsmålet som representanten Kolberg var inne på, nemlig at vi har fått presentert Høyres og Fremskrittspartiets økonomiske politikk i dag. Da mener jeg det er relevant å få vite hvordan en betrakter det, hvilket dokument som ligger nærmest Kristelig Folkepartis politikk, om det er regjeringens budsjett eller summen av Høyres og Fremskrittspartiets budsjettforslag. For det handler om hvilke briller jeg skal ha på meg når jeg leser dokumentet «Et varmere samfunn», og vil ha svaret på hvordan dette dokumentet til slutt vil virke ute i samfunnet. Jeg tror representanten Pollestad har lest dette dokumentet veldig godt når han så til de grader kan trykke det til sitt hjerte som det han gjør nå. Det tyder på at representanten Pollestad har et bankende sentrumshjerte, for det er god sentrumspolitikk Kristelig Folkeparti har lagt fram. Vi korrigerer en del av de usosiale trekkene ved det forslaget som den rød-grønne regjeringen har lagt fram, bl.a. når det gjelder satsing mot fattigdom i Norge, når det gjelder satsing på familien, når det gjelder satsing på frivillige organisasjoner når det gjelder satsing på rusavhengige, som er noen av dem som står lengst nede og ytterst i det norske velferdssamfunnet. Så får folk selv dømme hvordan dette plasserer seg i det politiske landskapet. Vi har ikke tatt mål av oss til å sette dette inn i en slags politisk geometri som bare har én dimensjon – høyre og venstre. Norsk politikk er mye mer sammensatt enn det. Dette er god sentrumspolitikk. Det er god Kristelig Folkeparti-politikk. Vi er stolte av det budsjettforslaget vi har lagt fram, og vi vil gjerne samarbeide med andre partier for å få gjennomført det. Siden Senterpartiet valgte å gå til sentrum-venstre etter at Kristelig Folkeparti hadde prøvd sentrum-høyre, har vi fått økt utviklingshjelpen ganske kraftig. Kristelig Folkeparti har alltid vært litt mer utålmodig enn det regjeringen har vært, men det har gått i riktig retning. Vi har økt ganske kraftig. Kristelig Folkeparti har alltid vært litt mer utålmodig enn det regjeringen har vært, men det har gått i riktig retning. Vi har økt antall kvoteflytninger. Der har også Kristelig Folkeparti vært litt mer utålmodig, mens Høyre og Fremskrittspartiet også der ønsket å redusere, akkurat som i utviklingshjelpen. Vi har økt alkoholavgiftene. Kristelig Folkeparti er også der litt utålmodig, mens Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å gå i motsatt retning. har vi økt støtten. Også der har Kristelig Folkeparti noen ganger vært litt mer utålmodig, mens Høyre og Fremskrittspartiet har ønsket å gå i motsatt retning. Vi har økt satsingen på kommunal sektor. Også der har Kristelig Folkeparti vært mer utålmodig, mens Høyre og Fremskrittspartiet har ønsket en helt annen håper jeg at også Kristelig Folkeparti ser at det er i sentrum-venstre de gode løsningene ligger. God sentrumspolitikk er å ta det utgangspunkt å samarbeide både til høyre og til venstre med tanke på hvor en får gjennomslag for den politikken. Senterpartiet har valgt å forlate det prinsippet i sentrumspolitikken og har bundet seg til å samarbeide med SV i alle saker. Det gir noen utslag som slett ikke er særlig gunstige – kutt i kontantstøtten, kutt i skattefrie gaver, kutt i viktige sosiale formål og en innstramming i frivillig sektor som jeg tror Senterpartiet egentlig skjemmes litt over, hvis de skal være helt ærlig. Vi har den erfaring jeg ikke her for å gi andre partier attester – at de ter seg best i et samarbeid med Kristelig Folkeparti. Da har vi fått dem med i en riktig retning når det gjelder veldig mange av de sakene som representanten Slagsvold Vedum refererer til, ikke minst når det gjelder bistanden. Så ser vi hvordan det går når de er sluppet fri fra Kristelig Folkeparti. Replikkordskiftet er omme. Det å lage et statsbudsjett handler om å ta valg for

Det som Venstre i hovedsak er uenig med denne regjeringa i, er at denne regjeringa kun ser på framtida i et 1-årsperspektiv, mens vi mener at man må ta store strategiske valg i dag når man har handlingsrommet, for å foreta de strategiske valgene for framtida. Derfor er utdanning så viktig. Utdanning har alltid vært viktigste saken på Venstres dagsorden – helt fra Johannes Steen sto her og la fram planen om en samlet folkeskole. Jeg er helt sikker på at Johannes Steens kamp for dannelse, for alles rett til å lære seg å lese, og for at alle skulle sitte på samme skolebenk, nok ble møtt med mange spørsmål om man trengte denne kunnskapen. Er det ikke utrolig bortkastet at mange av de barna som kunne ha jobbet og skaffet inntekter til familien, skal sitte her og lære seg å lese dokumenter og salmebøker de aldri kommer til å forholde seg til? Lell var Johannes Steens reform så viktig. Det handler om demokrati, det handler om et individs utvikling – og et samfunn skal ønske å ha borgere som er med på å utvikle landet. Man skal ikke gå inn og bestille de borgerne man ønsker. Man skal tro på kunnskap som drivkraft, som energi, til å forandre landet. Jeg har lyst til å komme med et eksempel. Jeg besøkte Romania rett etter revolusjonen og bodde på et hotell i Den elektriske døra gikk i stykker. Hotellet ansatte to menn for å dra opp døra og dra den igjen hver gang noen skulle gjennom den. Det er klart at det skapte to arbeidsplasser. Men det er et synlig bevis på et land som er under et veldig press, og som har veldig dårlige framtidsutsikter. Et land som klarer å utdanne folket sitt til å si at dette er en for dum jobb å gjøre, dette må vi gjøre noe med, og der også kunnskap blir billigere, er et samfunn som faktisk klarer å skape velferd framover. Og både offentlig sektor og privat sektor trenger disse endringene. Det er mange ting vi kan gjøre innenfor offentlig sektor, både for å gjøre det bedre og mer effektivt og for å øke kvaliteten. Til det trenger vi kunnskap. Det er en feiltolking å tro at offentlig sektor i dag mangler hender. Det offentlig sektor i dag mangler, er hoder. Derfor er hele den debatten som vi har sett i media de siste dagene, om at vi utdanner befolkningen vår for mye, en grunnleggende feiltolking. Sjølsagt skal folk sjøl få velge hvilken type utdanning man ønsker – og om man ønsker utdanning. Men et samfunn skal alltid legge til rette for at flest mulig får mest mulig kunnskap inn i sine hoder. Som en som jeg har diskutert med på mail de siste dagene, sier, at det er jo samtidig krystallklart hva samfunnet har for behov. Nei, det er ikke krystallklart. Det er faktisk veldig krystallklart at hvis vi skulle ha satt oss ned her og tenkt hvilke behov for kunnskap samfunnet har i framtida, kan jeg garantere at vi tar feil. Det har politikere, det har samfunnsdebattanter gjort siden tidenes morgen, for det svaret ligger ikke i noen forskningsrapport, det svaret ligger ikke i noen politisk debatt. Det svaret ligger i hver enkelts hode, i hver enkelts brennende engasjement, i hver enkelt borger i et samfunn. Dette er det ideologiske grunnlaget, dette er det strategiske valget som vi i Venstre har gjort i vårt alternative budsjett: Sats på kvaliteten i norsk skole, sats ordentlig på forskning når vi har handlingsrom til å gjøre det! Si til alle de studentene som er kvalifisert, og som står i kø i tusentall foran norske universiteter og ønsker å få en studieplass: Vær så god – søk så mye kunnskap som du bare kan! Venstre har lagt inn 2,2 mrd. kr mer til satsing på forskning, kunnskap og skole. Vi har lagt inn over 70 mrd. kr mer i Forskningsfondet. Dette henger også sammen med det vi gjør på Det er en endring gjennom at vi gjør noe nytt. Friskt næringsliv skal kunne skape arbeidsplasser i framtida – basert på kunnskap, basert på et miljø i balanse. Finn de løsningene som folk kan leve med i framtida! miljøpolitikk er langt fra 1970-tallets miljøpolitikk, som handlet om forbud og regler. Vi legger til rette for å skape nytt næringsliv. Mye av det næringslivet kan skapes i norske distrikter, bare vi er villige til å bruke skatte- og avgiftssystemet vårt, bare vi er til å bruke hele skattesystemet, slik at folk er med på å skape arbeidsplasser i framtida. Det er de valgene vi burde ha tatt her i dag. Det blir replikkordskifte. Det framstår kanskje litt spesielt at jeg begynner min replikk med å si at representantene fra opposisjonspartiene holder veldig gode innlegg, men det vil jeg gjerne repetere nå. Alt som ble sagt om fellesskolen fra representanten Skei Grandes side, støtter jeg helt. Det har vært en lang kamp – og er det i dag – mot høyresidens forsøk på å privatisere skolen og dermed ødelegge det som Venstre i sin tid skapte. For det er det som er trusselen mot det som Skei Grande sa i sitt innlegg. Det er slik at Venstre på en veldig god måte foran siste stortingsvalg var garantisten for at Fremskrittspartiet ikke skulle komme i regjering. De ville under ingen omstendighet støtte en slik regjering. Begrunnelsen var en økonomisk uansvarlighet og et syn på innvandring som Venstre ikke ville støtte. Det vi har hørt i dag, og som vi har sett i de alternative budsjettene, var at Venstre den gangen hadde helt rett. Nå har altså Høyre invitert Fremskrittspartiet inn i regjering. Da er spørsmålet: Står Venstre ved sitt standpunkt om at de under ingen omstendighet vil støtte en regjering hvor Fremskrittspartiet er med? Jeg må først besvare fascinasjonen for Johannes Steen, som jo er en av mine store helter i Venstre-historien, og som jeg er veldig stolt av å stå i tradisjon sammen med, når det gjelder den skolen han skapte. Venstre kommer alltid til å syns at den offentlige skolen er viktigst, men vi ser ingen trussel i at andre prøver andre pedagogikker og andre muligheter. Vi sto veldig bak friskoleloven da vi satt i regjering, og vi mener at det er et godt tilskudd. Utfordringen i norsk skole handler jo ikke om de 2 pst. som går på privatskole. Det handler om at vi har en skole som ikke gir lærerne nok oppbacking til å gjøre jobben sin, som gjør at de faktisk reproduserer de sosiale forskjellene som Johannes Steen kjempet imot. Før vi klarer å prioritere det – noe regjeringa ikke gjør – svikter vi de barna som er aller svakest, og som ikke får hjelp i norsk skole. Venstre er en garantist for Venstres politikk. Og for å si det enkelt – ettersom jeg har 10 sekunder: Venstre stiller til valg for en radikal miljøpolitikk. Den tror vi ikke at vi får til sammen med Fremskrittspartiet, men vi tror heller ikke vi får den til sammen med Arbeiderpartiet. Det ble ikke svart på det sentrale spørsmålet. Det er sikkert fordi det er veldig utfordrende for representanten Skei Grande å gjøre det. Men da får jeg spørre slik: Er det slik å forstå at Venstres parlamentariske leder nå ikke vil bekrefte den linjen som Venstre sto for foran siste valg, nemlig at de ikke under noen omstendighet ville støtte en regjering hvor Fremskrittspartiet var med? Det svarer jeg gjerne på. For Venstre er det ikke posisjonene som er viktigst. Det har det vært i arbeiderpartitradisjonen. Arbeiderpartiet er glad i de svarte bilene og de fine jobbene som regjeringsmakten gir. For Venstre er ikke det viktigst. For oss er det miljøpolitikken som er viktigst, det å få grep om nærings- og skattepolitikken, og det å få til den kunnskapspolitikken som jeg snakket om. Det er det vi går til valg på. Det er politikken vi er garantister for. Og så kan jeg si at vi ser at det ikke er mulig å få til en radikal omlegging miljøpolitikken, av skatte- og avgiftspolitikken, som trengs, grepet når det gjelder et skifte fra rød til grønn skatt og det å få til en ny næringspolitikk – verken sammen med Arbeiderpartiet eller Fremskrittspartiet. Venstre er et sentrumsparti. Vi kommer til å kjempe for sentrumsløsninger, og vi er garantist for politikk. Det betyr også at man er garantist mot noen partier. Men jeg vil ha fokus på politikken, for det er politikken som betyr noe her – det er det vi får tillit fra våre velgere for å gjøre noe med – ikke hvem det er som kjører de svarte bilene. Noen av dem som garantert ikke kjører så mange svarte biler, er renholdere. Det er folk som kommer hit til Norge, gjerne fra land hvor det er mye fattigdom, for å få en bedre framtid. I en sånn situasjon er man ofte også sårbar for utnytting. Som representanten Skei Grande sikkert forstår, har jeg tenkt å

et spesielt ansvar å ivareta de gruppene som kommer hit. Det er helt merkelig å lese uttalelser som Skei Grande kom med i trontaledebatten, hvor hun sa at hun mente det var gitt at norske lønns- og arbeidsvilkår ville forbli like hvis man ikke har sterke tiltak mot sosial dumping, fordi «folk får fri mulighet til å gjøre avtaler med sine arbeidsgivere», og da ser vi jo at de «ikke er dummere enn at de faktisk gjør gode avtaler». De som da ikke har gjort det, er det fordi de er dumme? Jeg hadde virkelig håpet at SV skulle stille dette spørsmålet, fordi dette spørsmålet har de stilt til Venstre i flere debatter, og jeg har aldri skjønt hvilket ankepunkt de har ment at vi har stemt imot når det gjelder tiltak. Men vi har funnet ut akkurat det. Det er de tiltakene som gjelder den veldig byråkratiske ordningen med solidaransvar Jeg ber faktisk Inga Marte Thorkildsen om å lese budsjettproposisjonen, for det tiltaket som Venstre stemte imot, og som dere har vist til i alle debattene, er det tiltaket som regjeringa nå parkerer, der man sier at dette blir for byråkratisk, dette blir umulig å håndheve – alle innvendingene som Venstre hadde i debatten da det kom. Så for å si det enkelt: Venstre er helt enig i finansministerens tolkning av den byråkratiske ordningen knyttet til solidaransvar. Vi støtter helt finansministerens vurderinger, og stiller oss bak budsjettproposisjonen på dette Dette er altså en helt ny argumentasjon fra Venstres side, fordi Venstres argumentasjon mot de tiltakene som regjeringa kom med mot sosial dumping, har vært basert på at det hindrer konkurranse på lønn. Det har vært et liberalistisk argument – et markedsliberalistisk argument – og man har vært redd for at markedskreftene ikke skulle få lov til å fungere fritt. Og så, på fra representantene Snorre Serigstad Valen og Karin Andersen i trontaledebatten om hvorfor man gikk imot – det var flere tiltak mot sosial dumping – svarer representanten Skei Grande: fordi man tror at folk ikke er dummere enn at de klarer å gjøre avtaler på egen hånd. Men så ser vi jo at realiteten er at det er en mengde mennesker som utnyttes på det groveste når de kommer til Norge. Fagbevegelsen er heldigvis veldig aktiv i å komme med forslag til hvordan vi skal møte det, og jeg håper at representanten Skei Grande vil ha en mer konstruktiv tilnærming enn å vise til markedsliberalistiske dogmer som vil gjøre situasjonen vanskeligere for disse menneskene. Sannheten er at det vi stemte imot, var en byråkratisk ordning som ikke funket. Det er mulig at SV har kommet med mange forslag om byråkratiske ordninger som ikke funker, men det gjør ikke ting bedre. Jeg tror på åpenhet knyttet til lønnsdannelse, og det å gi folk mulighet til å gjøre egne arbeidsavtaler er mye bedre enn de papirmøllene man lager, som er så lette å omgå. Jeg har jobbet mye med menneskehandel. Jeg har snakket med mennesker i Romania. Jeg har vært på sheltere i Romania og snakket med folk som har blitt offer for handel. Mange av dem hadde papirene i orden overfor norsk arbeidstilsyn, men det er andre maktstrukturer som gjør at de blir presset. Dette er internasjonal kriminalitet. Det må jobbes med det, men det er mange andre tiltak som må gjøres. Men å byråkratisere hverdagen for småbedrifter og alle som jobber der, hjelper ikke. Mer papir hjelper ikke Det er faktisk det å jobbe med nye strukturer som gjør at de kan hjelpes i hjemlandene sine – jobbe mot kriminelle strukturer. Det å ha åpenhet knyttet til lønnsdannelse er faktisk mye viktigere enn disse byråkratiene. Først har jeg lyst til å berømme representanten Trine Skei Grande for et godt innlegg og for fokuset på kunnskap, som Senterpartiet deler. Vi har i dag fått høre et Høyre og et Fremskrittsparti som svever veldig høyt – jeg har lyst til å si høyt i det blå – og det er skattelette som er det store fokuset. Det er lite fokus på de tradisjonelle venstreverdiene, som også Senterpartiet i mange saker kjenner seg godt igjen i, bistand, inkludering, landbruk og kultur, for å nevne noen. Hvordan ser representanten Trine Skei Grande for seg at hun skal få støtte til de tingene som ligger innenfor de tradisjonelle sentrumsområdene, i en sånn mørkeblå allianse? Både Venstre og Senterpartiet har historisk fått dratt Høyre på plass når det gjelder de viktige, sosiale grepene. Det jeg syns er rart, er at Senterpartiet kan dra fram at det er skattelette som er det store problemet. Det ligger mye skattelette i Venstres program. et stort grep når det gjelder skattelette på arbeid, og økte miljøavgifter. Grunnen til det er at vi ønsker å legge til rette for norsk næringsliv. Vi ønsker å hjelpe alle disse småbedriftene på bygda som jeg trodde at Senterpartiet var opptatt av. Senterpartiet har tradisjonelt vært sammen med Venstre om grepene når det gjelder skatt, som skal gjøre at småbedriftene klarer seg, sånn at alle gründere med gode ideer skal få muligheten til å utvikle dem til arbeidsplasser. Det er veldig god distriktspolitikk i god gründerpolitikk. Så hvordan føles det for Senterpartiet å sitte i en regjering der det er ingen forståelse for dette, der formuesskatt bare handler om de rike – ikke om arbeidsplasser – der man ser at skattepolitikken bare handler om å ta inn til fellesskapet, og ikke om hvordan skattepolitikken kan brukes til å skape verdier og arbeidsplasser, som er mye viktigere for fellesskapet? Jeg tror nok at Senterpartiet og Venstre godt kan diskutere seg enige om en del typer skatteletter, som bl.a. representanten Lundteigen har vært innom. Men da har jeg lyst til å spørre representanten Trine Skei Grande: Er Venstre enig i alle de forslag til skattelette som Fremskrittspartiet og Høyre kommer med? For det går ikke kun på bedriftsbeskatning. Det går også på en rekke andre tiltak. Vi har ikke bare bedriftsbeskatning. Vi øker bunnfradraget ganske mye, fordi vi ønsker å pålegge miljøavgifter i stedet, fordi vi ønsker et skifte fra den røde skatten som handler om misunnelse og som tar folk som jobber, til faktisk å pålegge avgifter på miljøfiendtlig atferd. Det tror vi har ført til Vi tror det har ført til et bedre samfunn. Vi tror det har påvirket folks handlinger, slik at vi har fått et bedre samfunn. Så hos oss ligger begge disse delene. Jeg tror nok ikke det er lett å bli enig med Fremskrittspartiet om skattepolitikk. Den er nok for langt i det blå til det. Men jeg tror at vi hadde kunnet ta en kaffekopp med Høyre og blitt enige – så får Høyre velge om de vil ta en kaffekopp, eller om de vil sveve i det blå. Replikkordskiftet er omme. En finansdebatt skal selvfølgelig handle om budsjettet, men den må også handle om de lange linjene. For regjeringen er

For regjeringen er det viktig å forbedre og fornye velferdstjenestene, slik at de også sikres for de fremtidige generasjoner. Gjennom store og viktige reformer har regjeringen tatt slike grep. Helsevesenet står nå overfor utfordringer vi ikke hadde for noen tiår siden. Vi blir flere med diabetes, KOLS, muskel- og skjelettlidelser. Flere rammes av kreft. Vi kan, og vi vil, hjelpe flere som opplever psykisk sykdom, og vi vil hjelpe flere ut av rusavhengighet. Det sies om den oppvoksende generasjonen i USA at den kan bli den første generasjonen som har kortere levealder enn sine foreldre. Årsaken er bl.a. overvekt og en mer inaktiv befolkning, en utvikling vi også ser tegn til i Norge. Overvekt utgjør, i likhet med noen av de andre sykdommene jeg nevnte, utfordringer som ikke bare kan løses av helsevesenet alene. I dag hadde jeg gleden av å åpne et viktig internasjonalt møte her i Oslo, hvor vi sammen med Verdens helseorganisasjon fokuserer på kroniske ikke-smittsomme sykdommer, som hjerte- og karlidelser, kreft, kroniske luftveissykdommer og diabetes. Dette er en særlig utfordring vi har i Europa og den rike delen av verden, men vi ser også at en slik utvikling er på full fart inn i utviklingsland. Våre helseutfordringer er andre enn de generasjonene før oss sto overfor. Skal vi møte fremtidens helseutfordringer, må vi innrette helsetjenesten slik at vi er i stand til å løse disse. Det er dette regjeringens arbeid med Samhandlingsreformen handler om. Regjeringen vil forbedre, forsterke og fornye helsevesenet. Vi vil bygge et bærekraftig helsevesen som gjør det mulig å ta i bruk ny teknologi og nye metoder, samtidig som vi ivaretar de store pasientgruppene, som kronikere og pasienter innen psykisk helsevern og rus. Som en del av dette arbeidet har regjeringen i høst lagt frem forslag om en ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og en ny folkehelselov, hvor vi legger vekt på prinsippet om helse i alt vi gjør, og vi har lagt ut på høring grunnlaget til en ny nasjonal helse- og omsorgsplan. Med disse dokumentene konkretiserer vi Samhandlingsreformen – ja, vi går fra ord til handling. Gjennom disse setter vi et større fokus på forebygging, på helhetlige og sammenhengende tjenester og særlig at de store sykdomsgruppene skal få bedre behandling nærmere der pasientene bor. Slik vi har gjort gjennom Opptrappingsplan for psykisk helse, skal vi nå også løse flere oppgaver nær pasienten. I går besøkte jeg Mo i Rana. Der samarbeider sykehus og nærliggende kommuner tett om et desentralisert helsetilbud. I flere kommuner gjøres det lignende arbeid, og Samhandlingsreformen blir møtt med entusiasme og vilje til å tenke nytt. Dette lover godt for fremtidens helsetjenester og for vårt arbeid med å forbedre, forsterke og fornye Vi behandler stadig flere, og flere får god behandling i sykehusene våre. Vi overlever sykdommer vi før døde av. Det er viktig for regjeringen å heve kvaliteten i sykehusene ytterligere. Vi vil bedre pasientsikkerheten. Jeg har denne høsten lagt frem en rekke tiltak for å styrke dette arbeidet. Det er et viktig mål for regjeringen å få At ventetidene øker og fristene for behandling brytes, er ikke akseptabelt, og jeg følger derfor dette området tett. Jeg har presisert sykehusenes plikt til å informere og sørge for at pasienter får behandling før fristbrudd oppstår. Regjeringens forslag for 2011 om 970 mill. kr mer til sykehusene gir rom for en økt pasientbehandling på Ved flere sykehus ser vi en positiv utvikling i form av reduserte fristbrudd og reduksjon i ventetid. Samtidig er det viktig å minne om at alle som trenger øyeblikkelig hjelp, får dette, noe som utgjør ca. 70 pst. av pasientene ved norske sykehus. Det har vært debatt her i dag om ventetider, og Høyre har tatt til orde – ikke uvanlig – for private løsninger. Det har også vært hevdet at det har vært en eksplosjon i antall private helseforsikringer. Så vidt jeg har kunnet bringe på det rene, er det 8 pst. av norske arbeidstakere som har privat helseforsikring. I Danmark er det om lag en tredjedel av arbeidstakerne. Dette har eksplodert med den borgerlige regjeringen. Jeg mener at dette er en utvikling som vi ikke ønsker i Norge. Folk skal være trygge på at vi har kapasitet i vårt offentlige helsevesen til å gi et forsvarlig tilbud. Som en del av forliket regjeringspartiene inngikk med Kristelig Folkeparti og Venstre om Omsorgsplan 2015, er det fastsatt en forskrift om en verdig eldreomsorg. Forskriften bidrar til å sikre grunnlaget for et godt tjenestetilbud til eldre. Den styrker regelverket og tydeliggjør eldres rettigheter. Den videre utviklingen av eldreomsorgen må legge vekt på innholdet i tjenesten – i tillegg til kapasiteten. Eldre mennesker er like ulike som alle oss andre, med ulike behov og ønsker. En god eldreomsorg bygger på et verdigrunnlag som sikrer den enkeltes integritet og verdighet. Målet for eldreomsorgen er å sikre den enkeltes trygghet og mulighet til et meningsfylt liv. Vi har sikret full barnehagedekning, nå tar vi et viktig grep for å styrke eldreomsorgen. Vi skal fortsette utbyggingen av en eldreomsorg som sikrer alle et likeverdig tilbud, uavhengig av økonomi og sosial bakgrunn. Det viktigste er at eldre føler seg trygge på at de kan få den hjelpen de trenger, når de trenger den. Dette gjør vi best gjennom en sterk offentlig Vi øker tilskuddene til sykehjemsplasser og omsorgsboliger, og står fast ved utbyggingen av 12 000 nye plasser, og 12 000 nye årsverk, som vi har fastsatt tidligere. Den største veksten i antall eldre vil de nærmeste årene komme i aldersgruppen mellom 67 og 80 år. Vi må heller ikke glemme at en verdig eldreomsorg også handler om et tilbud til dem som ønsker å bo, her kan vi forebygge mer ved å komme tidlig inn. I hjemmetjenestene, hjemmesykepleien, gjøres det hver dag en viktig jobb og en viktig innsats som får for lite fokus. Vi trenger mer kunnskap om helse- og omsorgstjenestene i kommunene og om helse- og omsorgstjenestene til eldre. Alle fylker har fra og med 2009 både undervisningssykehjem Disse skal bidra til å styrke kompetanse og kvalitet i alle kommuner i hvert fylke. I neste års budsjett viderefører vi en satsing på omsorgsforskning. Vi har i høst sett bilder av eldre som ikke har fått de omsorgstjenestene de burde, noe som har gjort inntrykk. Vi har hørt eldre gi uttrykk for at de ikke føler seg verdsatt. Nettopp derfor tar vi flere grep for å styrke eldresatsingen. Jeg tror også dette handler om noe mer enn bare omsorgstilbudet til de eldre. Vår respekt for eldre må være like tydelig som vår entusiasme for våre unge. At vi lever lenger og lever flere gode år, er et uttrykk for at vårt samfunn har lyktes. Vår vilje til å bygge ut omsorgstilbudet til eldre må også gjenspeiles i hvordan vi alle møter og involverer eldre i hverdagen. Jeg ønsker en debatt som tar opp synet på eldre, velkommen. Vi trenger eldres deltagelse i samfunnslivet, og vi skal legge til rette for slik deltagelse. På Sveio omsorgssenter er det bygget en sansehage på sykehjemmet, i Sørum kommune har de et stort og vakkert uteområde med spennende og utradisjonelle løsninger, kunstutsmykking og terapibasseng. På Masfjorden sykehjem samler de på stjernestunder, og i Trondheim er det etablert Vi må også se på de som lykkes, og se at det er mulig. Mange kommuner satser mye på omsorgstjenester og har svært gode resultater. Jeg vil vite mer om disse kommunenes suksessoppskrift. Derfor tar jeg initiativ til et utredningsoppdrag hvor man skal undersøke hvordan andre kommuner kan lære av de gode eksemplene. Det er mange utfordringer i eldreomsorgen, men vi må også løfte frem de gode historiene og de mange tusen ansatte som gjør en fantastisk innsats hver eneste dag. Det blir replikkordskifte. I 1997 fikk vi denne kvalitetsforskriften i pleie- og omsorgstjenesten, som i 16 konkrete punkter skisserer hvordan man skal gi gode tjenester. Denne forskriften er blitt brutt hver eneste dag i 13 år i Kommune-Norge. Vi har sett helsearbeidere som har gått gråtende hjem fra jobb, fordi de ikke klarer å oppfylle kvalitetsforskriften, og vi ser medieoppslag om mange uverdige forhold. Nå har vi altså fått denne verdighetsgarantien i åtte punkter. Her er det ikke noe nytt, så vidt jeg kan se, og det er faktisk sentrale punkter som er utelatt i forhold til kvalitetsforskriften. Kan statsråden se de eldre i øynene og si at det nå skal bli slutt på uverdigheten i eldreomsorgen? Kan hun også si til de ansatte at heretter skal kvalitetsforskriften og verdighetsgarantien følges, selv om kommunekassen er tom? Det er et klart mål for denne regjeringen å satse sterkt på eldreomsorg, som jeg også sa i innlegget mitt. Det er derfor vi nå bruker milliarder på å bygge ut eldreomsorgen. Det er derfor vi må bygge flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser, og det er derfor vi må ha flere ansatte inn i denne omsorgen. Den forskriften som representanten snakket om, var en internkontrollforskrift. Verdighetsgarantien har en helt annen innretning. Det er en forskrift, men den vil også lovhjemles i det nye lovverket som trer i kraft fra 1. januar 2012. Da vil kommunenes plikt til å tilby verdig omsorg uttales, samtidig som den enkeltes rett til omsorg også uttrykkes i pasientrettighetsloven. Statsråden viser til barnehagesatsingen, at en nå har nådd full barnehagedekning, og at det nå er de eldres tur. Det er Høyre helt enig i. Derfor forundrer det oss veldig at regjeringen ikke er villig til å ta i bruk de samme sterke virkemidlene for å få full sykehjemsdekning, som de tok i bruk for å få full barnehagedekning. På 1990-tallet – forrige gang vi hadde en stor satsing på eldre – ble det bygget 6 000 heldøgns pleie- og omsorgsplasser i kommunene, i samarbeid med private. Denne regjeringen setter en stopper for den type samarbeid. Høyre er helt enig i at en skal øke tilskuddet for å bygge flere sykehjemsplasser. I tillegg ønsker vi en rentefri låneordning på toppen, men det må vel også være mulig for kommunene å bruke suksessoppskriften, både fra barnehagesatsingen og fra satsingen på 1990-tallet, Offentlig Privat Samarbeid, for at også de gamle skal få en plass som står og venter når de har behov for Det er en noe annen innretning på barnehagesatsingen og på måten den ble gjennomført på, enn det nå er på ordningen med tilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Samtidig er det slik at det er mange, særlig ideelle organisasjoner – som det har vært mye fokus på her i dag – som driver veldig god eldreomsorg. Det skal vi være helt enige om. er mange eksempler på dette i Oslo. Det som har vært et ønske, er at vi skulle kunne bruke borettslagene i denne utbyggingsordningen, også i forbindelse med tilskuddene. Det er noe som vi jobber med, og vi er ikke kommet endelig i mål med det ennå. Kristeleg Folkeparti er å føre ein best mogleg og billegast mogleg alkoholpolitikk. Der har me hatt støtte frå justisministeren, frå helseministeren og frå politiet. Vår tidlegare helseminister og justisministeren skreiv ein kronikk i VG 4. juni i fjor, som eg fann på departementets heimeside. Eg tenkte eg skulle bruke innlegget mitt til å sitere litt derifrå. Kronikken heiter «En time mindre». siste timen med alkoholservering nattestid har store menneskelige og samfunnsmessige kostnader. Mange skades eller blir utsatt for vold. Derfor foreslår regjeringen at skjenketiden innskrenkes med én time. Internasjonal forskning viser en sammenheng mellom skjenketider og alkoholrelaterte skader, ikke minst voldsutøvelse. Når skjenketidene øker, får man mer vold og I går, må eg seie, var det ein ganske skuffande runde i spørjetimen. Etter den runden vil eg spørje helseministeren: Er det justisministeren, den tidlegare helseministeren, internasjonal forsking eller den noverande helseministeren som tek feil? Det som er helt klart, er at veldig mange voldsskader skjer i forbindelse med alkohol og alkoholservering – også i påvirket tilstand. Det er det ingen tvil om. Det trenger vi ikke mer forskning på. Det vet vi. Så har vi hatt denne saken ute på høring, og mange har nok også nyansert bildet, om det er den siste timen mellom kl. 02 og kl. 03 som er det store problemet, eller om det er skjenkingen i seg selv. Jeg vil påstå, særlig etter å ha sett Brennpunkt, som var utgangspunktet for spørsmålet i spørretimen i går, at det er helt åpenbart at særlig i Oslo – det kan vel også hende at det er flere steder – er det en rå overskjenking på en del utesteder. Det er det som er alvorlig. Det er ikke sikkert at det er den timen fra kl. 02 til kl. 03. Men det vil vi komme tilbake til, for underveis, mens vi har behandlet denne saken, har SIRUS tatt opp et forskningsprosjekt på hvor de skal gå igjennom 30 norske byer og forske på akkurat dette med åpningstider. Da mener vi i regjeringen at det er riktig å vente til det foreligger. Vi har gang på gang i denne sal og gjennom media hørt hvor mange milliarder denne regjeringen har brukt siden den tiltrådte i 2005. Det er en billig retorikk. Men vi har hatt en skyhøy lønns- og prisvekst, og ikke minst har vi fått flere innbyggere i landet. Jeg nevner at bare i 2008 kom det drøyt 60 000 flere mennesker til landet – nye innbyggere. Så er det slik at i samme periode, siden 2006, har helsekøene økt med 70 000 mennesker. Private står samtidig med ledig kapasitet. Jeg spør: Hva er feil med å bruke private? Mener statsråden det er inkluderende politikk at kun de med god økonomi kan kjøpe seg tjenester, mens de med lavere og midlere inntekter må stå i en håpløs kø? Det er ikke feil å bruke private. Det bruker vi hver dag som supplement til det offentlige Men med all respekt – med vår geografi og slik befolkningstettheten i Norge er, er vi helt avhengig av at et sterkt offentlig helsevesen er basisen i vårt helsevesen. Men vi bruker som sagt private på mange områder, og vi er også avhengig av mange av disse aktørene på markedet. Så er det også en ting som jeg er helt enig i: Jeg er ikke fornøyd med at ventetidene går feil vei. Derfor har vi også fokusert så sterkt på dette. Derfor jobber jeg så sterkt for å få dette ned, først med å fjerne fristbrudd, som ikke er akseptabelt, og så med å fjerne ventetidene. Det skal være

at staten eventuelt gir milde gaver tilbake til folket gjennom skattelettelser. Statens inntekter er et fratrekk i folks lønns- og kapitalinntekter. Det er penger som staten hevder den trenger for å finansiere våre velferdsgoder. Folks velvillighet til å betale skatt gjelder så lenge skattebetalerne mener staten evner å løfte samfunnets kollektive velferd. Bevisbyrden ligger hos staten. Fremskrittspartiet foreslår skatte- og avgiftslettelser for 19,4 mrd. kr. Det utgjør ca. 2 pst. av de estimerte skattene og avgiftene som staten vil ta inn i 2011. Justert for dynamiske virkninger reduseres statens provenytap med anslagsvis 6,3 mrd. kr. Vi reduserer utgiftene over statsbudsjettet med ca. 7 mrd. kr. Det utgjør i underkant av 1 pst. av statens samlede utgifter for 2011. Fremskrittspartiet finansierer merforbruket på ca. 6 mrd. kr ved å redusere overføringene til oljefondet med tilsvarende beløp. Vi reduserer regjeringens estimerte overføring fra 153 mrd. kr til 147 mrd. kr. Forskjellen utgjør 1,7 promille av oljefondet. Sagt på en annen måte, så reduserer vi statens overskudd med 5 promille. Det er disse økonomiske størrelsene som har fått statsministeren bekymret, for dette er økonomisk uansvarlighet, hevder han. Dette vil skape press i økonomien, renten vil gå i været, kronekursen vil gå «bananas», arbeidsplasser vil bli utkonkurrert, og de neste generasjoner vil ikke få utbetalt pensjon. Vanligvis pleier slike kloke og dype økonomiske analyser fra statsministeren å få full backing fra et samlet journalistkorps. Men i år har det faktisk vært litt annerledes. Den vanligvis så unisone fordømmelsen av Fremskrittspartiets finanspolitikk har ikke vært like fremtredende. Unntaket er, som representanten Hareide var inne på tidligere, Nettavisens Gunnar Stavrum, som den eneste, som i sin iver etter å være den første til å kommentere vårt alternative statsbudsjett snublet både i tall og retorikk. Kanskje har Fremskrittspartiet et poeng allikevel, tror jeg enkelte i mediene etter hvert begynner å tenke. Kanskje vil det være klokt å redusere skattene og avgiftene? Kanskje trenger Norge et virkelig løft for infrastrukturen? Kanskje er ikke Forsvaret i den stand man burde forvente? Kanskje er veksten i antallet ansatte i offentlig administrasjon usunn for norsk økonomi? Muligens er tempoet i innvandringen uten bærekraft? Muligens er det handel og ikke stadig mer bistand som får folk ut av fattigdom? Kanskje er tiden inne for en skikkelig øremerket satsing på eldreomsorgen? Jeg bare spør. Kanskje det er sånn. Fremskrittspartiet introduserer begrepet «dynamisk skattepolitikk» i sitt alternative budsjettforslag. Til dette benytter vi SSBs estimater. Vi bruker ikke dynamiske skattetall istedenfor de ordinære tallene, slik lederen i finanskomiteen i sin villfarelse er blitt sitert på, men som et supplement informasjon. Alle er enige om at økt lønn fører til økt forbruk. Redusert skatt vil virke på nøyaktig samme måte. Folk får beholde mer av sin egen inntekt, og så vil hver enkelt på ulikt vis bruke dette på egen velferd. Altså: Det er ikke bare offentlig velferd som er velferd, men også egen velferd. Noe av pengene vil føre til kjøp av tjenester og varer, som igjen vil gi staten inntekter i form av skatter og avgifter. Og selv om statsministeren liker å kalle slike beregninger for

Jeg oversetter ikke. Jeg regner med at de fleste i salen kan engelsk. Regjeringens latterliggjøring av skattelettelser som finanspolitisk virkemiddel gjør at den frasier seg et vesentlig verktøy i finanspolitikken. Ikke minst ville et slikt verktøy vært nyttig i disse tider, hvor regjeringen gjør så godt den kan for å snakke ut av begge munnvikene for å villede folk om nivået på uføretrygden. Det regjeringen burde konsentrere seg om, er ikke å redusere uføretrygden for hver enkelt, men å få flere ut av uførepensjon og over i jobb. skattepolitikk er et ledd i en slik prosess. Fremskrittspartiet foreslår å øke minstefradraget fra 75 150 kr til 90 000 kr. Ved å øke minstefradraget gjør vi det mer attraktivt å stå i jobb og relativt sett mindre attraktivt å leve på offentlige overføringer. Det er en klok politikk, som på sikt vil få flere til å være med, for å benytte en slitt politisk klisjé. Det som virkelig er voodoo-økonomi, er å Dagens Næringsliv, 23. oktober, hvor statsministeren innrømmer at det i Norge er mange mennesker i arbeidsfør alder som går på trygd, og sier at dette skyldes et godt utbygd trygdesystem. I andre land ville disse personene blitt forsørget av familien, hevder han. I Norge har vi med andre ord færre husmødre som forsørges av ektemannen sin enn i mange andre land, men flere på ulike trygdeordninger.» Av dette konkluderer statsministeren i samme kronikk at det ikke er viktig om en person forsørges av familien eller av skattebetalerne en makroøkonomisk sensasjonell påstand. Statsministeren sier videre: «At vi i Norge har valgt å ha et omfattende trygdesystem som bidrar til å forsørge personer som ikke er i stand til å jobbe, er en kvalitet ved det norske velferdssamfunnet.» Ja, det er helt korrekt, men det er det heller ingen politisk uenighet om. Men slike trygdesystemer er ikke unike for Norge. Også i andre europeiske land finnes det trygdeordninger for dem som ikke er i stand til å jobbe. Også i andre land finnes det klare medisinske kriterier for å motta uføretrygd, attføring, rehabiliteringspenger og sykepenger. Utfordringen er imidlertid at i Norge er det relativt sett så uendelig mange flere som angivelig tilfredsstiller kriteriene som er satt, og det til tross for at vi er friskere, lever lenger, har mer fritid, kortere arbeidsdager, lengre ferier, bedre permisjonsordninger og bedre tilrettelagte arbeidsplasser enn noen gang tidligere – alt dette samtidig som arbeidslivet generelt sett er blitt mindre fysisk belastende. Om denne sammenhengen ikke er voodoo, så er den i hvert fall svært mystisk. Og selv om statsministeren er strålende fornøyd med tingenes tilstand, og forsøker å innbille det norske folk at alt er under kontroll, så sier Det internasjonale pengefondet – IMF – i sin siste rapport følgende: it will be critical to make adjustments to the rules governing other benefit schemes, notably disability pensions. efforts are necessary to reduce the persistently high enrollment rates for sick leave and disability benefits.» Det er Fremskrittspartiet helt enig i, og vårt skatteopplegg med fokus på økt minstefradrag er nettopp et skritt i tråd med IMFs anbefalinger. I vårt alternative statsbudsjett velger vi å fjerne arveavgiften. Vi mener prinsipielt det er galt at staten skal være medarving i samtlige arveoppgjør i dette landet. I praksis har vi sett at arveavgiften har ført til at neste generasjon i noen tilfeller ikke har hatt råd til å videreføre virksomheten i familiebedriften. De som skaper verdier og arbeidsplasser, bør slippe å komme i en slik situasjon. Fremskrittspartiet reduserer prosentsatsen i formuesskatten fra 1,1 pst. til 0,9 pst. Det er vår ambisjon å fjerne formuesskatten i løpet av fire år i regjeringskontorene. Formuesskatten er en urimelig dobbeltbeskatning. Verdiene er allerede beskattet gjennom skatt på inntekt eller kapital, og formuesskatten er derfor en straff for investering, sparing og nøysomhet. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har et grunnleggende ulikt syn på staten. Mens Arbeiderpartiet mener det er kapitalistene som må kunne begrunne hvorfor de skal få lov til å beholde sine egne penger, så mener vi at bevisbyrden for inndragning av folks inntekter hele tiden må ligge hos staten. Verdiene tilhører dem som har skapt dem, og det er staten som hele tiden må være på tiltalebenken, ikke skattyterne. Det er et ærlig standpunkt å ønske at folk og bedrifter skal skatte mer, men da får man si det rett ut, og man får kreve inn skatten når folk tjener pengene, ikke kreve dem inn fordi folk ikke bruker dem opp, år etter år. Regjeringen ønsker å skape incentiver for at alderspensjonister skal kunne gå tilbake i jobb etter nådd pensjonsalder. Det er positivt. Men for å få dette til foreslår regjeringen å øke skatten for hver tredje alderspensjonist. Det vil Fremskrittspartiet gå imot. Alderspensjon er en opparbeidet rettighet, og har man pliktskyldigst betalt trygdeavgift gjennom et langt yrkesliv, er det uredelig å strupe pensjonsutbetalingene gjennom å øke skatten. Størrelsen på pensjonen er bl.a. et resultat av utdannelse og yrkeskarriere. Pensjon er med andre ord ikke et gode som pensjonistene skal fordele seg imellom. Fremskrittspartiet ønsker at samtlige pensjonister skal få beholde mer av sin pensjon, ikke bare noen få utvalgte. For å sikre dette vil vi gå imot regjeringens usosiale økning i trygdeavgiften til 4,7 pst. Vi beholder derfor trygdeavgiften på 3 pst. Videre foreslår vi at det nye pensjonsfradraget trappes ned saktere. Vi foreslår også å fjerne kildeskatten, som regjeringen har innført for norske pensjonister bosatt i utlandet. Kildeskatten er en urimelig beskatning for offentlige velferdstjenester disse pensjonistene verken har bedt om eller benytter seg av. Avslutningsvis ønsker jeg å understreke at skattelettelser har en egenverdi. Det at folk flest får beholde mer av sin egen inntekt, gjør det mulig å prioritere egen velferd, og samlet velferd i samfunnet vil Jeg er derfor sterkt kritisk til finansministerens utsagn tidligere i dag om at skattelettelser fører til redusert velferd. Skattelettelser gir folk mer penger i lommeboken, og skattelettelser og velferd kan være helt ulikt for ulike mennesker. Skattelettelser kan være å gå på puben og ta seg en øl, det kan være å ta en tur til Syden, det kan være å gi arv til barna sine. Skattelettelser og at folk bruker penger, er velferd og en veldig ressurs for samfunnet. Folk får beholde mer av sin egen inntekt og kan gjøre med disse pengene som de vil – det er ikke regjeringen, stortingspolitikerne eller andre som skal bestemme hva som er velferd for alle. Det blir replikkordskifte. Representanten Tybring-Gjedde er opptatt av skattelette, og det snakker han om fra begge munnvikene hele tiden, så det skal jeg ikke spørre ham om. Men jeg skal spørre ham om en annen sak. Fremskrittspartiet kutter hele beløpet til regional utvikling til fylkeskommunene. Slik som jeg kjenner bruken av disse midlene fra mitt hjemfylke, brukes 90 pst. til nyskaping og utvikling i små og mellomstore bedrifter. Det er teknologibedrifter, mediebedrifter, gårdsbedrifter og andre bedrifter som har behov for økonomisk støtte og praktisk veiledning for å utvikle en robust bedrift. Disse bedriftene er svært viktige med tanke på verdiskaping og bosetting i et distriktsfylke. Hvordan kan representanten Tybring-Gjedde forsvare et slikt kutt i et viktig regionalt Fremskrittspartiet mener altså ikke at Innovasjon Norge er en forlenget arm av regjeringens distriktspolitikk. Vi mener at Innovasjon Norge eventuelt skal skaffe kapital til bedrifter med den beste ideen, uavhengig av hvor den er lokalisert. Hvis regjeringen ønsker å bruke penger på distriktspolitikk, får man kalle det distriktspolitikk i stedet for å skjule det gjennom midler til Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har syv – tror jeg – oppdragsgivere, syv departementer, som alle har ulike motiver. har egen kvinnesatsing. Man har egen distriktssatsing, og alle fylker har sine underlagte organer. Det er svært uryddig hvordan man rapporterer innad i Innovasjon Norge, og vi mener at uansett hvor ideen er, om den så skulle være i Oslo, i Bergen, i Trondheim eller i Kristiansand, burde den beste ideen få kapitalen for å skape arbeidsplasser – uavhengig av hvor i landet den er. Derfor kutter vi på den type tiltak. Ikke minst gjelder det alt det sløseriet med Innovasjon Norge-midler som også finnes i distriktene. Vi har en rekke eksempler på det.

framstiller den. Det han sier, er jo helt åpenbart for alle oss andre, nemlig at det han eksponerer, vil undergrave den økonomiske, sosiale tryggheten i det norske samfunnet. Det er det han står her og sier. Det som er det store paradokset i innlegget, er at det finnes ingen ydmykhet i denne læren om den økonomiske politikken i forhold til hva som skjer i alle andre land. Skattelettelser og store egenandeler, ingen innsats fra staten, har ført til at land etter land og økonomi etter økonomi er kommet i vanskeligheter. Hadde det ikke vært mulig at representanten Tybring-Gjedde kunne vise litt mer ydmykhet i en situasjon hvor Europa i stadig sterkere grad kommer i vanskeligheter, i motsetning til her? Takk for spørsmålet fra representanten Kolberg, som kanskje burde lese seg litt opp på økonomi. Hvis man går tilbake og ser på hva som har forårsaket finanskrisen, er det akkurat ikke skattelettelser, men overforbruk. Det eneste landet blant disse såkalte PIGS-landene som hadde store skattelettelser – dette innlegget holdt jeg faktisk for et halvt år siden, men da var kanskje ikke Kolberg til stede – er Irland. Alle de andre landene som nå sliter blant PIGS-landene, hadde økt offentlig forbruk, ikke redusert skatt. Alle landene var styrt av sosialdemokrater. Det er altså det offentlige kjempet gjennom av fagforeninger i de samme landene, som gjorde at økonomien gikk dårlig. Det var en av hovedårsakene. Når Kolberg tar opp skattelettelser, burde man være klar over hvor skattelettelsene faktisk fant sted før man kommer med en generell anklage, som også statsministeren har gjort på TV og i andre debatter. Det er direkte feil. Som representanten Kolberg nettopp var inne på, er det noe befriende ved å høre representanten snakke, for vi får alltid reine ord for penga. På den bakgrunn – når man altså hører Tybring-Gjedde – går det an å forstå hvorfor Fremskrittspartiet går så drastisk til verks når det gjelder stønader til noen av de aller mest utsatte gruppene. For jeg tror nemlig ikke – og ingen andre her, tror jeg at omtrent en fjerdedel av de enslige forsørgerne vil gifte seg nærmest i lykkerus hvis Fremskrittspartiet hadde kommet til makta 1. januar 2011. Mitt spørsmål skal imidlertid dreie seg om næringslivet. Jeg er veldig lei av å høre den svartmalinga av næringslivet som pågår, og at det skal være så ille å drive næringsvirksomhet i Norge. Hva er da forklaringa på at vi faktisk gjør det veldig godt på de på forholdene for næringslivet i Norge? Vi kommer på tredje plass av de europeiske landene. Vi har klatret fire plasser på en av de mest anerkjente rankinglistene, og ikke nok med det, vi kombinerer det altså med grunnlaget for sivilisasjon, nemlig et rimelig høyt skattenivå som sikrer at vi også kommer først ut på lista over de beste landene å bo i.
være rimelig tjukk i hue – unnskyld, president, det er sikkert ikke et parlamentarisk uttrykk – hvis du ikke klarer å drifte Norge relativt bra. Vi har enorme inntekter fra olje og gass, som alle land misunner oss. Hvis man ikke klarer å drifte Norge relativt bra på gjør man en rimelig dårlig jobb. Vi har en stor offentlig sektor, og vi klarer å sysselsette mange i offentlig sektor, men fordi man har 25 pst. som lever på offentlige overføringer, altså som ikke er med i arbeidslivet, ja vel, da har man enormt store utfordringer. Og det går i den retningen: Det blir stadig flere uføre og stadig flere som lever på ulike trygdeordninger. Det næringslivet ber om, er å få muligheten til å skape egne verdier og arbeidsplasser. Det er slik nå at stadig flere bedrifter eies av det offentlige, fordi det ikke finnes tilstrekkelig med kapitalister som enten er villige til å eller kan investere i bedrifter. De aller største bedriftene i Norge i dag er eid av det offentlige, og det går i den retningen at stadig flere er det, for staten er den store kapitalisten. Staten burde distribuere disse pengene, slik at man få private kapitalister til å skape arbeidsplasser, slik at profittmotivet kommer tilbake i norsk næringsliv, og slik at det ikke er staten som sitter på all kapitalen og alle eierinteressene. I sitt alternative budsjett legg Framstegspartiet opp til ein integreringspolitikk som både har redusert rettsvern og full stopp i dialogen mellom innvandrarar og myndigheiter. Så I sitt alternative budsjett legg Framstegspartiet opp til ein integreringspolitikk som både har redusert rettsvern og full stopp i dialogen mellom innvandrarar og myndigheiter. Så kuttar dei faktisk halvparten av barnevernets hjelp til einslege mindreårige asylsøkjarar. Ytingar til menneske på mottak

Ok. Takk for spørsmålet! Fremskrittspartiet mener integrering er viktig. For å bli integrert i det norske samfunnet må det ligge noen verdier i bunnen. Disse verdiene er likestilling, likeverd, ytringsfrihet, religionsfrihet, sekulære rettsregler – det som er fellesverdier for det norske samfunnet. Det er viktig. Integrering er ekstremt viktig. Integrering er først og fremst den enkelte innvandrers ansvar. Du reiser fra et land til et annet land, enten som flyktning eller frivillig. Når du kommer til Norge, ville jeg tro at det er noe ved dette samfunnet som er bedre enn det landet du dro fra. Hvis du tar med deg alle opprinnelseslands kulturer – og ukulturer – til Norge, vil det ikke fungere. Da lurer jeg på hvorfor du kom hit i utgangspunktet. Når vi ønsker å redusere innvandringen, er det av hensyn til å få til integrering gjennom tid, akkurat som da 800 000 nordmenn flyttet til Amerika. Da var det tiden som gjorde at de ble amerikanere til slutt. Hvis du pøser på med innvandrere slik at de ikke har sjanse til å integrere seg, får du heller ikke integreringen til å fungere. Dette er mitt korte svar på 57 sekunder. Replikkordskiftet er omme. Om få minutter er den reglementsmessige tid for formiddagsmøtet omme. Presidenten vil foreslå at Stortinget nå avbryter sine forhandlinger, og at vi setter kveldsmøtet kl. 18.00. – Det anses vedtatt. Presidenten gjør oppmerksom på – i hvert fall slik presidenten har fått vite – at statsminister Jens Stoltenberg og representanten Gunnar Gundersen har byttet plass på talerlisten. Det betyr at statsminister Jens Stoltenberg er første taler på og deretter Gunnar Gundersen. – Møtet er hevet.